Fremskrittspartiet 60 minutter, Kristelig Folkeparti 20 minutter, Senterpartiet 20 minutter, Venstre 20 minutter, Sosialistisk Venstreparti 15 minutter og Miljøpartiet De Grønne 5 minutter. Replikkordskiftet foreslås ordnet slik: Det blir adgang til seks replikker med svar etter innlegg av partigruppenes hovedtalere, parlamentariske ledere, statsministeren og finansministeren og fire replikker med svar etter hver av de øvrige medlemmer av regjeringen samt talere med 10 minutters taletid eller mer

hente. Jeg postet også noe av dette på Facebook, og da fikk jeg til svar fra en som ikke jeg kjenner, som lurte på om denne sanghelgen var en del av budsjettforliket. Det er det jo ikke, men jeg vil si til NRKs ære og til det frivillige Norges ære at en slik del av et budsjettforlik vil være en pryd uansett. men jeg vil si til NRKs ære og til det frivillige Norges ære at en slik del av et budsjettforlik vil være en pryd uansett. Etter to og en halv ukes forhandlinger ble regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti enige om statsbudsjettet for 2015. Forliket innebærer et budsjett som gir en styrket sosial profil, og prioriterer viktige tiltak Vi vedtar også det mest offensive klima- og miljøbudsjettet noensinne. Familiepolitikken er igjen satt på dagsordenen, og det er et budsjett som også tar inn over seg at det er et langstrakt og mangfoldig land vi er i. Forliket er også et sterkt signal om at Norge har et ansvar og skal ta et ansvar – utenfor landets egne grenser. Frivilligheten løftes ikke bare med prosjektmidler, men også med skattefradrag som gir frivilligheten selv mulighet til å prioritere. Det opprinnelige budsjettets satsing på samferdsel, justis og helse videreføres og styrkes også på flere områder. Etter min mening representerer forliket en politisk kurs som ligger nærmere både det det politiske flertallet i denne sal og det et flertall i befolkningen ønsker. Slik sett har demokratiet virkelig vært i funksjon etter at budsjettet ble Dette budsjettet har fått brynt seg gjennom tallrike høringer og vurderinger – fra de største landsomfattende organisasjoner til en lang rekke enkeltpersoner. Stortinget har igjen stor betydning for budsjettets utforming. Jeg vil også takke Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre for mange og lange runder om budsjettet. Noen runder har vært enklere enn andre – det skal sies, men fra Kristelig Folkepartis side er det svært mye å glede seg over når vi går til vedtak senere i dag. Bakteppet for dette budsjettet er en fortsatt solid norsk økonomi, men like fullt med mer uro enn på en god stund. Fortsatt svak økonomisk vekst i eurosonen, men med mer optimisme i Storbritannia og USA, mens Kina nedjusterer sine prognoser – alt dette gir til sammen et ganske sammensatt bilde. Oljeprisen har siden sommerens topp falt med over 30 pst., og etter rekordhøye oljerelaterte investeringer i Norge ser vi nå en klar reduksjon, noe som gir ringvirkninger i deler av leverandørindustrien. Ledighetstallene for november viser imidlertid en nedgang fra oktober, og mye tyder på at mange fagpersoner går til andre bransjer som lenge har strevd med å få folk. Slik sett kan en viss nedkjøling i oljesektoren gi rom for en omstilling som uansett vil måtte komme i årene fremover. For eksportnæringen bidrar også en markert svakere krone til en bedret markedssituasjon. Norske varer blir rett og slett billigere i utlandet. Den uro vi nå ser rundt oljepris og markeder, viser imidlertid at måten som vi innfaser oljepenger i budsjettet på, bidrar til å unngå de store svingninger og er dermed et svært viktig bidrag til å føre en fornuftig budsjettpolitikk. Jeg er også godt fornøyd med at budsjettforliket ikke innebærer økt bruk av oljepenger inn i budsjettet. Det er også et signal som dette litt udefinerte markedet vet å merke seg. I statsbudsjettet flyttes det på rundt 13 mrd. kr når man inkluderer alt av endringer og omprioriteringer. Når man vet hvor mye som er bundet i et budsjett, Så er det også en sannhet i at for dem det faktisk gjelder, er enhver endring stor selv om summen i seg selv kan synes liten. Hva skal vi leve av etter oljen? Det har vært et ofte stilt spørsmål. Det vi vet, er at de fleste jobber som ligger 20–30 år fram i tid, i tid, ikke er skapt ennå, men at grunnlaget legges nå. Derfor er alle fire partiene enige om en omfattende satsing på kunnskapssektoren. Statsbudsjettet ga et godt utgangspunkt, der etterutdanning, høyere utdanning og forskning ble løftet. Dette er ytterligere understreket gjennom forliket. I Kristelig Folkeparti er vi også meget godt tilfreds med et gjennomslag for å øke lærertettheten i begynnelsen av skoleløpet. Slik kan vi gi en bedre tilpasset undervisning for alle barn, lettere følge opp de elever som særlig trenger det, redusere behovet for spesialundervisning senere og forebygge frafall i videregående skole. Når det gjelder det siste, er også den enigheten vi har om et betydelig løft i lærlingtilskuddet, et svar som mange har ventet på når det gjelder den mest effektive medisinen mot frafall i videregående skole. I sum er dette en betydelig satsing som de fire partiene legger opp til. Resultatene kommer ikke i morgen, men de vil komme. Fra Kristelig Folkepartis side er jeg også glad for at folkehøgskolene, studieavgift for utenlandske studenter, borteboerstipendet og kapitaltilskudd til friskoler er områder vi nå har funnet felles enighet om.

og tåle at disse blir vurdert opp mot budsjettets helhet og også mot mulige endringer i selskapsskatten som forventes å komme. Derfor har vi i Kristelig Folkeparti hatt en noe annen innfallsvinkel til disse spørsmålene enn regjeringen har hatt. Nå er vi blitt enige om en viss reduksjon, samtidig som skatt på eiendom utover og vi har også blitt enige om å vurdere en innretning på formuesskatten som skiller mellom arbeidende kapital – enten det er driftsbygninger, maskiner eller traktorer – og det som faktisk tas ut på private hender. Så venter vi i spenning på Scheel-utvalget i morgen. Første lekkasje er jo allerede kommet, men jeg gjentar her og nå Kristelig Folkepartis ønske om og invitasjon til et bredt politisk forlik når vi etter hvert får Scheel-utvalgets rapport etter hvert får Scheel-utvalgets rapport på vårt bord. I samarbeidsavtalen har de fire partiene blitt enige om en familiepolitikk som skal sikre fleksibilitet og valgfrihet. Dette følger vi opp i fellesskap. Kontantstøtten ble økt for ettåringer i årets budsjett og videreføres for 2015. Antallet barnehageplasser kan økes for neste år og gi et mer fleksibelt opptak. Jeg er glad for at mange kommuner allerede har varslet om at så vil skje. De som har lavest inntekt, vil få prisreduksjon, uavhengig av hvilken kommune de bor i, og svært mange fire- og femåringer i lavinntektsfamilier vil få gratis kjernetid. Den sosiale profilen i budsjettet er også styrket. Barnetillegget for uføre beholdes som en behovsprøvd ytelse med et tak som settes høyt. Jeg mener dette vil sikre barnetillegget på sikt, samtidig som det gir legitimitet til en trygdeytelse. Det er også viktig. Engangsstøtten ved fødsel får et reelt løft, og familievernet gis et solid løft i dette forliket. Skatteklasse 2 beholdes. Jeg oppfatter det slik at den satsingen vi har vært enige om, sier mye om familiepolitikken og om de fire partienes felles ståsted når det gjelder familiens betydning for barns oppvekst og dannelse. Dessverre er det midlertid sånn at mange barn går for lut og kaldt vann. Derfor satses det også på barnevern og sentre som tar imot barn og foreldre i krise. Klimaforliket skal forsterkes. Det er det løftet de fire partiene har gitt i samarbeidsavtalen. samarbeidsavtalen. Dette budsjettforliket leverer. Jernbanen får ytterligere penger til drift og vedlikehold, belønningsordningen for kollektivtransport likeså, og nye byer kan nå inkluderes. En markant satsing på gang- og sykkelveier, en skogpakke som har høstet bred anerkjennelse, utvidelse av Enovas rammer for enøktiltak i hjemmet og mer penger til energifondet, en sterk satsing på biodrivstoff og avgiftslettelser for hybridbiler er en forsmak på det som skal bli gjort i revidert budsjett. Internasjonalt legges det inn 200 mill. kr til FNs grønne klimafond. Dessuten, vel så viktig: De fire partiene er enige om at miljømandatet i oljefondet skal kunne utvides og også åpne for unoterte investeringer i fornybar energi. At vi har en forpliktelse i den verden vi er en del av – ikke minst et land som vårt, som er så rikt – er det bred enighet om. Gjennom forliket er standarden om 1 pst. av bruttonasjonalinntekt til utviklingshjelp sikret, og det har nå bred politisk oppslutning. De fire partiene er også enige om økt satsing på utdanning og helse i utviklingspolitikken. En konsentrasjon om antall land for stat-til-stat-samarbeid er noe vi er enig i, men vi får også en egen sak om dette fremlagt for Stortinget. Det vi allerede er enige om, og som jeg mener er viktig, er at denne konsentrasjonen ikke skal gjelde humanitær bistand eller frivillige organisasjoners arbeid. Som vi alle vet, er det nå flere alvorlige humanitære kriser i såkalt kategori 3 enn på svært lang tid. Dette gir enorme utfordringer for nabolandene, FN og andre internasjonale organisasjoner som ellers bidrar. Norge bør selvsagt også bidra, og forliket innebærer at vi neste år øker antallet kvoteflyktninger. De enorme lidelsene vi ser i andre deler av verden, er for oss nesten umulig å fatte. Men det gir i hvert fall grunn til å si at vår hjemlige debatt om plastposer, som det nå brukes atskillige spaltemeter på, får en litt annen dimensjon. Avslutningsvis vil jeg takke våre samarbeidspartier, men jeg vil også takke opposisjonspartiene, utover den konstruktive opposisjonen, for et godt samarbeid i komiteen og for utvist velvilje. Det er frister som er blitt strukket, men jeg vil allikevel si at man må kunne si at når en mindretallsregjering legger fram et budsjett og man får enighet etter to og en halv uke, er ikke veldig dramatisk. Jeg tror også man må huske på at etter åtte år med flertallsstyre er man kanskje ikke vant til at det jobbes med budsjettet på en litt annen måte enn før. Takk til alle partier. Takk til vårt eget sekretariat og til departementet som i fellesskap har fått tall, poster og kapitler på plass. Jeg vil også takke presidenten selv for godt samarbeid for å få dette til på en så god måte som mulig for Stortinget. Med det

beinharde maratonforhandlinger for at tidenes blåeste budsjettforslag skulle bli mindre usosialt, og de to partiene har fått på plass flere forbedringer som samsvarer godt med politikk Arbeiderpartiet står for, og som vi har inne i vårt alternative budsjett. Men hovedgrepene i budsjettet ligger fast, sa Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, klart og tydelig da budsjettforliket ble presentert. Det største enkeltgrepet er kutt i formuesskatten til landets rikeste. Det var og er fortsatt den største enkeltsatsingen i budsjettet. Er representanten Syversen enig med Helleland i at de blå-blå hovedgrepene fortsatt ligger fast? Over hele Norge forbereder kommunene seg nå på store kutt i tjenestetilbudet i skole, i omsorg og i mye annet som betyr mye for mange. Ville det ikke vært bedre å bruke det økonomiske handlingsrommet som vi nå har, har, slik Arbeiderpartiet gjør, på velferdstjenester, framfor å kaste milliarder etter landets mest velstående? Hvorfor ønsket Kristelig Folkeparti å støtte opp om og ta ansvar for en politikk som går i så feil retning? For å ta formuesskatten: Tore Hagebakken vet vel like godt som meg at mange langt inn i både hans eget parti og i fagbevegelsen peker på at det er betydelige utfordringer med formuesskatten. Hvis representanten Hagebakken er i tvil:

forstås, tror jeg han egentlig ville ha sagt akkurat det Arbeiderpartiets parlamentariske leder ville sagt hvis det hadde vært en motsatt situasjon. Det er vel sånn politikken er på dette huset at vi gjerne fremhever det vi selv ønsker. Jeg har i dette innlegget, uten å angripe noen partier, vist at Kristelig Folkeparti har fått et solid gjennomslag for våre prioritereringer. Jeg får ikke helt svar på om Syversen mener at hovedgrepene fra den blå-blå regjeringa fortsatt ligger fast, så han må gjerne gjenta det. Men så tilbake til kommuneøkonomien. I Stavanger har Kristelig Folkeparti varaordføreren og Høyre ordføreren. Der foreslo rådmannen så dramatiske kutt i skole og sykehjem at flertallet heller gikk for å øke eiendomsskatten med 90 mill. kr. Det satt langt inne. inne. Skattesvikten rammer nå store og små kommuner. Det dreier seg om snart 3 mrd. kr. Vil Kristelig Folkeparti være med og presse regjeringa fram mot nysalderinga, den siste saken vi har i Stortinget før jul, slik at vi kan klare å redde mange kommunale, viktige velferdstilbud for store og små

Kommunenes Sentralforbund, som vel taler på vegne av de kommunene som Hagebakken snakker om, er jo budsjettet, og forliket ikke minst, blitt svært godt mottatt i KS og i mange av kommunene – så godt at jeg husker godt at representanten Hagebakken var sur i høringen fordi KS ikke var surere enn det de var når det gjaldt budsjett og innvirkning.

Forsking har vist at det ikkje er lærartettleiken, men kvaliteten på læraren i klasserommet som er den viktigaste faktoren for gode resultat. I budsjettforliket fekk Kristeleg Folkeparti gjennomslag for auka lærartettleik på fyrste og andre trinnet, noko som vil føre med seg mellom 1 200 og 1 500 fleire årsverk. Korleis meiner Kristeleg Folkeparti at auka lærartettleik vil auke kvaliteten på undervisninga og gje betre resultat? Og korleis ser Kristeleg Folkeparti på rekrutteringa til læraryrket?

som det så fint heter. Dovre kommune har gjort noe av det vi foreslår og har fått gjennomslag for, sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, nemlig satt inn flere lærere i småskolen. Det har gitt som resultat en bedre tilpasset undervisning for alle elever, og det har også minsket behovet for spesialundervisning senere.

plan. Eg vil først takke representanten Syversen for eit godt innlegg. Eg vil også takke for gode og konstruktive forhandlingar, som førte fram til det forliket om budsjett som vi skal behandle her i dag. Kristeleg Folkeparti og Framstegspartiet er to ulike parti, vi er sjølvsagt ikkje einige om alt, men vi er borgarlege parti, og vi har veldig mange felles verdiar. Vi er einige om at budsjettet vi skal vedta her, er

Uten å røpe for mye fra de konstruktive forhandlingene som representanten Hagesæter viste til, oppfattet jeg f.eks. at det ikke var særlig vanskelig å få Fremskrittspartiet med på skolesatsingen vi nå står felles om. Jeg mener for så vidt også at når det gjelder mange av de endringene vi gjør på den sosiale profilen, virker det i hvert fall ikke som det sitter altfor langt inne hos representanten

eit forslag som vart slakta i høyringsrunden, som er den største kommersialiseringa av offentleg helsevesen i nyare tid, der private tilbydarar i praksis får fri etableringsrett og kan driva pasientbehandling betalt av staten i konkurranse med offentlege sjukehus. Eg vil spørja representanten Syversen om korleis det er å flytta pengar, men la politikken gå, og sikra regjeringa sine stemmer for fritt behandlingsval, eit forslag som Kristeleg Folkeparti i valkampen sa dei var veldig tydeleg imot. Nå er det jo slik at den saken som representanten Toppe refererer til, skal Stortinget så vi får kanskje avvente litt hva som kommer ut av en samlet stortingsbehandling, før representanten eventuelt kan gjenta at vi lar politikken ligge. Men vi endrer politikk gjennom dette budsjettforliket, og jeg håper at også Senterpartiet, når de får sett på alle de positive endringene som ligger

hvis representanten Serigstad Valen ser nøye etter, er det i forliket også kommet inn 200 mill. kr til FNs grønne klimafond. Jeg håper det er noe han kan glede seg over. Replikkordskiftet er omme. Jeg husker godt tilbake til finansdebatten i fjor. Da var det mange av representantene fra regjeringspartiene som var oppe på denne talerstolen og

Vi har sett hva denne regjeringen faktisk vil. Det budsjettforslaget Siv Jensen la fram 8. oktober, har blitt mottatt med til dels kraftige reaksjoner. Mange har prøvd å analysere hvorfor. Jeg tror at det langt på vei handler om at regjeringens budsjett strider mot folks oppfatning av hva som er rettferdig og riktig. Det tar ikke Norge i den seg. Det veldig sympatiske slagordet «Mennesker, ikke milliarder» viste seg å bety «Mennesker med milliarder». Norske milliardærer og mangemillionærer fikk tidenes gavepakke, og regningen ble sendt til flere, bl.a. uføre med barn, funksjonshemmede med behov for bil, arbeidsledige, eldre som hadde opplevd gleden ved Den kulturelle spaserstokken, og til fire- og femåringer som helt uskyldig hadde havnet i asylmottak, men som i det minste fikk et barnehagetilbud som avbrekk i hverdagen. Jeg kunne ha brukt sterke ord for å karakterisere slike prioriteringer og verdiene de er et uttrykk for, men jeg skal la det være. Årets trontale var etter min mening ganske god. Den var god i problembeskrivelsene. Vi er enige om at Norge står foran noen store utfordringer i årene som kommer. Det handler om økonomisk omstilling til mindre oljeavhengighet i en tid der olje- og gassaktiviteten gradvis reduseres. Det handler om vei- og kollektivtrafikk i en tid der ikke minst byområdene vokser, og vi blir flere. Det handler om omsorgstilbud, sykehus og øvrig helsetilbud i en tid der vi blir eldre. Og det handler om å forstå ansvaret vi har for klimaet som våre barn og barnebarn skal leve med, og at tiden for handling er nå. Det store klimatoppmøtet i Paris, hvor verden har satt sin egen deadline, skal ikke gå av stabelen om ti år, men i 2015. Det er det året vi straks går inn i. Disse utfordringene krever noe av oss som politikere, iallfall de av oss som ønsker å være ansvarlige politikere. I denne situasjonen er det at regjeringen velger ikke bare å legge fram et budsjett som gjør oss mer oljeavhengige enn noen gang, ikke bare å legge fram et budsjett der den desiderte hovedsatsingen er ikke særlig vekstfremmende skattelettelser, men den prøver å selge dette budsjettet inn som nødvendig av hensyn til landets framtid. Det skal ruste oss for framtiden, får vi høre. Kritikken fra velgerne blir avfeid med at nordmenn ikke tar inn over seg hvilke endringer framtiden krever. Det sa statsministeren til Aftenposten nylig – vi tar det ikke inn over oss, rett og slett. Det er her jeg mener at det virkelig problematiske i kommunikasjonen rundt dette budsjettet ligger – hvis det har vært en men også lede. Derfor er det alvorlig å spille «upopulært, men nødvendig»-kortet når det overhodet ikke er grunnlag for det. Folk bør ha tillit til at når vi sier det, er det faktisk alvor. I debatten i dag kommer vi til å få høre gjentatte ganger at regjeringens skattekutt handler om vekst og arbeidsplasser, og ikke om at velstående kjernevelgere bare vil betale mindre i skatt. Regjeringens store problem er at debatten om formuesskatten er en av de lengste og mest grundige vi har hatt i Norge på veldig mange år, og fasiten er ganske klar. Den skatten er ikke uproblematisk – det erkjenner vi også – men den er i høyeste grad til å leve med for norsk næringsliv, og det er absolutt ingen automatikk i at skattekutt for de mest velstående er det som fører med seg masse nye arbeidsplasser. At folk mener at akkurat de, akkurat deres gruppe, skal betale mindre inn i felleskassa, og at de finner argumenter for hvorfor, hvorfor, bør ikke overraske noen. Men vi som politikere plikter å forholde oss til kvaliteten på de argumentene, og da er det interessant å høre hva utenforstående, nøytrale eksperter sier. Da VG gjorde en rundspørring blant Norges 20 fremste økonomer, var det et massivt flertall, 17 av 20 for å være helt nøyaktig, som ga regjeringens argumentasjon for skatteopplegget det glatte lag. Regjeringen har rett og slett ikke tunge faglige argumenter bak seg når den påstår at denne skattegaven til de mest velstående vil virke på den måten den hevder. Da har regjeringen et problem, og Norge har et problem. Ordet «kunnskap» er kanskje det mest brukte honnørordet hos alle partier, inkludert mitt eget – for all del – de siste Men jeg må minne om at kunnskap er lite verdt dersom den ikke brukes, og da har jeg ikke engang nevnt den kunnskapen vi i dag har om konsekvensene som store økonomiske og sosiale forskjeller har for samfunn og enkeltmennesker, og at veien til reduserte forskjeller ikke går gjennom å øke forskjellene, slik som Høyres finanspolitiske talsmann, Svein Flåtten, nylig Vi har i dag kunnskap om at denne teorien bare er det – en teori som har vist seg ikke å stemme med virkeligheten. Det er kunnskap man bør ta inn over seg. Jeg har nå brukt mye tid på regjeringens opprinnelige budsjettforslag. I dag skal vi behandle det jeg vil kalle en moderert utgave, og jeg vil berømme Venstre og Kristelig Folkeparti for en skadebegrensende innsats gjennom lange forhandlinger, der ikke minst en del av de mest smålige kuttforslagene har blitt reversert. Det er bra. Jeg tror vi var mange både her på huset og rundt om i landet som følte at de to støttepartiene forhandlet på vegne av langt flere enn seg selv, og budsjettet ble også på en rekke områder flyttet nærmere det verdibaserte Men jeg vil si meg enig med komiteens leder, Syversen, som også mente at det har blitt brakt nærmere flertallet blant velgerne. Det tror jeg han har rett i. Samtidig vil jeg referere til Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, som under presentasjonen av forliket, under pressekonferansen da dette forliket ble lagt fram, sa at hovedgrepene i regjeringens budsjett ligger fast. Ja, det gjør de, og derfor ligger også vår hovedkritikk fast. Vi skal i dag behandle et budsjettforslag der handlefriheten brukes til å øke forskjellene, ikke til å ruste oss for framtiden. Det er i bruken av den handlefriheten som budsjettet gir oss, at de politiske forskjellene virkelig kommer til syne. Arbeiderpartiet på sin side viser med sitt alternative budsjett en annen vei mot framtiden, en vei der vi i enda større grad enn før skal være landet med små forskjeller mellom folk geografisk og store muligheter, en vei som handler om at vi bruker de store pengene på de store oppgavene.

vi snakker om eldreomsorgen. Det er dette som er kommuneøkonomi, den nære velferden – ikke tørre tall i en overføringstabell i statsbudsjettet. Vi varslet da vi behandlet kommuneproposisjonen i våres, at vi skulle legge oss 2,5 mrd. kr over regjeringens opplegg når det gjaldt vekst i frie inntekter. Det følger vi selvfølgelig opp – det har vi I tillegg til det legger vi på 1 mrd. kr for å kompensere for den skattesvikten som norske kommuner nå opplever. Grunnen til at vi kan gjøre det, er at vi ikke er med på å prestere flere milliarder kroner i skattekutt. Representanter for Representanter for regjeringspartiene prøvde i hele valgkampen å selge oss et budskap om at skattekutt ikke innebærer kutt i velferd. Vi har råd til begge deler, var budskapet. Jeg mener at regjeringens kommuneopplegg viser at de tok feil, men store deler av kuttejobben er overlatt til kommunene, vi tar den ikke her i salen i kveld. Så kan vi sikkert diskutere i det vide og det brede hvordan det kan ha seg at representanten Hagebakken er surere enn KS sentralt, men vi velger å lytte til kommunene og innspillene som kommer derfra. Som nevnt i replikkordskiftet: Stavanger og Bergen innfører en eiendomsskatt for å unngå dramatiske kutt i budsjettene sine, stikk i strid med Høyres valgløfter. Vi har blitt fortalt at varaordføreren fra Høyre i Sokndal han ikke tar gjenvalg. Han får følge av Høyres Bjørn Skinnarland i Vinje, som fortviler over at regjeringen ikke tar distriktene på alvor. Det bør få både regjeringspartiene og støttepartiene til å tenke. Vi vil også ruste norske sykehus til å behandle flere pasienter og tilby det beste av behandlingsmåter. Det var bakgrunnen for at vi i valgkampen gikk ut og lovte at over en fireårsperiode vil vi bruke 12 mrd. kr ekstra for å få til et skikkelig løft i pasientbehandlingen – et kostbart løfte: 3 mrd. kr i året. Da tok det omtrent et kvarter før Høyres Bent Høie var ute og lovte at det skulle Høyre Nå har Bent Høie levert et helsebudsjett hvor veksten er på under 2 mrd. kr, og hvor han i tillegg legger opp til å inkludere nye oppgaver i sykehusrammen uten økonomisk kompensasjon til sykehusene. Dette vil gi sykehusene en mer anstrengt økonomi, og det gjør at beregnet aktivitetsvekst ikke er realistisk. Så skal den rammen altså dekke innføringen av flaggskipet «Fritt behandlingsvalg», som, når vi nå ser budsjettallene, viser seg å ha skyhøye byråkratikostnader. Vi legger inn det vi lovte i alternativt budsjett. Derfor ligger det over 1,2 mrd. kr mer inne til aktivitetsøkning i sykehusene hos oss enn det gjør i budsjettet som det har blitt forlik om. I tillegg tar vi skikkelig grep på folkehelse. Vi skal selvfølgelig ha verdens beste spesialisthelsetjeneste, men hvis folk skal leve bedre liv, hvis vi skal klare å utjevne sosiale forskjeller i helse og i tillegg sørge for bærekraften i velferdssystemet vårt over tid, må vi bli bedre på å forebygge uhelse. I folkehelsepakken vår er både idrettsløft, frukt og grønt i skolen, en time fysisk aktivitet hver dag, skolehelsetjeneste og friluftstiltak veldig sentrale elementer. Vi satser nesten like tungt på det som det vi gjør på aktivitetsvekst i sykehusene. Det er et kraftig signal, og det er framtidsrettet. Og vi kan gjøre det fordi vi ikke prioriterer skattekutt. Vi vil ruste Norge for framtiden med satsing på vei og kollektivtilbud, barnehager, skole og forskning. Vi har ment lenge at staten må ta et mye større ansvar for å finansiere tunge infrastrukturinvesteringer i de store byene. De vokser fort. Kollektivsystemene kommer til å kollapse i løpet av få år hvis det ikke bygges mer, og det er helt illusorisk å tro at fylkeskommunene skal klare de milliardinvesteringene det er snakk om, på egenhånd. Vi startet mens vi satt i regjering, med å lansere bymiljøpakkene, et helt nytt grep. I vårt alternative budsjett foreslår vi å legge inn 1 mrd. kr – 10 milliarder ekstra over ti år – for at staten skal kunne ta en større del av regningen for byer som er villig til å forplikte seg. Og vi kan gjøre det fordi vi ikke prioriterer skattekutt. Vi vil imøtekomme de virkelige behovene til kreative, oppfinnsomme nordmenn som ønsker å starte sin egen bedrift. Jeg har møtt mange av dem, og de gründerne vi møter, snakker sjelden om formuesskatten, den er stort sett ikke relevant i den fasen, men de snakker veldig ofte om hvor vanskelig det er å få inn risikokapital, tidligfasekapital, noen som vil gå inn sammen med dem når de er i den mest utsatte fasen. Den utfordringen møter vi også i vårt alternative budsjett. Vi vil satse på fagarbeideren framfor å legge til rette for en permanent lavinntektsklasse. Regjeringen har satt ned en og det blir helt sikkert mange interessante innspill og konklusjoner derfra. Men den som for alvor er opptatt av produktivitet, må også være opptatt av hva som foregår nå i de tradisjonelle håndverksyrkene. Kompetente fagarbeidere og ryddige forhold erstattes av billig, innleid arbeidskraft, sosial dumping og til dels kriminelle forhold. Vi tror at innovasjon og produktivitet skapes av folk som kan fag, så vi foreslår nå at vi likestiller lærlingtilskuddet med kostnaden for en skoleplass på studieforberedende. Det er både et viktig signal og helt nødvendig for å heve kvaliteten på opplæringen, stimulere flere bedrifter til å ta inn lærlinger og rekruttere flere ungdommer til å velge disse fagene. Sammen med fornyelse av maskinparkene rundt omkring på skolene, hospiteringsordninger for yrkesfaglærere og en rekke andre tiltak er det samlet en

opptil 100 000 kr billigere i innkjøp. Det er grep som monner. Og det også kan vi gjøre fordi vi ikke prioriterer skattekutt. Vi må ha ryggrad til å si at det skattenivået vi hadde så sent som i fjor, med de inntektene felleskassen, er et nivå som både næringsliv og folk flest levde godt med i 2013, og som de vil leve godt med i 2015. De to–tre kronestykkene som regjeringen vil dele ut til folk flest per dag, utgjør ikke spesielt mye for den enkelte, knapt merkbart, og spesielt ikke når det spises opp av økte barnehagepriser, som det vil bli for de aller, aller fleste, eller en bærepose eller to på butikken. Men samlet sett er det penger som virkelig monner i arbeidet for å ruste Norge for framtiden. Det er en erkjennelse vi må ta på alvor. Det gjør Arbeiderpartiet. Vi kan være på vei inn i noe mer urolig farvann. Det har flere vært inne på i mange sammenhenger de siste ukene og månedene. Vi er alle opptatt av, tror jeg, det som nå skjer på norsk sokkel, og mantraet om at vi trenger flere bein å stå på, noe som mange av oss har sagt i mange sammenhenger, er mer relevant enn noensinne. Da må vi som politikere være kloke og bygge opp under de næringene hvor vi har naturlige fortrinn. Det kan være reiseliv, det kan være marin sektor, fiskerier og miljøteknologi. Vi må ikke avvikle viktige ordninger for disse næringene. Vi må holde tilbake på oljepengebruken, ikke tøye den så langt som mulig ved enhver korsvei. Vi må ha et skikkelig permitteringsregelverk for å sørge for at bedriftene makter å holde på verdifull kompetanse når ordrebøkene er slunkne. Det er framtidsrettet. Norge skal være et land med små forskjeller og store muligheter. Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett for 2015 gjenspeiler den ambisjonen som vi har for det norske samfunnet. Vi vil føre en politikk der vi møter utfordringene som fellesskap. Derfor sier vi nei til store skattekutt for de mest velstående, og bruker i stedet handlingsrommet til å investere i klima, i kunnskap, i næringsliv og i helse for å ruste Norge for Helt avslutningsvis vil jeg også gjerne benytte anledningen til å takke kollegene mine i finanskomiteen for godt samarbeid. Vi hadde en til dels tøff sjau med å få dette i havn. Vi slet med fristene våre som følge av at forhandlingene lengre tid enn man kanskje hadde forutsatt, men vi fikk det i samarbeid til, og vi har nå kommet fram til finansdebatten, hvor vi kan knives om de reelle politiske uenighetene. Jeg tror at dette kan bli en bra debatt utover dagen. Jeg tar med dette opp Arbeiderpartiets forslag. Representanten Marianne Marthinsen har tatt opp de forslagene hun viste til. Det blir replikkordskifte.

og gjøre Norge robust for fremtiden. Hvis vi ser på realitetene i det som faktisk betyr noe for den økonomiske bærekraften fremover, så er det den underliggende utgiftsveksten i statsbudsjettet. Arbeiderpartiet foreslår netto utgiftsøkninger på vel 8 mrd. kr, og det løfter den reelle underliggende utgiftsveksten på 2,3 pst. til drøyt 3 pst. og bringer den klart over den underliggende Arbeiderpartiet har selv kritisert regjeringen for å ligge over veksten i fastlandsøkonomien. Hvorfor øker de da selv den underliggende veksten og dermed binder opp en større del av oljepengebruken fremover? For det første må jeg komme med en oppklaring hvis det blir oppfattet som en kritikk av Høyres Trond Helleland for hans utsagn. Jeg sa meg tvert imot helt enig i hans utsagn om at hovedgrepene i budsjettet ligger fast. Så har vi det på plass. Så har vi det på plass. Det er helt riktig at vi bruker mer penger på barnehager, sykehus og eldreomsorg enn det regjeringen gjør. Det kan vi gjøre fordi vi ikke prioriterer milliarder i skattekutt for dem som har mest fra før. Det betyr f.eks. at vi kan gi kommunene rammer neste år som gjør at kommunene ikke trenger å kutte i velferd, slik regjeringen nå legger opp til.

til revidert, og vi ser altså at man gjør det nå. Samtlige opposisjonspartier foreslo mindre oljepengebruk enn det regjeringen gjorde. Det er et kraftig signal om at man bør dempe oljepengebruken i årene som kommer. Jeg registrerer kritikken av regjeringens bruk av 2 mrd. kr – jeg gjentar: 2 mrd. kr – mer enn det Arbeiderpartiet selv foreslår i oljepengebruk. Men tilbake igjen til det som i realiteten betyr noe for økonomien til dette landet fremover: den utgiftsveksten. Arbeiderpartiet kritiserer først regjeringen for å ligge over veksten i fastlandsøkonomien, så legger Arbeiderpartiet seg over der igjen i sin utgiftsøkning og binder på den måten opp oljepengebruk i en større skala fremover. Er det dette representanten Marthinsen og Arbeiderpartiet mener er en bærekraftig utgiftsøkning for Norge i et generasjonsperspektiv? Er dette et på å dobbeltkommunisere et budskap ut til velgerne, eller skyldes det kanskje rett og slett bare noen regnefeil hos Arbeiderpartiet? Gitt det skattenivået vi legger til grunn i vårt alternative budsjett, og gitt det skattenivået vi har gått til valg på og kommunisert til velgerne, legger vi selvfølgelig fram et opplegg som er bærekraftig, og hvor vi bruker mindre oljepenger enn det regjeringen har lagt opp til. Det er en markering fra vår side av at vi mener at den tøyingen som vi nå ser ved alle korsveier, ikke er grei. Jeg synes det er litt underlig å registrere, rett og slett, at når både Høyre og Fremskrittspartiet i valgkamp og gjennom flere måneder har gjort et stort poeng av at vi hadde en rød-grønn regjering som de mente bare brukte penger og lot det offentlige konsumet vokse, legger de selv fram et budsjett hvor veksten i offentlig konsum er høyere enn veksten i BNP. Det skjedde ikke mens vi satt i regjering, med unntak av ett år det var i 2009, med finanskrisebudsjettet. Det taler for seg at de borgerlige partiene ikke makter å forhandle seg fram til et forlik som holder utgiftsveksten nede, når dette har vært en så sentral del av egen kommunikasjon. I Arbeidarpartiet sitt alternative statsbudsjett er

motorsyklar blir dyrare, snøskuterar blir dyrare, dei fleste bilar blir dyrare, mineralolje blir dyrare, avgift på diesel blir dyrare, påhengsmotorar blir dyrare, alkoholavgiftene aukar, tobakksavgiftene aukar, og òg avgifta på alkoholfrie drikkevarer aukar med 5 pst. Det vil sjølvsagt gå hardast ut over dei som har minst å Men éi avgift er ikkje gjeninnført, arveavgifta. Mitt spørsmål til representanten Marthinsen er: Kvifor er ikkje arveavgifta gjeninnført? Jeg skjønner på representanten Hagesæter at han er dypt rystet. Jeg vil bare oppklare påstanden om at Arbeiderpartiet øker skattetrykket neste år med et tosifret antall milliarder. Det er feil. Vi foreslår nøyaktig samme skatte- og avgiftsnivå neste år som det vi hadde i fjor. Så vil jeg også si at campingvogn er noe folk flest ikke kjøper så veldig ofte, mens plastposer bruker vi hver eneste dag, i hvert fall de fleste av oss, og barnehageregningen kommer hver eneste måned. Så til arveavgiften spesifikt. Det er en avgift der vi gjennom våre år i regjering etter hvert hevet bunnfradraget kraftig fordi vi så at den traff skjevt, og at den var vanskelig å håndtere for mange helt vanlige folk som f.eks. arvet foreldrenes hus. Samtidig så vi at mange i toppen gikk klar. De med store aksjeformuer betalte f.eks. ikke avgiften i det hele tatt. Derfor fant vi det ikke hensiktsmessig å gjeninnføre den i den formen den forelå. Først vil jeg takke for et godt innlegg, med det utgangspunktet Marianne Marthinsen har, som

Men over på et annet punkt, nemlig målsettingene i klimapolitikken, som representanten Marthinsen også var innom. Vi har vært enige om målene, men uenige om virkemidlene. Biodrivstoff var jo en solid akilleshæl for den forrige regjeringen. Nå tas det et betydelig løft for å få et marked for biodrivstoff, og avgiftene reduseres. Hvordan stiller Arbeiderpartiet seg nå til et slikt grep?

Så er vi enige om klimamålsettingene, og vi er enige om at vi må ta avgiftsgrep for å få både mer klimavennlig drivstoff og flere utslippsfrie biler på veiene. Vi kommer til å støtte økt omsetningspåbud for biodrivstoff, men holder fast ved det avgiftsregimet som vi Jeg vil nevne at vi i vårt avgiftsopplegg også legger opp til et grep som gjør at hybridene blir nær 100 000 kr billigere i innkjøp. Det er helt nødvendig å få mer teknologi på veiene, og en annen teknologi enn bare den elbilen representerer, hvis vi skal ha noen som helst mulighet til å nå de målsettingene vi har satt oss for transportsektoren.

Der er det i dag store mangler, og det er svært krevende å bo og drive næringsvirksomhet uten skikkelig mobildekning og uten tilgang til bredbånd. Mitt spørsmål er om Arbeiderpartiet er enig i at det er et mål å gi absolutt alle i Norge mobildekning og bredbåndstilgang, og at det er et offentlig ansvar å sørge for at så skjer. Takk for et viktig spørsmål. Vi har mange års samarbeid bak oss hvor vi har delt et felles engasjement for vekst og utvikling av arbeidsplasser i absolutt hele landet, og jeg tror at representanten Pollestad vil finne mye prosa og også forslag til konkrete budsjettbevilgninger i vårt alternative budsjett som han vil like godt dersom han leser det. Et av de punktene som ligger der, er reversering av det kuttet som regjeringen har foreslått på bredbåndsutbygging. Det kuttet reverserer vi fordi vi mener det er en

Men når vi har et ønske om å stimulere til at folk organiserer seg i hovedsammenslutninger, er det med bakgrunn i frontfagmodellen, som har tjent Norge med stor suksess – det er bare å lese konklusjonene til Holden-utvalget. Det at vi har sterke sammenslutninger som kan ta et ansvar i lønnsdannelsen og ta et ansvar for at trepartssamarbeidet faktisk fungerer, er en uvurderlig del av det norske systemet, den norske modellen, og en viktig del av vår konkurransekraft.

at det blir lønnsomt å arbeide, ved å spare og investere i arbeidsplasser og ved at det skal bygge en god velferd for flest mulig. Det er hovedtilnærmingen i dette budsjettet, ikke bare fra regjeringspartiene, men også fra dem vi har forhandlet med og inngått forlik med. Norsk økonomi har fortsatt høy aktivitet, ledigheten er lav sammenlignet med de fleste andre land, og sysselsettingen er stigende.

Det brukes 17 mrd. kr mer i 2015 enn i 2014, og det er ett prosentpoeng lavere enn handlingsregelens forutsetning. Det er en ansvarlig og forsiktig innfasing av den økte avkastningen. Det har også fra fagøkonomer blitt beskrevet som en ansvarlig finanspolitikk og at det er godt tilpasset situasjonen i norsk økonomi. Markedene har heller ikke svart negativt på forslaget valutamarkedene har vel heller svekket seg og gitt norsk eksportindustri atskillig bedre betingelser, men det har også andre årsaker. Jeg legger merke til at Arbeiderpartiet etter sin massive kritikk av vårt budsjett ikke fant plass i sitt hovedinnlegg til å kritisere oljepengebruken. Det tar jeg til inntekt for at man også der etter hvert mener at det er godt tilpasset – ikke bare den situasjonen som var i begynnelsen av oktober, men også den som er i dag når vi står her. Viktigst når det gjelder bruken av oljepenger, er hvordan en innretter bruken, at det går til tiltak som fremmer nettopp denne verdiskapingen vi snakker om og øker produktiviteten i økonomien. økonomien. Det er slik vi har prioritert det, og nettopp slik intensjonen var da handlingsregelen ble innført, nemlig investering i kunnskap, skole, forskning, høyere utdanning, infrastruktur, vei, bane og vekstfremmende skattelettelser som kan stimulere til arbeid, sparing og investeringer. Og dette er, som nevnt, sterkt aktualisert de siste ukene med nedgang i oljeprisen og med de varslede reduksjoner i petroleumsaktiviteten. petroleumsaktiviteten. Derfor må det nå legges til rette for gode betingelser for omstilling og økt konkurransekraft, ikke minst fordi vårt kostnadsnivå, trass i svekkelsen av den norske kronen, ikke er konkurransedyktig. Det som etterspørres for å skape disse arbeidsplassene og for å legge dette grunnlaget for velferden, er først og fremst en kompetent fremtidig arbeidsstyrke i dette landet. Det betyr, som vi gjør i budsjettet og som vi gjør i forliket, en kraftig satsing på skole, høyere utdanning og forskning. Vi kommer ikke til å bli billigst på noe tidspunkt, tror jeg, vårt kostnadsnivå er for høyt. Men vi kan bli smartere, vi kan bli flinkere, vi kan bli raskere og bedre utdannet enn våre konkurrenter, og vi kan få en bedre teknologiutvikling. teknologiutvikling. Derfor er det historiske løftet i etter- og videreutdanningen av lærerne helt sentralt. Skal vi løfte elevenes læring i fremtiden, må vi løfte lærernes kompetanse i dag. Vi må øke karakterkravene, forlenge lærerutdanningen og øke kompetansekravene ved skolene – og det gjør vi.

Reduksjoner i skatte- og avgiftsnivået øker verdiskapingen. Det gir mer frihet for enkeltmennesker, det stimulerer til sparing og til investeringer i norske arbeidsplasser ved lavere skatt på eierskap. Betydelig økning i bevilgninger til næringsrettet forskning og innovasjon, skatteFUNN, BIA, og såkornfond hører med. Forskning og innovasjon er helt sentralt for nye ideer, ny teknologi og økt konkurransekraft. Norsk eierskap, som representanten Marthinsen nylig brukte veldig mye tid på å snakke om, er i dag diskriminert gjennom formuesskatten. Utlendinger betaler ingen skatt for å eie i dette landet, mens norske eiere av små og store bedrifter betaler skatt av investert kapital i maskiner og driftsutstyr, enten det går med overskudd eller ei. Mange norske bedrifter må årlig tappes for beløp som kunne vært brukt til utvikling av lønnsomme, nye arbeidsplasser i stedet for å betale skatt på ulønnsomme, gamle arbeidsplasser. Debatten forsøkes dreid til en fordelingsdebatt. Det er det ikke. Det er først og fremst en verdiskapingsdebatt. De fordelingspolitiske virkninger er selvsagt der, men de er små. Det blir ikke færre fattige av økt formuesskatt. Det blir heller ikke færre rike, men det blir færre lønnsomme, nye arbeidsplasser og færre sikre, gamle arbeidsplasser. Det betyr at jobbmulighetene blir færre. Det å være innenfor eller utenfor arbeidslivet er det som skaper ulikheter, ikke skattestatistikken. Derfor må vi skape flere jobber, og det gjør vi ved å stimulere dem som skal etablere disse arbeidsplassene. Så vil det være sentralt med en effektiv og ubyråkratisk offentlig sektor for fremtidig verdiskaping. Der tar også regjeringen og samarbeidspartiene grep gjennom effektivisering og avbyråkratiseringsreformen. Ellers i dette budsjettet har vi en historisk satsing på helse: 2 mrd. kr mer til pasientbehandling, flere tusen flere omsorgsplasser, aktivitetsplasser for demente, fritt behandlingsvalg, brukerstyrt personlig assistanse og ikke minst – et ikke glemt, men forsømt område – styrket innsats innenfor rus og psykisk helse. På justissektoren er det gode bevilgninger. Jeg hører da heller ingen kritikk. Kommuneøkonomien har en realvekst på rundt 1,5 pst. – det er omtrent som det har vært tidligere. Det er ikke noen katastrofe i norske kommuner. Det er på det jevne. Det er alltid behov for å prioritere. På klimasiden er det heller ikke slik at ingenting er gjort. Vi øker investeringene i klimafondet, vi viderefører fordelene for elbiler og forsterker dem for hybridbiler, det er en betydelig kollektivsatsing, og det er enøkstøtte. Småkraftverk, som har slitt i mange år for å få bedre skattebetingelser, får det. Det er en internasjonal klimainnsats, bl.a. med betydelige investeringer til Det har vært en lang høst med forhandlinger. Men samarbeidspartiene har i høst, gjennom dette som har foregått i Stortinget og gjennom forliket, fulgt opp det vi sa i Nydalen etter at velgerne i fjor høst mente de ville ha en forandring, at de ville skifte ut den sittende regjeringen. Vi har i åpenhet og med respekt for hverandre fremforhandlet et forlik, som bygger nettopp på den friheten og tilliten til hvert enkelt menneske, til familien, gründere, lokalsamfunn og frivillighet – dette som var på tapetet i Nydalen, og som er nedfelt i erklæringen. Det er skapt ytterligere rom for privat, lokalt og frivillig initiativ, og ikke minst – respekten for og nytten av kunnskap. Kunnskap og økt kompetanse gir menneskene frihet, men bidrar også selvsagt positivt til arbeidsplasser og til næringsutvikling og styrker dermed velferden. Det er i forliket lagt vekt på, i tråd med Nydalen-avtalen, omsorg og solidaritet med svake grupper, internasjonal solidaritet og sosialt ansvar. Det er ikke minst lagt vekt på at verdier skal skapes før de kan fordeles. Valgfrihet og fleksibilitet for familiene er helt sentralt. Det ligger i respekten for enkeltmennesket. Ansvarlig økonomisk politikk har ligget bak forhandlingene og forliket. Oljepengene skal brukes nettopp til det som komitélederen tok til orde for, nemlig til investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser for å styrke verdiskapingen. Alt dette sto samarbeidspartiene samlet om høsten 2013. Jeg oppfatter at vi etter forhandlingene står minst like sterkt samlet som da det norske folk ga oss sitt tillitsvotum i september i fjor. Jeg benytter derfor anledningen til å takke for et langt og, la meg også si, sterkt samarbeid i disse høstukene på Stortinget. Jeg mener resultatet ble godt, Stortinget. Jeg mener resultatet ble godt, og jeg mener ikke minst at det lover godt fremover for utviklingen av det borgerlige samarbeidet i Norge og for det felles arbeidet med å utvikle samfunnet i tråd med det velgermandatet vi fikk. Det blir replikkordskifte.

At hun da skulle bli den statsministeren som brukte alle muligheter til å bruke enda mer oljepenger, er på grensen til oppsiktsvekkende. Som vi hørte: Både i tilleggsproposisjonen i fjor, i nysalderingen og i revidert ble fristelsen for stor. Jeg konstaterer også at alle de andre, alternative budsjettene fra partiene på Stortinget inneholder mindre oljepenger enn regjeringens. Kan representanten Flåtten da fortelle hvor mange oljekroner som nå brukes feil? Kan han også fortelle oss om andelen feilbruk av oljekroner gikk opp eller ned med forliket med Kristelig Folkeparti og Venstre? Det er sikkert oljekroner som fortsatt brukes feil, men det er færre enn under den rød-grønne regjeringen, fordi de områdene som jeg nå nettopp brukte ti minutter til å snakke om, nemlig infrastruktur, vei, bane, det som vil gjøre det lettere for næringslivet i distriktene, skole, kunnskap, høyere utdanning, forskning og ikke minst vekstfremmende skattelettelser, bl.a. på formuesskatten, som gjør det lettere å etablere nye arbeidsplasser, drive de gamle arbeidsplassene og sørge for at folk får en jobb. Det er nemlig det som skaper den største ulikheten i samfunnet. Når det gjelder Arbeiderpartiet, øker de utgiftene med det de øker skattene med og kommer opp i en betydelig utgiftsvekst, som ligger godt over 3 pst. Det er også noe som er lite bærekraftig i et generasjonsperspektiv, og dette gjør de i sitt alternative budsjett.

Og ikke minst: Hva slags konkrete tiltak brukes det nå mer penger på enn tidligere? Jeg leste i avisen at støtte til samisk og til folkehøyskoler var to av de tiltakene. Det støtter også Arbeiderpartiet. Lettelser i formuesskatten er nevnt, men det er jo bortimot unison enighet blant ekspertene om at det ikke er spesielt

ikke synes at reduksjoner av formuesskatten er særlig vekstfremmende. Det er heller ikke riktig at eksperter over hele linjen sier at det er slik, som også Marianne Marthinsen sa. La meg gå tilbake til avisoppslaget som var i VG, hvor 20 økonomer sier hva de synes om dette. Det man da ikke skiller mellom,

til 500 kr – altså subsidierer man alle som handler på nett på utenlandske nettbutikker og straffer alle i norsk varehandel, som må betale full norsk moms fra første krone. Hvorfor gjorde Høyre dette uten en konsekvensutredning? Kan Flåtten i dag si at det var et feilgrep, og at man vil gå tilbake på den politikken, eller vil Høyre fortsatt mene at det var rett å heve grensen til 500 kr, selv om både Virke, NHO, Stormberg, Komplett.no og alle i varehandelen advarte mot dette på det sterkeste og sa at det kunne sette titusenvis av arbeidsplasser i fare? Det kommer litt an på om man spør om jeg fortsatt mener det som lå i budsjettet, eller det som vi har blitt enige med de andre partiene om, nemlig en grense på 350 kr, som jeg tror kan være mer tilpasset. Det Trygve Slagsvold Vedum glemmer, er at dette dette også har et forbrukerperspektiv. Veldig mange handler på nett. Vi hadde den gamle 200-kronergrensen. Nå har vi fått en 350-kronersgrense, som inkluderer frakt og omkostninger. Det er en veldig liten forskjell, og jeg tror ikke det kommer til å spille veldig stor rolle for norsk varehandel om denne grensen innføres. Det som spiller en stor rolle for norsk varehandel, er konkurransen mellom netthandel og varehandel, er konkurransen mellom netthandel og varehandel. Den er der, har vært der i flere år og vil komme for fullt. Det er en betydelig utfordring for detaljhandelen og varehandelen som ikke vi kan gjøre noe med utover å sette grensen her eller der. Når eg reiser rundt omkring i Noreg og møter næringslivsfolk, er

i periodar der industrien ikkje har ordrar i boka. Det er store kutt i regional utvikling, som skal leggje til rette for felles, store satsingar. Ein føreslo ingen nye såkornfond i regionar som skrik etter kapital. Og når det gjeld Copernicus-programmet: Kva i all verda var det for ei satsing – på eit område der Noreg faktisk er verdsleiande? Mitt spørsmål til representanten er – og her kunne vi jo ramse opp mange fleire ting: Korleis forsvarar Flåtten desse kutta? For å ta bare et par av dem: Jeg har lyst til å vende tilbake til formuesskatten, for jeg forstår det slik at representanten nå snakker med næringen, og at heller ikke den synes at det bidrar til å investere i nye arbeidsplasser. Jeg tror man foretar et veldig selektivt utvalg av

når vi besøker dem – at samferdsel er helt sentralt. Én ting er å drive bedriftene ute i distriktene, men man skal også ha fisken ut, ha tømmeret ut – man skal ha produktene ut – og da trenger man veier. Dette er noe som rammer hele tiden, og ikke selektivt, ut fra hvordan det offentlige håndterer

Kva er målet med næringspolitikken til Høgre – når ein gjennomfører desse tiltaka? Målet med vår næringspolitikk er å etablere flest mulig nye – og ta vare på eksisterende – arbeidsplasser over hele landet. La meg benytte anledningen til å ta opp nettopp det som representanten var inne på, nemlig at 40 pst. av med store formuer befinner seg i dette området. Det spiller ingen rolle hvor skattyterne befinner seg. Det som spiller noen rolle, er hvor pengene deres brukes. Man kan sikkert sette opp lister over adresser i denne byen og i andre velstående områder på Østlandet for å finne ut om det er der pengene befinner seg – men de gjør ikke det. De befinner seg ute i distriktene, ute i fiskeværene, ute i skogene – på veldig mange steder hvor man har investert pengene sine for å etablere nye arbeidsplasser. Det er det forholdet man glemmer når man lager statistikker og sier at det er her rikdommen ligger. Nei, den ligger ikke her, den ligger der hvor den investeres i arbeidsplasser. Rikdom er arbeidsplasser – for dem som eier dem, og for dem som jobber der. Høyre gikk til valg på et oppløftende løfte om en grønnere politikk enn det de rød-grønne klarte å levere, og

virkelige valg når det gjelder å kutte oljepengebruken, virkelige valg når det gjelder å overføre rammevilkår fra olja til nytt grønt næringsliv. Isteden har vi fått et budsjett som er preget av enda mer oljepengebruk, enda mer oljesatsing, enda mer satsing på vei enn på kollektiv. Kan representanten forklare på hvilken måte et slikt budsjett er grønnere enn andre budsjetter og tidligere budsjetter? Det jeg kan forklare, er at når representanten Hansson tror at vårt budsjett og det fremforhandlede budsjett skal ligne på Miljøpartiet De Grønnes budsjett, må han smøre seg med tålmodighet. Hvis man ser på totaliteten i Miljøpartiet De Grønnes

Vi går frem på en helt annen måte. Vi går frem ansvarlig, og noen vil kanskje si at vi går frem langsomt når det gjelder det grønne skiftet, men ting endrer seg. Det er ingen tvil om at vi har tilført mer penger til Klimafondet, vi har gjort noe med fordelene for elbilene, som videreføres, vi har forsterket dem for vi har i forliket flyttet ytterligere penger fra vei over på bane, vi har en betydelig enøkstøtte gjennom Enova, og småkraftverkene – det er grønt – har vi gitt bedre skattebetingelser. Det er en rekke forhold som vi har god samvittighet for. Replikkordskiftet er omme. Natt til fredag 21. november, etter 17 dagars forhandlingar, litt før klokka halv fem om morgonen, blei dei fire samarbeidspartia einige om neste

forhandlingane. Ueinigheit har det sjølvsagt vore, men i motsetning til under den raud-grøne regjeringa har dei vanskelege sakene denne gongen blitt løyste på Stortinget og ikkje i regjeringslokala. Det har medført at partipolitisk ueinigheit lettare har kome til syne no under ei mindretalsregjering enn då vi hadde ei fleirtalsregjering. Eg trur nok at det var minst like mykje ueinigheit mellom Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet, men sidan den ueinigheita fann stad i regjeringslokala, blei den ikkje kjend i media, og det såg derfor ut som ein rolegare budsjettprosess Uansett: I dag er dette Det som betyr noko i dag, er at vi har einigheit om eit statsbudsjett – statsbudsjettet 2015 – og at vi har fått eit fantastisk godt budsjett som peikar i ei anna retning enn den den førre regjeringa gjekk i. Statsbudsjettet 2015 er eit budsjett som løyser viktige oppgåver i dag, og som rustar Noreg for framtida. Det er vi i Framstegspartiet veldig veldig glade for. Vi lever i ei veldig usikker verd. Store delar av verdsøkonomien slit. Størst usikkerheit er det kanskje når det gjeld utviklinga i Asia. I Europa går det trått. Noreg har i lang tid vore annleislandet i Europa med god økonomisk vekst, fordi vi har surfa på ein oljepris som har vore rekordhøg i mange år. Oljeprisen er som kjend i fritt fall og er no faktisk under 70 dollar fatet. Det er noko som skapar betydeleg usikkerheit og store utfordringar framover. Det betyr at behovet for vekstfremjande skattelettar, investering i infrastruktur for framtida og avbyråkratisering og forenkling er viktigare enn nokon gong tidlegare. Dette budsjettet tar viktige grep for å forbetre norsk konkurransekraft og tryggje norske arbeidsplassar. I åtte år, under det raud-grøne styret, blei norsk konkurransekraft svekt, og produktiviteten utvikla seg svakare enn lønskostnadane. Det gjer oss sjølvsagt sårbare for fall i oljeprisen og sårbare for Heldigvis er det altså i dag fleirtal for eit budsjett som gjer norsk konkurranseevne og Noreg meir robust for framtida, og det er veldig viktig. Budsjettet inneheld skatte- og avgiftslettar på 5,2 mrd. kr, og det kjem sjølvsagt i tillegg til dei skattelettane for inneverande år som blir førte vidare til 2015. Det gjer vi for å sikre norsk konkurransekraft, for å tryggje norske arbeidsplassar og for å gi meir fridom og velferd til den enkelte, fordi ein får behalde meir av sine eigne pengar. Ein stor del av skattelettane er reduksjon i den særnorske formuesskatten. Det er viktig fordi formuesskatten gir norskeigde arbeidsplassar i forhold til arbeidsplassar som er eigde frå utlandet. Det betyr altså at norske eigarar, i motsetning til utanlandske eigarar, må ta ut pengar frå bedriftene for å betale formuesskatt. Når ein tar pengar ut av bedriftene, blir det altså mindre pengar igjen i bedriftene til å betale løn, til å investere for framtida og til å tryggje norske arbeidsplassar.

konkurranseevna. Det vil truleg ha meir å seie i Distrikts-Noreg enn i dei store byane på grunn av at ein er meir avhengig av bilen som framkomstmiddel i Distrikts-Noreg enn i sentrale delar av dei store byane. Som i statsbudsjettet for 2014 er også statsbudsjettet for 2015 eit rekordbudsjett når det gjeld satsing på infrastruktur. Aldri tidlegare har det blitt investert så mykje i veg og bane som det blir investert neste år. Det betyr mykje meir veg, det betyr betre vegar, og det betyr også ei historisk satsing på bane, som igjen betyr lågare transportutgifter for både bedrifter og enkeltpersonar. Statsbudsjettet gir også tydelege føringar for avbyråkratisering og forenkling, og det er viktig fordi dei store pengane no skal brukast på vekstfremjande tiltak og gode tenester til innbyggjarane, ikkje på byråkrati og detaljstyring. Avbyråkratisering og forenkling er viktig for å styrkje konkurransen og gjere Noreg meir robust for framtida. Det er sjølvsagt ein omfattande og lang prosess, som regjeringa har levert på – og fortsatt leverer på. på. Også i dette budsjettet blir det tatt grep for å avbyråkratisere og forenkle. Det blir sett i verk ei avbyråkratiseringsreform der ein stiller krav til statlege verksemder om ei årleg effektivisering på 0,6 pst. Dette er noko OECD har anbefalt Noreg å gjere, og det er også noko som fleire OECD-land allereie har innført. Sjølv om dette kravet til effektivisering er langt mindre enn den effektiviseringa mange private bedrifter må gjennom kvart år, rett og slett for å overleve, er dette likevel eit viktig bidrag til å få mest mogleg velferd for kvar skattekrone. Helsekøane i Noreg blei lengre under den førre regjeringa. I dette budsjettet er helse styrkt, slik at fleire kan få behandling til rett tid. Kriminalitet har utvikla seg til å bli eit betydeleg problem. Derfor er eg glad for at justissektoren er prioritert så sterkt som han er i denne innstillinga. Dette budsjettet betyr meir pengar til kampen mot kriminalitet. Dette er eit budsjett som er godt tilpassa dei ufordringane vi står føre, og eit budsjett som også rustar Noreg for framtida. Vi må nemleg vere førebudde på at oljeprisen kan falle ytterlegare, at han kan bli liggjande på eit veldig lågt nivå i lang tid, og vi må også vere førebudde på at verdsøkonomien kan få seg ein ny nedtur. Det betyr sjølvsagt at vi må Vi må stadig fornye og forbetre, og vi må òg vere førebudde på det uventa. Den sannsynlegvis viktigaste ufordringa vi står føre no, er å leggje eit godt grunnlag for auka vekst, verdiskaping og sysselsetjing. Veldig mykje tyder på – også dei siste dagane med fall i oljeprisen – at kampen for gode og trygge arbeidsplassar blir særdeles viktig og kanskje den viktigaste utfordringa i åra framover. Dette er eit budsjett med ei ny retning, som har klare prioriteringar, og som er godt tilpassa dei utfordringane vi står føre. Dette er eit budsjett som styrkjer konkurransekrafta og tryggjer velferda på både kort og lang sikt. Dette er eit budsjett som legg til rette for ein enklare kvardag for folk flest. Derfor er dette ein god dag. Det er ein god dag for regjeringspartia Framstegspartiet og Høgre. Det er også ein god dag for Kristeleg Folkeparti og Venstre, som vi har forhandla med og fått til eit veldig godt budsjettforlik med. Sist, men ikkje minst, er dette ein veldig god dag for norsk konkurransekraft og velferd, for Noreg og for det norske folk. Det blir replikkordskifte.

sier følgende: «Hadde jeg visst hva FrP sto for, ville jeg aldri i verden stemt på dem.» Det at Fremskrittspartiet nå er under 10 pst., kan tyde på at flere tenker det samme, og det er nok mange som ikke kjenner igjen eget parti. Vi undres på om Fremskrittspartiet kunne ha lagt fram et så usosialt budsjett mens Carl I. Hagen og John Alvheim fortsatt satt på Stortinget. Jeg vil spørre representanten: Hva skal Fremskrittspartiet si til dem, til disse velgerne som nå lurer heldigvis har vi Kristelig Folkeparti, som kan holde oss litt i ørene? Denne regjeringa har ein heilt annan kurs enn det den førre regjeringa hadde. Den førre regjeringa auka skattar og avgifter. Denne regjeringa reduserer skattar og avgifter. Så er det slik at ein stor del av dei skattelettane er formuesskatt, og ein kan altså ikkje kutte i formuesskatt og gi det ein sosial profil. Men grunnen til at vi likevel kuttar i formuesskatten, er jo at han er særnorsk, og at eigarane av norske bedrifter – også sentrale i Arbeidarpartiet – må ta ut utbyte frå sine bedrifter for å betale formuesskatten. Og då betyr det altså at det blir mindre pengar igjen i bedriftene til å betale løn, til å investere for framtida og til å tryggje arbeidsplassane. og til å tryggje arbeidsplassane. Det er arbeidsplassane vi er opptekne av, og dei kjem vi til å vere opptekne av å sikre framover, og derfor har vi ein slik profil. Det er interessant at Hagesæter nå innrømmer at man ikke kan gi disse skattekuttene en sosial profil, for i budsjettet har Fremskrittspartiet hevdet å ha fått gjennomslag for folk flest på en rekke områder. De har sagt at de vil gi lettelser til vanlige folk, men vi som har lest budsjettet, ser jo at lettelsene til folk flest

og hadde det ikke vært for at Kristelig Folkeparti og Venstre fikk jekket satsen på formuesskatten litt ned i forliket, så hadde folk med mest fått enda mer. Det hadde vært fristende å spørre Fremskrittspartiet nå om de skal få ny logo, men jeg nøyer meg med å spørre hvordan de overfor disse velgerne kunne forsvare et budsjett som ga så mye til så få, og så lite til så mange? Folk flest kjem betre ut i dette budsjettet. Alle inntektsgrupper får skattelette. I tillegg er det ein omfattande avgiftslette som då sjølvsagt speler størst rolle og betyr mest for dei som har minst å rutte med. For dei rike betyr ikkje avgiftslettane så mykje. Når vi reduserer omregistreringsavgifta, avgift på bilar, avgift på drivstoff, avgift på ei rekkje område, er det dei som har minst å rutte med, som kjem best ut. ut. Så har vi kutta i formuesskatten. Det er fordi folk flest har ein jobb, og for at dei skal ha ein trygg jobb, kan vi ikkje ha særnorske avgifter som vil gå ut over arbeidsplassane. Då er det slik at når bedriftseigarane får formuesskattelette, så er dei også dei rike. Dersom vi hadde funne ut at det gjekk an å gi skattelette til fattige bedriftseigarar, hadde det sjølvsagt vore bra, men det er ikkje mogleg. Før valget syntes Fremskrittspartiet at det var smart å avskaffe bompenger, og i budsjettredegjørelsen fikk vi

med statlig finansiering av omsorgstjeneste. Det skal altså utredes hva slags forsøk som skal gjennomføres, så skal det gjennomføres, og så skal det evalueres. Utfallet er uvisst, og det er satt av 20 mill. kr til det. Hvor er handlekraften?

kutt i bilrelaterte avgifter på nesten 2 mrd. kr. Det er historisk, og det kan folk flest som har bilar, glede seg over. Det er en ny definisjon av handlekraft Gjermund Hagesæter kommer med her. Man setter ikke i gang et forsøk i årets statsbudsjett, man setter av midler til et 20 mill. kr er ikke handlekraft, men det motsatte. Treneringskraft kaller man denne type ordbruk i et departement. Det forunderlige er at da Gjermund Hagesæter var i opposisjon, var han meget indignert over skattesvikten i kommunene, som da var på 2,2 mrd. kr i 2004. Grunnen til at Hagesæter var indignert, sammen med daværende representant Siv Jensen og Per Sandberg, var at det kom til å ramme landets eldre og unge. Derfor tvang Fremskrittspartiet igjennom i nysalderingen 2,2 mrd. kr mer til kommunal sektor. Hva er annerledes nå i forhold til i 2004? Det kommer til å ramme de eldste at vi nå har en gedigen skattesvikt på kanskje opp mot 3 mrd. kr i norske kommuner. Når det gjeld statleg finansiert eldreomsorg, viser i alle fall regjeringspartia og mange gonger større handlekraft enn det Senterpartiet viste då dei satt i regjering, for dei gjorde ingen ting med det, og dette er ei viktig sak. Kommunane får eit solid løft til neste år. Dei får eit realløft, som gjer at ein kan få fleire og betre tenester. I tillegg til det har ein sett i verk ei avbyråkratisering og forenkling på mange område, til dømes når det gjeld plan- og bygningsloven, der kommunane i dag brukar veldig mange årsverk på å slåss med fylkesmannsembeta, og dei brukar mange ressursar på grunn av at det tar lang tid å få behandla saker etter plan- og bygningsloven. Der har vi altså forenklingar som gjer at ein kan konsentrere dei pengane kommunane får, til betre tenester til innbyggjarane, ikkje til byråkrati og

mange som er misfornøyd med den sosiale profilen i statsbudsjettet. Folk flest er misfornøyd med den sosiale profilen i statsbudsjettet. Sentrale FrP-ere har meldt seg ut av partiet i protest mot den sosiale profilen i statsbudsjettet. Det kuttes i alt fra permitteringsordningen for arbeidere i industrien til tilrettelegging for rekruttering av arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne. Det kuttes i stønaden til barnetilsyn for enslige forsørgere, det kuttes i tilretteleggingstiltak under sykepenger – det kuttes til og med i gravferdsstønaden. Kan Gjermund Hagesæter med et ærlig ansikt stå her i salen og si at han er fornøyd med den sosiale profilen i Fremskrittspartiets første statsbudsjett? Det kan eg gjere. Eg er veldig, veldig fornøgd med den sosiale profilen i dette budsjettet. Dette er det beste budsjettet Noreg har hatt nokon gong. Vi har greidd å gi skattelettar til alle inntektsgrupper.

elavgifta betrakteleg meir enn det som også ligg inne i forliket – med fleire øre meir. Ein aukar også avgiftene på ei mengd område. Det som SV då ikkje tar innover seg, er at det er det er dei som har minst å rutte med, som får størst belastning når ein aukar avgiftene – det er ikkje dei rikaste, det er dei som sit

Er det virkelig sånn at Gjermund Hagesæter mener at 3 mrd. kr i skattekutt til de aller rikeste menneskene i landet har vært viktigere i år enn å sørge for at folk flest, som gjør en god dags arbeid, skal sitte igjen med litt mer av kaka her i landet? Når det gjeld dette med kvifor vi har kutta i formuesskatten, har eg forklart det tidlegare: Det er for å tryggje og sikre dei norske arbeidsplassane. Formuesskatten er ein særnorsk skatt som utanlandske eigarar slepp unna. Det er veldig viktig med tanke på å sikre god sysselsetjing framover. Når det gjeld det alternative statsbudsjettet til SV, er det riktig at det inneheld nokre lettar for dei fleste gruppene, iallfall dei med lågast inntekt, men det inneheld også betydelege avgiftsskjerpingar. Når det gjeld denne poseavgifta, kom altså ikkje det forslaget frå Framstegspartiet. Men i forhandlingar må vi

Men det er ofte en sekkepost. Norges store suksess har vært at vi er et land med små forskjeller mellom folk, og at vi har tatt hele Norge i bruk – med de store verdiene det har gitt. Men et samfunn med små forskjeller kommer ikke av seg selv. I Norge har vi hatt en vilje til omfordeling, vi har brukt politikken aktivt, og vi har bosetting rundt omkring i hele landet. Vi har brukt politiske virkemidler til å stimulere til verdiskaping langsiktig forvaltning av våre mangfoldige naturressurser – av vårt mangfoldige land. Med det dramatiske kursfallet vi nå ser i oljeprisene, er det mye usikkerhet om det året vi går inn i. Anslag som ligger til grunn for budsjettet, er det også veldig mye usikkerhet rundt. Derfor ble vi i Senterpartiet da man kom med budsjettforliket, litt overrasket over at man bare tok med de plussregnestykke og ikke tok inn over seg oljeprisfallet. Men det ligger til grunn, og vi kommer sikkert tilbake igjen til det. Senterpartiets helhetlige budsjettalternativ er et forslag for levende bygder, grønne byer og små forskjeller. Regjeringens forslag er det motsatte. Det er et forslag for større forskjeller, sosialt og geografisk. Det er én sak som har vært hovedprioritet, og det er lettelsen i formuesskatten. Måten kuttene er innrettet på, treffer Høyres som bor i de største husene i de beste bydelene i de største byene. Men gir det mer verdiskaping? Vi mener ikke det. Vi i Senterpartiet har en helt annen målretning på vårt budsjett. Vi ønsker å bedre avskrivningssatsene for transportsektoren. Vi ønsker å satse på industrien og gi bedre avskrivningssatser for dem. Vi ønsker at de som jobber med fiskeri og jordbruk, skal skattlegges mildere. Vi ønsker momsregler tilpasset næringens behov, ikke bare å tenke ensidig og kortsiktig på hva som gagner forbrukerne i morgen. For på lang sikt er det klokt at vi har en levende og god varehandel i Norge. Derfor er vi ikke med på de populistiske endringene når det gjelder momsgrensen. Vi ønsker å videreføre den på 200 kr. Vi ønsker å ha lavere gebyrer for næringsmiddelindustrien, som er en av landets mer midler til økt verdiskaping innenfor marin sektor, sånn at vi ikke bare blir en råvareeksportør, men at vi også har videreforedling av råvarene i Norge. Vi har en tung skogpakke sånn at vi skal bruke de ressursene vi har der, og de mulighetene den industrien gir. Vi vil innføre et ROT-fradrag. Det er en tung satsing. Det er ikke sånn at vi ønsker en skattestimuli til mer oppussing av bolig, men det er for å styrke den seriøse delen av byggenæringen, sånn at vi får hvitvasket den næringen. Vi tror at vi på sikt vil tjene på det også skattemessig. Vi har en aktiv næringspolitikk, ikke en passiv næringspolitikk – en stor forskjell mellom den politikken regjeringen legger opp til, og den politikken vi legger opp til. Så synes vi det er skuffende at Fremskrittspartiet ikke får til en bedre samferdselssatsing med det dette budsjettet gir av muligheter.

handler også om å bygge ut infrastruktur. Det viktigste fordelingstiltaket i budsjettet er punkt nr. 1, å ha en helt annen skatteprofil enn det som ligger i regjeringens opplegg. Det andre er å ha en mye tyngre satsing på kommunal sektor. For med den skattesvikten vi nå ser i kommunene, kommer det til å bli mange velferdskutt til pleie, omsorg, skole og de yngste i året som kommer. Derfor vil vi gi 2,5 mrd. kr mer til kommunene enn foreslått fra regjeringen. De eldste og til kommunene enn foreslått fra regjeringen. De eldste og de yngste kan bli årets store budsjettapere. Det er kun ett løfte som reelt har blitt prioritert av regjeringen, og det er Høyres løfte om store skattelettelser til noen få. De med over 2 mill. kr i inntekt har gjennom disse to årene fått over 60 000 kr i skattelettelser.

Da forundrer det meg at man ikke ser forbi Holmenkollen mot resten-retorikken, som debatten om formuesskatt preges av. Senterpartiet reverserer det meste av formuesskattelettene til regjeringen og gjør formuesskatten til en ren skatt på norsk eierskap. Spørsmålet til Slagsvold Vedum er: Når mistet Senterpartiet troen på at det for verdiskaping rundt omkring i landet, og når fant de troen på at utenlandsk og statlig eierskap er så mye bedre for verdiskaping ute i hele Distrikts-Norge? Hvis en ser på Senterpartiets forslag, vil en se at det er mange skattegrep nettopp for å styrke norsk næringsliv og norsk innlandsindustri, så vi har prioritert annerledes enn det Høyre har gjort. Høyre har egentlig gjort én prioritering,

skattelettene mye mer målrettet for å treffe ulike deler av næringslivet. Vi har ikke tro på at en så passiv inngang som regjeringen har valgt, er det som vil gi mest verdiskapning på sikt. Men det var ikke det jeg spurte om. Jeg spurte om det lokale eierskapet. For å være helt konkret i min utfordring er Østerdalen et område som ikke akkurat er sentralt i Norge, og som både Slagsvold Vedum og jeg er glad i.

Slagsvold Vedum er: Hva sier han til dem som har lyst til å investere i nødvendig infrastruktur rundt omkring i Distrikts-Norge, når Senterpartiet så kraftig signaliserer at alle som gjør det, skal få en ekstra straffeskatt av Senterpartiet? Jeg er ikke enig i virkelighetsbeskrivelsen til Gunnar Gundersen når det gjelder vårt skatteopplegg. Når man ser på vårt skatteopplegg, vil et fylke som Hedmark komme svært godt ut av det. det. De som driver næring i Hedmark, vil komme svært godt ut av det med de skattelettelsene vi har, så det vil bli mer lønnsomt og tryggere å investere i Hedmark enn med Høyres opplegg. Problemet i Hedmark er at det er for få med formue, ikke for mange. Så vi må sørge for å bygge opp næringsaktivitet som gjør at flere tjener penger og får midler i vårt fylke. For det er et gode for et samfunn at folk tjener penger, det er et gode at folk vil investere i bedrifter. Men vi må ha et for det er et spleiselag. Selvfølgelig synes alle at det å betale skatt er en belastning, men alle må bidra for at vi skal få til at vi skal kunne drive med skole, pleie og omsorg, sykehus, ha en aktiv fordelingspolitikk og samtidig ha en aktiv samferdselspolitikk. Vi har laget et skatteopplegg som vil treffe bedriftene mye mer målrettet, med direkte skatteletter i de fasene man trenger det – når man investerer og når man satser videre.

De nye særnorske finansskattene skal komme på toppen av nye kapitalkrav. De norske sparebankene og finansnæringene vil ikke ha andre muligheter enn å sende regningen til sine kunder. Hvordan ser Senterpartiet for seg at den nye finansskatten skal kunne avhjelpe konkurranseevnen til norske banker og finansselskap – og ikke minst ungdom i etableringsfasen – ved høye rentekostnader?

med Sveits har en transaksjonsskatt, så det er mange land rundt i Europa som har ulike skattemodeller for finansnæringen. Jeg mener det er viktig at vi også tør å ta en debatt om det i Norge – når vi nå går inn i diskusjonen om Scheel-utvalget – og vi peker ut en retning her, og ser fram til videre debatt i Stortinget.

Men vi kan jo ikke ha som ambisjon at det å reversere kutt er en satsing. For det var det Kristelig Folkeparti klarte: å reversere en del kutt – det er jeg glad for – men det er ikke noen offensiv, ny satsing. Så senere når man siterer, må man være ordentlig og skikkelig, og lese hele, og få fram hva Bondelaget faktisk sa, og de sa det var bra at Kristelig Folkeparti rettet opp de feil som regjeringen hadde gjort. Men som sentrumspartier må vi ha større ambisjoner enn som

er at ein heller skal hjelpa folk i dei landa dei kjem frå. Spørsmålet er: Korleis heng det å hjelpa folk i dei landa dei kjem frå, saman med å kutta 2,5 mrd. kr i løyvingar som i all hovudsak går til dei same landa? Da jeg satt i regjering, fikk vi en evaluering av EØS-midlene av Riksrevisjonen, som så på effekten av EØS-midlene. Den påpekte at effekten når det gjelder sosial eller grafisk utjevning, var veldig usikker, og at det ikke var noe målrettet virkemiddel. I 2013 brukte man mindre enn den bevilgningen vi foreslår. Så det er reelt sett ikke noe kutt, men det er et kutt i forhold til det som foreslås, fordi det er blitt holdt tilbake midler de senere årene. Så bør vi i Stortinget diskutere utviklingen med stadig økte EØS-midler. Det skal være en balansert avtale, der vi skal være med og finansiere de felles institusjonene, men nå har den blitt mer og mer et middel som brukes for å presse oss for mer midler hvert år. Før jul har EUs egne medlemsland kuttet i sine bevilgninger til EUs felles organer, og da er det urimelig at vi i Norge skal øke når alle andre land kutter. Replikkordskiftet
Terje Breivik,

dag. Ofte kostar det mykje å gjera dei rette tinga. Gevinsten kan likevel verta enda større. Det handlar om vilje og djervskap. Og sjølv om Noreg reint finanspolitisk er heldigare stilt enn dei fleste, står me òg framfor nokre store utfordringar. Miljø- og klimautfordringane må løysast. 2020 er berre Me har eit ansvar og forpliktingar me ikkje når, dersom me ikkje gjer dei rette og viktige grepa i løpet av dei kommande to–tre åra. Det hastar. For mange er utanfor det ordinære arbeidslivet. Skal me lukkast med å gjera noko med det, må me setja i verk eit breitt spekter av tiltak – ikkje berre stirra blindt på det som ikkje har verka det siste tiåret.

for at dei som er dårlegast stilte, skal få meir og slik få det betre. Norsk næringsliv, gründerar og innovatørar slit med investeringstørke. Tilgangen på risikovillig kapital er nesten fråverande i dei mest risikofylte fasane. Nødvendig innovasjon og utvikling må stimulerast og

Det er sjølvsagt mykje Venstre er samd i i forslaget til statsbudsjett regjeringa la fram 8. oktober. Fleire saker som me òg har kjempa for i fleire år, vert no realitetar som fylgje av det forslaget, samarbeidsavtalen og budsjettavtalen i fjor. Desse sakene er m.a. etterutdanning av lærarar, eit eige regelråd for næringslivet, styrka forskingsinnsats, auka løyvingar til jernbane, auking av etableringstilskotet under Innovasjon Norge m.m. Også det viktige arbeidet med Også det viktige arbeidet med effektivisering og forenkling av offentleg sektor, m.a. gjennom nøytral moms og ei effektiviseringsreform, er positivt. Venstre hadde gjerne sett at regjeringa gjekk lenger på alle desse områda, men retninga er utvilsamt rett. Så var det ein del område der både Venstre og ei rekkje andre aktørar har vore kritiske til budsjettforslaget regjeringa presenterte: Den samla klima- og miljøinnsatsen er betre enn det dei raud-grøne nokon gong makta, men like fullt for dårleg. Den sosiale profilen var ikkje god nok. Det gjaldt både skatteopplegget, ei manglande reell fattigdomssatsing og ei rekkje usosiale kutt, både for einslege forsørgjarar, uføre og andsynes asylsøkjarar og flyktningar. Det manglar òg tiltak for å leggja til rette for nyskaping i næringslivet. Og budsjettet var i overkant ekspansivt, etter Venstre sitt syn. Venstre sitt budsjettforslag for 2015 gjer viktige grep på desse områda og er godt tilpassa utfordringane me står overfor, både nasjonalt og internasjonalt. I budsjettforslaget vårt føreslår me ei samla miljø- og klimasatsing på 4,2 der det er ei monaleg satsing på kollektivtransport og miljøvenlege transportløysingar på til saman 2,5 mrd. kr. Me føreslår eit grønt skatteskifte på 13,3 mrd. kr, eit skatteopplegg med ein heilt annan og betre sosial profil når det gjeld lettar og skattlegging av lønsinntekt og formue, og ein målretta skattepolitikk for å stimulera til innovasjon og medfører netto skatteskjerpingar på 3,7 mrd. kr, samanlikna med forslaget til regjeringa, men ein skattelette på 3,3 mrd. kr samanlikna med 2014. Me føreslår ei samla fattigdomssatsing, med eit bredt spekter av tiltak, på 2,5 mrd. kr. I tillegg vert bistandsinnsatsen til verdas fattige auka, Me føreslår ei satsing på skule, utdanning og forsking på vel 3,1 mrd. kr, der den auka forskingsinnsatsen utgjer om lag 1,15 mrd. kr, og etterutdanning av fleire lærarar utgjer 420 mill. kr. Me føreslår tiltak for å styrkja norsk næringsliv og fastlandsindustrien og for å motverka todelinga av økonomien på 6,3 mrd. kr. Me føreslår i tillegg ei satsing på kvalitet i barnehagar, lågare pris for barn i låginntektsfamiliar og fleire barnehageplassar på til saman ca. 1 mrd. kr. Me føreslår å styrkja kommuneøkonomien med om lag 1,8 mrd.kr og ei satsing på førebygging og folkehelse på om lag 1 mrd. kr. Sist, men ikkje minst, føreslår me ein oljepengebruk som er vel 3 mrd. kr lågare enn det regjeringa legg opp Målt mot dette er budsjettforliket Venstre har inngått med regjeringspartia og Kristeleg Folkeparti, mange og viktige steg i rett retning. På alle områda som Venstre prioriterer, er det monalege forbetringar. Saman styrkjer me den sosiale profilen og fattigdomssatsinga med nesten 2 mrd. kr, me løyver 1 mrd. kr meir til skule, utdanning og innovasjon, og det vert ei auka satsing på Me kan med rimeleg stor grad av tryggleik seia at dei samla norske CO2-utsleppa vil gå ned som fylgje av det budsjettet som vert vedteke i dag. Berre innblandingskravet me vedtek for biodrivstoff, vil anslagsvis redusera dei norske klimautsleppa med 200 000 tonn. I tillegg kjem billegare hybridbilar, større satsing på jernbane og kollektivtransport og eit begynnande grønt skatteregime. Resultatet er at klimautsleppa frå transportsektoren går ned. Fleire saker som Venstre har stått nærmast åleine om dei siste åra, vert no ein realitet: Sjølvstendig næringsdrivande får endeleg likestilte rettar når det gjeld omsorgs- og pleiepengar. Me aukar løyvingane til gratis kjernetid i barnehagane for 4–5-åringar, slik at nesten alle barn frå låginntektsfamiliar kan få moglegheita.

Eg har valt å bruka innlegget på å forklara hovudsatsingane i Venstre sitt alternative statsbudsjett og resultatet av budsjettforliket mellom Venstre, Kristeleg Folkeparti og regjeringspartia – ikkje på å snakka om budsjettforslaga til dei andre. Det er openbert gode forslag i alle dei andre sine alternative budsjett, som Venstre isolert sett støttar. Det er likevel ikkje sånn – som mange hevdar – at Venstre kunne fått mykje meir Det er rett at me er samde om mange påplussingar på utgiftssida, men me er til dels grunnleggjande usamde om inndekning og finansiering av Der Venstre dekkjer inn satsingar gjennom omprioriteringar, dekkjer dei andre partia i hovudsak utgiftsaukingane gjennom auka skattar – spesielt meir skatt på norsk næringsliv. For å seia det sånn: Dette ser eg ikkje som ein open invitasjon til å få gjennomslag saman med Venstre. Trass monaleg større satsingar på dei områda som er viktigast for Venstre – miljø, klima, kamp mot fattigdom, skule, utdanning, forsking, næringsliv og nyskaping

Det er ikkje nokon automatisk konflikt mellom desse storleikane, som eg truleg igjen og igjen og igjen kjem til å få høyra frå dei tidlegare regjeringspartia i debatten i dag. Det handlar om vilje til å prioritera det viktige framfor det uviktige. Eg tek til slutt opp Venstre sine forslag i innstillinga. Representanten Terje Breivik har tatt opp de forslagene han refererte til.

hele 1 mrd. kr, altså over halvparten. Om poseavgiften ikke er grønn, er det grønne skatteskiftet, fra 13 mrd. kr i Venstres alternative budsjett, kommet ned til under 1 mrd. kr, som i tillegg er langt mindre enn den lettelsen en har gått med på på bensin og diesel. Mitt spørsmål er om Venstre står ved at 1 mrd. kr i poseavgift er en del av det grønne skatteskiftet. Først takk for takken. Poseavgifta er utvilsamt ein kombinasjon av ei grøn avgift og ei rein fiskalavgift. Sånn er det ved veldig mange skattar og avgifter. I Venstre sitt alternative statsbudsjett hadde me poseavgift inne, men då i ein langt større og meir omfattande samanheng. Som eg sa akkurat no i hovudinnlegget mitt, tek me til orde for eit grønt skatteskifte på vel 13

ikke. En snakker om en kombinasjon, men signalene fra fagmiljøet er tydelige: Plastposeavgiften har ingen miljøeffekt, det oppfattes som at den innføres kun for å beholde kutt i formuesskatten til de aller rikeste. Men jeg skal invitere Venstre til å redde seg inn: VG meldte sist uke at Kiwi fra mars av planlegger å bytte ut alle fossile plastposer med miljøvennlige bioposer.

flasker og produksjon av flasker for den industrien.

Venstre uttaler i sitt budsjettalternativ at formuesskatten er en «belastning for deler av næringslivet», og videre: «På sikt bør hele formuesskatten fjernes.» Men i sitt forslag til statsbudsjett for 2015 foreslo Venstre kun å øke bunnfradraget – ingen satsreduksjon. Nå endte det jo godt i det utmerkede budsjettforliket med regjeringspartiene, men mitt spørsmål er likevel følgende: Hvordan kan formuesskatten på sikt fjernes, slik Venstre sier at de vil, uten at man på et tidspunkt også fjerner selve satsen?

og som vil treffa langt fleire småbedrifter enn om ein går einsidig på satsen – men kombinert med å gjeninnføra skatterabatt på

Så sier representanten at Venstre prioriterer det viktige framfor det uviktige. Da er det litt rystende å se at en av de næringene som Venstre angriper massivt, er den maritime næringen, som har en verdiskaping på rundt 160 mrd. kr, og som sysselsetter 100 000 mennesker i Norge. Der går en inn og over natta med et pennestrøk kutter hele nettolønnsordningen kr. Det er en tett sammenheng mellom den kompetansen som sjøfolk besitter, og vår maritime næring. Ser ikke Venstre det problematiske i å ta et sånt grep over natta? Nettolønsordninga tilgodeser ein bransje som går med går med betydelege overskot. Det er òg ei ordning som gjer at andre som driv næring til havs – fiskarar m.a. – slit med å kompensera for det lønsnivået fordi det har ein konkurransevridande effekt. Venstre har meint det same i svært mange alternative statsbudsjett: at nettolønsordninga primært må avskaffast, alternativt at ordninga bør utvidast til å gjelda òg andre som driv til sjøs.
Snorre Serigstad Valen

for det første fordi det ikke er bærekraftig å skyve regningen for regjeringens skattekutt over på framtidige generasjoner, og også fordi det ikke er miljømessig bærekraftig på sikt. Vi vil ha en god velferdsstat uavhengig av om vi har olje eller ikke. Mitt spørsmål til Venstre er: Hvordan kan Venstre kritisere andre partier for oljepengebruken når de selv ikke greier å prioritere dette når de faktisk har politisk makt?

Når det er sagt, er det ikkje tvil om at det budsjettet som vert vedteke i dag, dessverre er det minst ekspansive av alle alternativa som ligg føre. Sånn sett har både underteikna og representanten Serigstad Valen eit felles ansvar for at dette ser betre ut for ettertida. Jeg får stille meg i rekken av gratulanter for

Mange ble forskrekket over det blå budsjettet, det tror jeg Venstre også ble. Jeg skjønner at Venstre nå gjør en hard jobb for å framstille sluttresultatet som godt. Men jeg vil ta tak i ett punkt i det blå budsjettet som Venstre stiller seg bak, og det er de store skattelettene, som altså er oljepengefinansiert Hvordan tenker Venstres representant at dette bidrar til bærekraftutvikling og en god klimautvikling i Norge? Igjen takk for gratulasjonen – også til representanten Hansson. Hansson veit like godt som meg at det som er viktigast med eit budsjett, er at det faktisk fører til endringar i forbruksmønsteret. Dette er eit budsjett som for første gong i forbruksmønsteret. Dette er eit budsjett som for første gong i moderne norsk historie faktisk fører til at ein vil få reduserte CO2-utslepp innanlands. Så kan ein sjølvsagt ha ein diskusjon om kor mykje det reelt sett vert. Eg var i hovudinnlegget mitt inne på at det berre på biodiesel isolert sett vil koma på i storleiken 200 000 tonn.

Vi kunne ha vært det stortinget som sa at vi skal bidra ekstra til å løse verdens kriser. Verden opplever den største flyktningkatastrofen siden annen verdenskrig. Ebolaepidemien er fortsatt ikke under kontroll. Lidelsene er enorme som følge av krig, konflikter og uro i Irak og i Syria, men også i Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk. Vi kunne lett gitt 1 mrd. kr ekstra i et humanitært bidrag for å hjelpe på disse krisene, og vi kunne lett tatt imot flere tusen syriske flyktninger, men det gjør ikke Stortinget. Vi kunne ha vært det stortinget som møtte klimakrisen og en endret verdensøkonomi med en moderne klimapolitikk, som gjorde klimaløsninger tilgjengelige for folk flest, og en moderne industripolitikk som bidro både til klimaløsninger og til trygge arbeidsplasser i Norge. Flere miljøer skriker etter en ordentlig satsing på havvind, mens mange verft langs kysten frykter tomme ordrebøker før de kan sette i gang med Sverdrup-prosjektene. Den tiden er over at veksten på norsk sokkel kan fortsette i det uendelige. Stortingsflertallet har ingen svar på det. Hva vi skal leve av etter oljen, er fortsatt et spørsmål av abstrakt betydning for flertallet. Vi kunne fortsatt å øke mer til jernbane enn til vei, og fulgt opp løftene våre om kollektivsatsing i byene. Det gjør ikke stortingsflertallet. Vi kunne vært det stortinget som sa: I Norge skal vi bekjempe fattigdom. Vi skal sørge for at de mest vanskeligstilte familiene i Norge får mer å rutte med. Vi kunne lyttet til Fordelingsutvalgets råd og økt barnetrygden, spesielt for småbarnsfamilier og familier med mange søsken. Det vet vi virker. Vi vet at det bekjemper fattigdom. SV er alene om å gå inn for et sånt grep, og det har vi vært i mange år. Vi kunne gjort slutt på at sosialhjelpsmottakere låses fast i fattigdom ved at de får trekk i barnetrygden. Det er et helt latterlig prinsipp som praktiseres i altfor mange kommuner i Norge. Men det gjør ikke Stortinget. I stedet rammes de fattigste barnefamiliene fordi regjeringspartiene har låst seg fast i en teori om at siden arbeid skal lønne seg, må sykdom koste. Vi kunne ha vært det stortinget som fordelte motsatt vei, som økte skatten for de høyeste inntektene og de høyeste formuene, og som lot folk flest sitte igjen med mer å rutte med – at man får igjen mer for sitt arbeid. Vi kunne vært et storting som sa at tjener du halvannen million kroner i året, kan du godt bidra mer til velferden, men tjener du 400 000 kr, fortjener du å sitte igjen med mer. Det hadde redusert forskjellene og bygd på en av de største styrkene ved det norske samfunnet. Det hadde gjort det mulig med et ekte grønt skifte, som besto i ekte miljøtiltak, ikke poseavgifter. SV foreslår større skattekutt enn flertallet til alle som tjener mindre enn 600 000 kr – og det skal betales av alle som tjener mer enn 600 000 kr. Vi kunne vært det stortinget som sørget for kvalitet gjennom hele skoledagen, med flere lærere, fysisk aktivitet og et helseløft for barn og ungdom, og vi kunne tatt mål av oss til å gjennomføre en ny velferdsreform i Norge. Men vi har visst nådd historiens slutt etter stortingsflertallets syn – det er ikke behov for nye velferdsreformer. Den forfatteren jeg setter aller mest pris på, er Sigurd Hoel. Det er få som i en og samme setning klarer å si så mye om både menneskene rundt seg og om samfunnet de er en del av, som setning klarer å si så mye om både menneskene rundt seg og om samfunnet de er en del av, som Sigurd Hoel. I «Syndere i sommersol» beskriver han hvordan ord kan rase av sted og være noe som bare detter ut av deg, men etter hvert som ordene gjør inntrykk, blir de noe som binder deg. Hovedpersonen snakker i affekt, men ordet blir virkeliggjort nettopp av det han sier. Han skriver: «Hva meg angår, så hadde jeg fått utladet det verste av irritasjonen nå; men på den annen side var jeg kommet på glid, og det var ikke så lett å stanse igjen. Om jeg mente noe med Jeg tror, at første gang jeg sa at det var Johans skyld, da mente jeg det ikke ennå. Men da ordet var sagt, og jeg så at Johan ikke uten videre lo av meg, men ble himmelfallen, så slo det meg at det var mer i det jeg hadde tenkt. ORDET var sagt, og alltid har det vært slik at ordet skaper tanken, ordet skaffer argumentet til veie.» I denne debatten har jeg følelsen av at flere av de borgerlige partiene har mye til felles med hovedpersonen i «Syndere i Den lukkende sirkelen av argumenter som beviser formuesskattens ødeleggende kraft, og den frelsen det vil være for alle om den norske eierklassen får disse skattekuttene, er brutt. Alt som står igjen er vage påstander fra finansministeren og statsministeren om «allmenne økonomiske sannheter» og «generell økonomisk teori». Men ordet har vært sagt av Høyre lenge, og i mangel på reelle argumenter har Høyre latt ordet skaffe argumentet til veie. Men også støttepartiene har latt ordet styre innholdet. Hvilken følelse det må ha vært å si til hele landet, gang på gang i flere år, at vi trengte en ny regjering, vi trengte Erna Solberg og Siv Jensen for å få fart på klimapolitikken og bekjempelse av fattigdom her i landet – og så, etterpå, sitte her i salen under framlegget av det statsbudsjettet vi fikk i høst. For en følelse det må ha vært. vært. Hvilken følelse må det være i dag å representere Kristelig Folkeparti og Venstre og forsvare dette budsjettet, i all sin pregløse, konservative, ambisjonsløse mangel på tilstrekkelighet. Problemet deres er at ordet er sagt så mange ganger, og dermed må ordet skaffe argumentet til veie. At omgivelsene blir himmelfalne, får ikke hjelpe, for ordene er sagt: «Vi trenger en ny regjering». Ordene er sagt: enige om et statsbudsjett», og dermed må ordet skaffe argumenter til veie. Derfor er det ikke måte på hvor fornøyde alle plutselig er med et budsjett der det fortsatt kuttes i barnetillegget til de mest vanskeligstilte uføre, og der skattekuttene til landets rikeste elite finansieres av smålige kutt i velferden. Aldri før har vel to selverklærte sentrumspartier vært så glade for kutt i kutt i tilretteleggingstilskudd for rekruttering av arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne, kutt i stønaden til barnetilsyn for enslige forsørgere, kutt i tilretteleggingstiltak under sykepenger, kutt i hjelpemidler for bedring av funksjonsevnen, kutt i stønad til barnetilsyn for mottakere av etterlattepensjon, og kutt i ferietillegget for dagpengemottakere. For ordet er allerede sagt, og ordet binder, og dermed må ordet skaffe argumentene til Men argumentene holder ikke. Argumentene fra Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet er fikenblader som dekker til et av de mest usosiale statsbudsjettene i Norges historie, et budsjett som øker Norges avhengighet av olje, et budsjett som satser mer på skattekutt til rike enn kunnskap, oppvekst, arbeidsplasser og miljø. Argumentene står avkledd, og igjen står et flertall som vi alle vet ikke har lyst til å samarbeide, men som gjør det fordi det er sagt, og fordi det nå går prestisje

Først vil jeg gratulere SV med et budsjett som har interessante anslag når det gjelder skattelette, både for mange personer og – noe – på næring. Dette kunne ha ført til økt arbeidstilbud og deltakelse, men motvirkes av SVs betydelige skatteskjerpelser. SV har selv sagt «ordet» om hvordan skatter og avgifter virker: Økonomiske incentiver gjør at vi endrer adferd. Vi skattlegger og avgiftslegger særlig det vi vil ha mindre av. Derfor vil SV gjennom økte miljøavgifter bidra til å redusere bruken av miljøfiendtlige produkter. Det er bra. Men la oss bruke den samme logikken på arbeid: SV foreslår et nytt innslagspunkt for toppskatt og skatteøkninger på relativt normale inntekter for gründere og bedriftseiere, som skaper det SV så gjerne vil fordele. Hvor lang tid tror SV det tar før entreprenører, gründere, bedriftseiere eller helt vanlige kunnskapsarbeidere tar hintet fra sosialismen, jobber mindre, skaper mindre og dermed skaper den nedadgående velferdsspiralen over tid, som sosialismen er så kjent for?

drives av årslønna si – jeg tror de drives av viljen til å skape noe, være med og utvikle noe og spre det til flere mennesker. Det gjelder i hvert fall de gründerne jeg kjenner. Der vi vet – og der er forskerne ganske enige – at skatt på arbeid har en effekt, er på de aller laveste inntektene. I Norge har vi et skattesystem som er for flatt – skatten øker veldig raskt når du har lav inntekt, men er rimelig flat uansett hvor mye mer enn 800 000 kr du tjener. Det synes vi er usosialt og urettferdig. urettferdig. Derfor mener jeg at folk som tjener like mye som meg, og som representanten Nordby Lunde, godt kan bidra mer for å sikre den velferden som har gjort Norge til et så godt land å leve i, og så kan godt de som tjener halvparten av det vi tjener, sitte igjen med mer av kaka. Den 8. oktober fikk vi

sykdomsgruppe som under det rød-grønne styret fikk dårligere tilbud gjennom økte egenandeler, dårligere behandlingstilbud og færre medisiner på blå resept. Jeg har forsøkt i min gjennomgang av SVs alternative budsjett å finne hvilke grep det er SV gjør for å avhjelpe situasjonen både for kronikere og ikke minst for dem han selv kaller for slitere. Jeg deler representanten Holthes engasjement for sliterne og kan nevne i samme sammenheng at 1. desember er renholdernes dag. Jeg vil bruke anledningen til å gratulere alle renholdere med dagen, en gruppe som for øvrig ifølge tv-programmet på NRK i går er Norges nest beste gruppe i sjakk. Når det gjelder kronikere og syke mennesker som har jobbet hardt her i Norge, er det aller viktigste å sørge for at vi har et velferdssystem som belønner hardt arbeid, og som tar vare på dem som sliter ut kroppene sine i hardt arbeid. Det er nettopp derfor vi har vært så harde kritikere av de endringene regjeringen foreslo f.eks. i barnetillegget for uføre, og som videreføres i budsjettforliket, med tak på hvor mye du kan få i uføretrygd hvis du har barn. Det er dypt usosialt. I tillegg er det langt større økninger på helsefeltet, på forebyggingsfeltet, på tiltaksplasser og tiltak for å få flere kronisk syke tilbake i arbeid i SVs alternative budsjett enn det er i Fremskrittspartiets.

rundt 1 250 barn. SV foreslår også å bruke 156 mill. kr på nye barnehageplasser til barn som i dag mottar kontantstøtte, men dette rekker kun til ca.1 200 nye plasser. Det betyr at familiene til over 20 000 barn blir stående igjen uten kontantstøtte, uten ventestøtte og uten plass i barnehage. Mitt spørsmål til representanten Serigstad Valen er om han synes det er god politikk kutte et velferdsgode for så mange familier fordi man ønsker at barna deres skal gå i barnehage, når man ikke satser mer på nye barnehageplasser. En av de rareste ideene på norsk høyreside er at man skal betale mennesker penger for ikke å bruke et velferdsgode som vi alle spleiser på. Det har jeg aldri forstått. Når vi i tillegg vet at kontantstøtte har elendig så klart slik at vi vil bruke disse pengene på ting som treffer mer. Vi bruker mer penger på å øke barnetrygden enn vi bruker på å avskaffe kontantstøtten. Ifølge Fordelingsutvalget er dette det mest treffsikre virkemiddelet for å nå de mest vanskeligstilte familiene. De beregningene som er gjort når vi har utviklet ikke bare ventestøtten, men også den halvtimen mindre arbeidstid for småbarnsforeldre fram til barnet er 18 måneder, som vi foreslår i vårt alternative budsjett, bygger på beregninger fra regjeringen og på budsjettsvar vi har fått fra regjeringen. Om det

kommunane. Dei same partia går i budsjettet for 2015 inn for å påleggja alle sjukehus å kutta i sengekapasitet og døgnbehandling til fordel for poliklinisk behandling ved å flytta 50 mill. kr frå basisløyving til poliklinisk verksemd. Eg ser at SV støttar denne omfordelinga, samtidig som eg ikkje ser at SV har ei tydeleg prioritering av midlar til ein ny opptrappingsplan for psykisk helse i kommunane i sitt alternative budsjett. budsjett. Er dette ein glipp frå SV si side, eller støttar SV her dei blå-blå sine prioriteringar? SV deler fullt ut representanten Toppes engasjement, og vi øremerker disse 200 mill. kr i vårt alternative budsjett fordi det er en viktig sak. Når det gjelder spesifisering av midlene, vil jeg henvise til komitébehandlingen i helsekomiteen, der vår partileder, Audun Lysbakken, sitter. Der kommer det mange presiseringer av de ulike postene vi foreslår i SVs alternative budsjett – i alle komiteer.
Liv Signe Navarsete,

Kan representanten seie litt om kva som er nytenkinga, og kva delar av Forsvaret det er som skal svekkjast i tida som kjem? Størsteparten av reduksjonene vi foreslår på forsvar, er på innkjøp. Det er noen forskyvninger og noen kutt i de ulike forsvarsgrenene. Det gjør vi fordi Norge er det landet i hele Vesten med unntak av USA som bruker mest penger på forsvar per innbygger. innbygger. Jeg føler meg ikke helt sikker på at alle de pengene blir så godt brukt som de kunne vært. SV er tilhenger av et sterkt norsk forsvar. Vi har f.eks. også alltid vært de sterkeste tilhengerne i Stortinget av et forsvar som fokuserer mer på forsvar av Norge enn NATO-eventyr rundt omkring i verden. Det fikk vi jo også til en viss grad gjennomslag for i den rød-grønne regjeringen. Det er også to økninger vi foreslår på forsvarsfeltet som jeg bare har lyst til å nevne. Det ene er en bevilgning til forskning på høyreekstremistisk terror. Det er en skandale at vi ikke har gjort mer på dette feltet i Norge. Det andre er at vi ønsker å delta mer i FN-operasjoner internasjonalt, og dermed bevilger 25 millioner ekstra kroner til det.

SV vil ha lik pris for alle. Det betyr at også de superrike, som SV ellers er veldig opptatt av, får en lettelse i barnehageprisene i 2015 i forhold til det opplegget som får flertall i dag, mens de som kommer fra lavinntektsfamilier, vil få økte kostnader. SV foreslår heller ikke, som Venstre, å innføre gratis kjernetid i barnehage for 4–5-åringer, barn fra lavinntektsfamilier, et av de viktigste rådene fra det fordelingsutvalget som SV ellers ofte henviser til.

har forstått noe som Venstre aldri har forstått, og det er at universelle ordninger er en garanti for sosial utjevning. Det at rike mennesker på Oslo vest betaler det samme for barnehagen som det en vanlig familie i Trondheim gjør, gjør at alle er villige til å bidra etter evne til skattesystemet. Vi har ikke behovsprøvd pris på skole her i Norge. Vi har ikke behovsprøvd pris på å bli behandlet på sykehus, og på samme måte bør vi heller ikke ha det på og på samme måte bør vi heller ikke ha det på andre velferdsordninger. Det er nettopp for å sørge for at de som har mest i samfunnet, bidrar mest, og da skal de også få akkurat det samme tilbake som alle andre. Det er garantien for et Norge med små sosiale forskjeller. Replikkordskiftet er dermed over.

Mens kunnskap og markeder varsler stadig sterkere at tida er overmoden for en storsatsing på en fossilfri norsk økonomi, er norsk flertallspolitikk fortsatt opptatt – hovedsakelig – av å åpne nye oljefelt etter 2040. I næringslivet er det godt kjent at det farligste punktet for et selskap er når det er på toppen, når alt er såre godt, og forandring er en utrivelig tanke. Norge er på dette punktet nå. En dominerende oljenæring leverer fortsatt inntekter og jobber i stor skala, og regjering og stortingsflertall synes det er best at det fortsetter å være sånn. Statsbudsjettet som regjering og støttepartier er blitt enige om i 2015, er et budsjett som fortsetter å øke det private forbruket, fortsetter å øke oljepengebruken, fortsetter å øke statlige oljeinvesteringer, fortsetter å øke veibygging mer enn kollektivutbygging og gjør todelingen av norsk økonomi enda den endelige versjonen av budsjettet inneholder også flere grønne tiltak, sånn sett er det en bevegelse i riktig retning, men summen av hovedtrekkene i budsjettet er knapt nok grønn. Samarbeidspartienes budsjett for 2015 er et budsjett som først og fremst nøler med å investere i endring. Miljøpartiet De Grønnes alternative budsjett for 2015 gjør det motsatte. Vi leverer et budsjett for storskala investering i endring. Vi investerer 10 mrd. kr i nytt grønt næringsliv,

De grønnes budsjett gir betydelig skattelette for folk med lave inntekter og gjør offensive tiltak for å få boligbyggingen opp og boligprisene ned. Det vil gjøre den økonomiske hverdagen lettere for vanlige mennesker. Noen har gjort et stort nummer av at vi tar ut hele 38 mrd. kr i økte avgifter og skatter. Ja, dette er et stort tall. Det fordeler seg på 25 mrd. kr i økte miljøavgifter, 9 mrd. kr i økt skatt på inntekt og formue

bl.a. med nye investeringsfond, ny utbyttepolitikk som stimulerer Statkraft, store bevilgninger til forskning og utvikling og skattelette for gründere og småbedrifter. Svein Flåtten fra Høyre sa tidligere i debatten at De Grønne må smøre seg med tålmodighet før Høyre og Fremskrittspartiet lar seg inspirere av vårt budsjett. Det tviler vi i og for seg ikke på, men spørsmålet er om Flåtten, statsministeren og de to regjeringspartiene på et eller annet tidspunkt kommer til å løpe tom for tålmodighet på vegne av klima, miljø og framtid. Spørsmålet er hvor lav oljeprisen må bli før Høyre, Fremskrittspartiet og støttepartiene vil gjøre noe mer enn å snakke grønt. Hvor mange klimarapporter må til for å flytte fokus fra stadig mer risikable oljeinvesteringer til grønne arbeidsplasser? Miljøpartiet De Grønne har lagt fram et budsjett som utfordrer forestillingen om at det grønne skiftet kommer av seg selv, uten store investeringer og klare veivalg. Men vi er et optimistisk parti, og vi har god tro på at resten av Stortinget vil komme etter. Jeg tar til slutt opp Miljøpartiet De Grønnes forslag til alternativt statsbudsjett. Representanten Rasmus Hansson har tatt opp det forslaget han refererte til. Det blir replikkordskifte.

og at det bare er en forsmak på hva vi kan vente oss i revidert nasjonalbudsjett. Vi hørte også Venstres Trine Skei Grande, som ved underskriving av forliket sa at for første gang kommer klimagassutslippene fra transport til å gå ned osv. Ser ikke representanten at dette budsjettet har noen positive klimatiltak, eller er det, som han sa i sitt innlegg, ikke godt nok? Det er jo ingen tvil om at det budsjettet som er lagt fram, og som blir vedtatt utpå kvelden, ikke er godt nok. Samtidig er det ingen tvil om, som jeg også har understreket, at det er mange gode enkelttiltak i det budsjettet, inklusive tiltak som er bedre enn dem som den rød-grønne regjeringen gjennomførte i de foregående åtte år. Men jeg er meget sterkt i tvil om regjeringen og støttepartiene vil kunne dokumentere sin påstand om at dette er et budsjett som faktisk vil kutte klimagassutslippene. Det ser jeg svært få tegn på at de vil kunne dokumentere og få verifisert. Men igjen: Som den optimisten jeg er, tviholder jeg på påstanden fra samarbeidspartiene om at dette bare er begynnelsen på noe bedre, og så får vi se hva som kommer.

for å få Stortinget med på flere klimatiltak. Men mitt spørsmål blir da om representanten Hansson kan si litt mer om de andre sidene ved budsjettet til Miljøpartiet De Grønne med hensyn til sosialpolitikk, politikk overfor kommunene, skole osv., som kanskje ikke kom like godt fram – iallfall ikke som jeg kunne se – i budsjettet.

Så i første omgang vil klima, miljø og forbruk være det som Miljøpartiet De Grønne konsentrerer seg mest om, men det betyr ikke at vi mangler politikk på andre områder. Representanten Hansson har lagt frem et alternativ budsjett hvor han, som han selv også sier, øker skattene med 38 mrd. kr. Det

forske. Derfor er mitt spørsmål hvorfor dere ikke bevilger mer penger, eller gjør noe på universitets- og høyskolesektoren utover det Høyre og Fremskrittspartiet gjør i regjering. Er det en forglemmelse? Eller er simpelthen Høyre og Fremskrittspartiets høyere utdanningspolitikk den samme som Miljøpartiet De Grønnes høyere utdanningspolitikk? Når det gjelder inndelingen i høyre- og venstresida i norsk politikk, vil jeg minne representanten Asheim om at riktignok er vi riktig røde når det gjelder å ta inn først og fremst avgifter, og dessuten skatter, men vi er blåere enn Høyre noen gang har turt å være når det gjelder å dele de pengene ut igjen til å stimulere et privat næringsliv. Så der har noen og enhver noe å lære. Når det gjelder satsing på forskning utover det som ligger i vårt budsjett, kan jeg gjerne være enig i at Høyres budsjett er ganske fremadskuende og ganske offensivt, og Miljøpartiet De Grønne – som jo bruker 16 mrd. kr mindre i å ta inn oljepenger enn det f.eks. Høyre gjør – har ikke hva som helst å dele ut. En av de tingene vi er opptatt av når det gjelder forskningssektoren, er at dette også er en sektor som har begrenset kapasitet til å ta imot svære økninger over kort tid, men vi er veldig opptatt av en utvikling som stimulerer både kapasiteten og volumet i den sektoren på en måte som samsvarer med de behovene vi har på lang sikt. Jeg la merke til at representanten Hansson sa at han var optimist, og at han håpet at bl.a. Høyres tålmodighet ikke ville vare for lenge før man gjorde noe. Jeg har lyst til å utfordre Miljøpartiet De Grønne på følgende: Hvis det er ett av de prioriterte områdene som partiet har profilert i dette budsjettet for å få et grønt skifte, hva ville han trekke fram som det viktigste? Da ville jeg trekke fram følgende: Jeg ville flytte rammevilkårene som i dag gjør norsk olje- og rammevilkårene som i dag gjør norsk olje- og gassektor til en eksepsjonelt privilegert næringssektor i Norge, fra olje- og gassektoren til en framvoksende grønn sektor. Det vil være en kombinasjon av å legge et reelt grunnlag for at den sektoren kan utvikle seg, og et sterkt politisk signal om hvor det politiske fokuset fra Stortinget vil ligge. Nettopp det forpliktende signalet kombinert med reelle rammevilkår som hjelper fram den næringen vi skal hjelpe fram, og den omprioriteringen det innebærer, er den typen hovedsignal som ikke bare norsk næringsliv, men norsk politikk trenger.

Men dette vert berre småpengar mot kutta som Miljøpartiet Dei Grøne føreslår. Me veit at infrastruktur, vegbygging, er kanskje det viktigaste ein etterspør i Distrikts-Noreg. Kva vil representanten seie er dei viktigaste utslaga for norske regionar og deira utvikling av det kuttet på 3 mrd. kr i vegbudsjettet som Miljøpartiet Dei Grøne føreslår i sitt alternative budsjett?

som det går an å kutte, bortsett fra det som det er inngått kontrakter om. Så flytter vi de midlene over til kollektivsatsing. For øvrig er det igjen forbausende mange milliarder i Miljøpartiet De Grønnes budsjett til vedlikehold, til sikring og til alle de tingene som gjør at samferdsel i Distrikts-Norge fortsatt kommer til å være en trygg og hensiktsmessig

Det betyr i realiteten å tappe selskapet for 1,65 mrd. kr for å gi det i utbytte til øvrige aksjonærer, eller aksjespekulanter, som noen kaller det. Spørsmålet er om det er god miljøpolitikk, og om det i det hele tatt er noe Miljøpartiet De Grønne har tenkt over. Har representanten Hansson gjort seg noen refleksjoner over hva en slik utbyttepolitikk vil gjøre med selskaper hvor staten er deleier, spesielt selskaper som er notert på de største internasjonale børsene? børsene? Hva vil det f.eks. gjøre med aksjekurs og dermed muligheten til å finansiere en betydelig del av vår felles velferd? Jeg kan forsikre representanten Raja om at Miljøpartiet De Grønne har reflektert over dette, som er en ganske god illustrasjon på hvilken situasjon Norge har satt seg i ved å ha saltet ned veldig store deler av vår nasjonalformue, eller forvaltningen av den, gjennom et selskap som vi bare delvis styrer. Det må likevel være mulig for en majoritetseier, overfor et selskap som forvalter viktige norske ressurser, å kunne bestemme seg for å ville hente inn økt utbytte. Det må også være mulig – som dette er en del av fra Miljøpartiet De Grønnes side – å skifte fokus fra å la Statoil beholde veldig store deler av sitt utbytte, mens Statkraft blir ribbet for det meste av sitt utbytte, til en motsatt strategi, hvor vi gir Statkraft store deler av sitt utbytte til videre investeringer, mens Statoil bidrar mer til felleskassa og til nye grønne investeringer. Replikkordskiftet er omme. Finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen, hadde funnet inspirasjon i gårsdagens salmesang på NRK. Da kan det

glad for enigheten mellom samarbeidspartiene. Sammen har vi funnet løsninger som ivaretar verdier og prioriteringer til alle de fire partiene. Regjeringens budsjettforslag inneholdt klare satsinger på kunnskap, samferdsel, justissektoren og helse og omsorg. Dette er opprettholdt og til dels forsterket i budsjettenigheten. Det gir en historisk satsing på vei og bane. For første gang på flere tiår reduseres etterslepet i vedlikeholdet av riksveinettet. Vi får mer synlig politi, vi bygger nye fengselsplasser, og vi leier soningsplasser i andre land. Og vi skaper pasientenes helsetjeneste. Vi øker pasientbehandlingen, vi løfter rus og psykiatri, og ikke minst fornyer vi helsetjenesten både ved å ta i bruk mer av den ledige kapasiteten i offentlig og privat helsevesen og ved å innføre fritt behandlingsvalg. Samarbeidspartiene fikk igjennom mange av sine krav i avtalen de inngikk med regjeringen. Samtidig har stortingsbehandlingen gitt Stortinget reell mulighet til å sette sitt preg på det endelige budsjettet. Det har ikke vært tilfellet de siste åtte rød-grønne årene, da budsjettene i realiteten var bestemt ved fremleggelse i Stortinget. Behandlingen i Stortinget har også vist oss klare alternativer: regjeringens forslag om lavere skatter og avgifter for å legge til rette for omstilling av næringslivet eller Arbeiderpartiets budsjett, med en kraftig økning i skatte- og avgiftsnivået i en situasjon med økende usikkerhet i norsk økonomi. Det er nå flertall for et godt budsjett for 2015. Det trenger vi i en situasjon der norsk økonomi Mange land i euroområdet sliter fortsatt med lav økonomisk aktivitet og høy ledighet etter finanskrisen. Det berører også oss. Det har likevel gått ganske bra i norsk økonomi. Sysselsettingen vokser, og arbeidsledigheten er lav. Veksten i fastlandsøkonomien fortsatte i tredje kvartal i år, og i et litt høyere tempo enn vi la til grunn i

Oljeprisen har falt, nedgangen har fortsatt, og prisen er etter møtet i OPEC på torsdag nå under 70 dollar per fat. Fallet i oljeprisen til dagens nivå reduserer Norges inntekter med over 70 mrd. kr neste år. Mye av tapet bæres av staten. Lavere oljepris kan imidlertid også føre til at etterspørselen fra petroleumsnæringen avtar raskere enn anslått. Vi vet at det vil kreve omstillinger. Selv om kronen har svekket seg de siste to årene, er kostnadsnivået i Norge fortsatt høyt. Det vil gjøre det vanskeligere for oss å hevde oss i nye markeder med tøffere konkurranse. Vårt svar på denne utfordringen er å støtte opp under arbeidstilbud og produktivitet. Budsjettet vi diskuterer i dag, gjør nettopp det. Regjeringen satser på å styrke arbeidslinjen og på investeringer i kunnskap og samferdsel. Det er med på å legge til rette for vekst i økonomien. Budsjettet stimulerer etterspørselen etter varer, tjenester og arbeidskraft også på kort sikt. Derfor er jeg tilfreds med at det er flertall for store deler av regjeringens forslag til skatte- og avgiftslettelser. Situasjonen i økonomien tilsier at nye, store skatteregninger for bedrifter og enkeltpersoner er feil medisin. I tillegg til et godt budsjett har vi andre buffere hvis utviklingen på kort sikt blir svakere. Pensjonsfondet skjermer budsjettet fra svingninger i bl.a. oljeprisen. Pengepolitikken kan reagere raskt når utsiktene for økonomien endres. Vi har også erfaring for at valutakursen kan påvirkes av ny informasjon om de økonomiske utsiktene. Dette har vi også sett de siste par månedene,

med aktive tiltak fra vår side senere. Regjeringen følger derfor utviklingen nøye. I budsjettet foreslår vi å øke bruken av oljepenger med 17 mrd. kr. Opposisjonen er bekymret for at regjeringen bruker for mye oljepenger. Arbeiderpartiet legger opp til å øke bruken av oljeinntekter med 15 mrd. kr, mot våre 17 mrd. kr. Denne forskjellen er med respekt å melde svært liten og har nok større retorisk enn reell økonomisk effekt. Forskjellen, derimot, handler om hvordan vi bruker pengene. La meg minne om intensjonen da handlingsregelen ble innført. Da skulle man primært bruke oljepenger i økonomien på vekstfremmende tiltak, på skattelettelser, på investeringer i infrastruktur, forskning og utdanning. Det gjør denne regjeringen. Utgiftsveksten sier noe om finansieringsbehovet fremover, og den er langt sterkere i Arbeiderpartiets budsjett, det er forslag som vil kreve at mer arbeidskraft må flyttes fra konkurranseutsatt sektor til en enda større, oljefinansiert offentlig sektor. Det er ikke noe Norge trenger i dagens situasjon. I en tid hvor vi står foran store omstillinger, er det viktig å legge mer vekt på hvordan pengene brukes. Ikke minst har skattesystemet mye å si for hvordan folk flest og norsk næringsliv bruker sine krefter. Endringene som regjeringen foreslår i formuesskatten, vil stimulere til økt sparing. De vil vri norsk kapital fra eiendom mot arbeidsplasser og styrke norske gründeres og eieres mulighet til å satse. Til neste år vil også færre personer betale toppskatt, fordi innslagspunktet økes, og det vil gjøre arbeid mer lønnsomt. Vi er også opptatt av å redusere skatter og avgifter for den alminnelige mann og kvinne i gata, rett og slett fordi det er riktig å la folk få beholde mer av egne inntekter. Økt minstefradrag for lønn, trygd og pensjon vil bety at folk flest får mer å rutte med. Studenter og andre med lav arbeidsinntekt vil ha glede av at frikortgrensen økes til 50 000 kr. Lettelser i bilavgiftene er også noe vanlige folk vil nyte godt av, mens lavere avgifter på lastebiler vil være et viktig bidrag til transportnæringens konkurransekraft. I enigheten med Venstre og Kristelig Folkeparti tar vi et nytt skritt i retning av grønne skatter. Det blir bl.a. billigere å kjøpe miljøvennlig bil og fylle grønt på tanken neste år. Samtidig må vi erkjenne at anslagene for statens inntekter fra miljøavgifter er usikre, særlig fra helt nye avgifter, og kanskje særlig i innføringsåret. Som jeg tidligere har skrevet i svar på budsjettspørsmål fra Venstre og Kristelig Folkeparti, er det vanskelig å anslå hvor mye omsetningen av bæreposer vil reduseres som følge av at prisen øker. Jeg vil derfor legge vekt på å utforme avgiften enkelt, slik at den ikke skaper unødige vanskeligheter for næringen eller privatpersoner. Jeg vil orientere Stortinget om avgiften i revidert nasjonalbudsjett. Det er flertall for 5,2 mrd. kr i skatte- og avgiftslettelser. Med det blir de samlede lettelsene siden denne regjeringen overtok, på 12,5 mrd. kr. For oss er skatte- og avgiftspolitikken en viktig del av arbeidet med å øke konkurransekraften for norske arbeidsplasser. Vi har startet det arbeidet vi lovet velgerne. Vi dreier innsatsen mot tiltak som støtter opp under omstilling, vekst og effektiv ressursbruk. Vi senker skatter og avgifter, og vi styrker innsatsen overfor uavhengig av om de mottar trygd eller er i arbeid. Vi løfter frem samferdsel, helse, justis, utdanning og forskning. Slik ruster vi Norge for fremtiden. Det blir replikkordskifte. I Arbeiderpartiet er vi grunnleggende sett positive til

Jeg registrerer at regjeringen må ha en annen tilnærming til dette, her har førsteprioritet vært store skattekutt til dem som har mye fra før. Det har medført store inntektstap for staten og dermed så store kutt at regjeringen ikke fikk flertall for det i Stortinget. Dermed ble resultatet store avgiftsøkninger i siste time for å redde budsjettet. Det må jo være et uttrykk for manglende evne til styring og prioritering når man ender opp med å innføre en avgift som ingen egentlig helt vil vedkjenne seg, for å kompensere for disse skattekuttene. Vil regjeringen også i framtiden delfinansiere skattekutt til dem som har mye, ved å introdusere nye rent fiskale avgifter? Jeg mener representanten Marthinsen tar helt feil i sin tilnærming gjennom dette spørsmålet. Regjeringens førsteprioritet er ikke formuesskatten, men det er helheten i budsjettet. Det handler om å legge til rette for mer vekst og verdiskaping i et næringsliv som nå trenger mer offensive rammebetingelser for å styrke sin konkurranseevne. Det gjør regjeringen både gjennom skattereduksjoner, gjennom samferdselstiltak, gjennom forskning, gjennom kunnskap, gjennom innovasjon, som samlet sett er virkemidler og tiltak som et næringsliv i omstilling har behov for. Da blir det litt hult for meg når Arbeiderpartiets tilnærming fremstår veldig rørende i forhold til næringslivet, men samlet sett skjerper skattene i sitt alternative budsjett med 14 mrd. kr. Det er ikke et bidrag til økt omstillingsevne for norsk næringsliv, det er ikke et bidrag til å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. Jeg vil mene at i den tiden vi nå er inne i, burde Arbeiderpartiet bekymre seg litt mer for det, fremfor å reversere skattelettelser, som de kaller det, tilbake til 2013-nivå. Det å gå tilbake til fortiden i en tid da vi trenger å se fremover, synes jeg er ganske oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet ser seg fornøyd og tilfreds med. Jeg registrerer at finansministeren ikke svarer på spørsmålet og heller vil snakke om Arbeiderpartiets opplegg, så jeg prøver igjen – på en litt annen måte. Jeg registrerte at i sitt innlegg. Det finnes 1,4 millioner nordmenn som tjener mellom 300 000 kr og 500 000 kr – jeg vil anta at dette er mannen i gata som finansministeren refererer til. Hvis de ikke har formue, får de i snitt et skattekutt på ca. 400 kr i året. For en familie med barn i barnehagen er de pengene fort borte med den økningen man legger opp til. Jeg vet ikke om finansministeren husker den familien som som hadde stemt på Fremskrittspartiet i håp om skattekutt, men som endte opp med å gå i minus når barnehageregningen var betalt. Så det er altså disse som skal betale når landets 0,1 pst. rikeste får 30 pst. av den største enkeltsatsingen, som er kutt i formuesskatt. Jeg lurer på hva årsaken er til at finansministeren har gått bort fra løftene om skattekutt for folk flest, mannen i gata, og nå har som viktigste prioritering å kutte skattene til dem som har mest fra før. Regjeringen gjør jo flere grep i budsjettet for neste år sammen med samarbeidspartiene. Vi gir lettelser til næringslivet og til helt vanlige folk, både gjennom skatt og gjennom avgifter. Og denne familien som Marianne Marthinsen åpenbart har sett på tv, ville jo ikke blitt noe mer fornøyd med den skatteregningen som Arbeiderpartiet hadde tenkt å sende dem neste år, på over 14 mrd. kr. Sannheten er at dette er et budsjett som gir lettelser, samtidig som vi styrker veibevilgningene, vi styrker helsebudsjettet, vi styrker justisbudsjettet, slik at vi får et tryggere samfunn neste år, vi sørger for at barna våre får bedre lærere og en bedre skole å gå til. Jeg mener at summen av det trekker oss i retning av et enda bedre samfunn – både neste år og i årene som kommer. Så har jeg sagt at vi nå, knyttet til skal gå grundig igjennom den fra Finansdepartementet side, finne en egnet innretning på det og komme tilbake til det før innførselstidspunktet 15. mars. som kommer. Så har jeg sagt at vi nå, knyttet til avgiften på poser, skal gå grundig igjennom den fra Finansdepartementet side, finne en egnet innretning på det og komme tilbake til det før innførselstidspunktet 15. mars. Jeg takker for hilsenen om at hver gledesstund du har på jord, betales nå med smerte, som Bjørnson har skrevet det. Jeg kan jo hilse tilbake: «Hør hvor det stormer der ute. Her er det fredfullt og tyst.» Så vi har det ganske oss se framover, og det gjør jeg gjerne. I morgen legges det fram et viktig utvalgsarbeid av Scheel-utvalget. Hvis en skal tro de lekkasjene som er kommet, ligger det an til betydelige forslag til endringer, bl.a. skal eiendomsbeskatningen økes. Det er mange fagøkonomer som er på det sporet. Mitt spørsmål til finansministeren er om regjeringen nå har et signal å gi om hva den mener om dette? Jeg er veldig glad for at det er både «fredfullt og tyst» mellom de fire samarbeidspartiene. Måtte det fortsette slik. Når det gjelder Scheel-utvalget, tror jeg man skal vente med å gjøre seg opp en mening om det før man kjenner rapportens innhold. Den kommer i morgen. Jeg gleder meg til å motta den, men jeg tror vi alle sammen skal være opptatt av hvordan vi tilnærmer oss utfordringene knyttet til å få et mer konkurransedyktig skattesystem i fremtiden. Utvalget kommer helt sikkert til å peke på mange ulike muligheter og utfordringer. Så kan det hende at rapporten ikke er uttømmende, og at det er behov for å gjøre nye utredninger – hva vet jeg. Men jeg tror uansett at vi skal ha en bred tilnærming, en grundig tilnærming, en god høringsprosess og ikke minst et tett samarbeid med Stortinget for å ende opp med det som bør være målet, nemlig å få et best og mest mulig konkurransedyktig skattesystem som gjør at vårt næringsliv står seg i konkurransen med sine omgivelser. Det har vært sterke reportasjer på NRK om svikt i eldreomsorgen med helt konkrete historier om enkeltpersoner. sterke reportasjer på NRK om svikt i eldreomsorgen med helt konkrete historier om enkeltpersoner. Fremskrittspartiets tydeligste løfte i valgkampen var en statlig finansiering av eldreomsorgen. Det har endt opp i et utredningsprosjekt om et forsøk med statlig finansiering. Det er altså lagt i skuffen. Det er en enorm skattesvikt i kommunene akkurat nå. Fallet kan fort bli 3 mrd. kr i skattesvikt i år. Det er store tall. Hva er konsekvensen av de tallene? Jo, det kommer til å bli kutt i pleie- og omsorgstjenesten rundt omkring i hele landet. Sykehjemsavdelinger kommer til å bli lagt ned, tilbudet til mange av de pleietrengende kommer til å bli dårligere – ikke bedre – og her står vi og har mulighet til å gjøre noe med det. I 2004 bevilget Stortinget mer penger da det var skattesvikt. Vil denne regjeringen ta initiativ til at vi gjør det samme, sånn at de som nå blir berørt, ikke skal få kutt i sine tilbud, men skal få et bedre tilbud?

at regjeringen og flertallet i denne salen nå styrker kommuneøkonomien samlet sett ganske betydelig neste år, for det gjør det mulig for kommunene å innfri primæroppgavene sine, som bl.a. handler om omsorg. Så har jo selvfølgelig også Fremskrittspartiet vært opptatt av å få på plass en statlig finansiering av dette. Regjeringen har levert på en styrket satsing på deler av det statlige bidraget. I tillegg skal vi nå gjennomføre et prøveprosjekt som gjør at vi kan «benchmarke» den eksisterende modellen med en ny, og det gjør det mulig for oss å kunne tenke nytt i fremtiden.

ESA-notifiserast. I dag vedtek me t.d. at det skal innførast fritak frå vegbruksavgift for biodiesel som oppfyller EU sine berekraftskriterium, frå 1. juli. Grunnen til at det ikkje kan innførast før, er ifølgje regjeringa den same ESA-iveren. Eg har to spørsmål til finansministeren: meiner regjeringa det er nødvendig å notifisera ei ordning Noreg har hatt i mange år, fritak frå vegbruksavgift for biodiesel, som me hadde fram til 2010, spesielt med tanke på at det ikkje var notifisert før, og at me har fritak på høginnblanda bioetanol som ESA aldri har brydd seg om? Og kan finansministeren garantera at regjeringa vil notifisera ordninga så raskt at det vil vera mogleg å innføra fritaket

Det var nok mange fremskrittspartivelgere som ble overrasket da finansminister Siv Jensen prioriterte det å kutte i formuesskatten til de aller rikeste så høyt i to år på rad, og spesielt med tanke på at mye av inndekningen skjer ved svært usosiale kutt som rammer veldig mange mennesker: alt fra kutt i bilordningen til trygdede til kutt i tilrettelegging for rekruttering av dem med nedsatt arbeidsevne, kutt i stønaden til barnetilsyn for enslige forsørgere, kutt i hjelpemidler for bedring av funksjonsevnen, kutt i stønad til barnetilsyn for mottakere av etterlattepensjon og kuttene i barnetillegget, som lever videre i en litt annen form i budsjettforliket. Hva vil finansminister Siv Jensen si til dem som er skuffet over Fremskrittspartiets budsjett, som stemte Fremskrittspartiet, men som nå rammes av ett eller flere av disse urettferdige kuttene? La meg først si at grunnen til at denne regjeringen er opptatt av å redusere skattetrykket inn mot norsk næringsliv, handler jo om det som er aller, aller, aller viktigst for de fleste av oss, nemlig å ha en trygg og sikker jobb å gå til. Uten den er det lite behov for omfordeling for vi har da ikke de samme skatteinntektene i statskassen som vi kan bruke til omfordeling. Derfor tror jeg at de rød-grønne snart må komme til en erkjennelse. Jeg har hørt tidligere innlegg her i dag hvor man snakker om at det er et økt kapitalbehov for norsk næringsliv. Men da er jo ikke svaret på det først å øke skatten, for så å si at vi skal gi tilskuddsordninger til de samme bedriftene som får utfordringer som følge av at man først øker skatten. For meg er det komplett ulogisk, og jeg mener helt oppriktig at vi må klare å gjøre flere ting samtidig, også når vi lager et budsjett. Vi må styrke grunnlaget for eksisterende og nye arbeidsplasser samtidig som vi øker overføringene til ulike grupper i samfunnet for å trygge velferdstilbudene. Replikkordskiftet er omme. Det er ikke i omtalen av utfordringene vårt land står overfor, at regjeringen og Arbeiderpartiet skiller lag. Vi

Vi kan enes om at den teknologiske utviklingen bak det som kalles den nye industrialderen, vil bety både utfordringer og muligheter; vi møter automatisering og en ny organisering av både industri og tjenester. Vi kan enes om at Norge må handle i dag for å ruste oss til å møte utviklingstrekk som vi nå ser konturene av: Vi blir flere eldre i Norge, befolkningen vokser. Flere flytter til de større byene, og vi skal løse store infrastrukturoppgaver. infrastrukturoppgaver. Vi skal møte en voksende befolkning med å videreutvikle og forsterke velferdsstatens tilbud, både i kvalitet og i kvantitet. Og – slik vi husker fra trontaledebatten, kan vi enes om at vi skal møte alt dette innenfor rammer som klimaet setter for oss. Norge skal både lede an og ta sin del av ansvaret for å hindre at klimaendringene ødelegger natur og livsgrunnlaget på jorden. Det er i valg av retning for å møte denne fremtiden at vi skiller lag. Det er dette som kommer til uttrykk i forslaget til statsbudsjett som Høyre og Fremskrittspartiet la fram for snaut to måneder siden. Det er også retningen denne debatten bør handle om. Et statsbudsjett er fullt av saker og satsinger i norsk politikk som vi kan være enige om mange av oss. Regjeringen mener at den har fått for lite oppmerksomhet om det den kaller budsjettets sterke sider, som satsinger på samferdsel, skole, politi og forskning. Men her er det ikke store ulikheter partiene imellom når det kommer til satsing over budsjettet. Vi står langt på vei sammen om å prioritere disse viktige formålene, selv om vi på noen områder satser mer. Et hovedskille går på hva vi bør løse sammen, investere i sammen, mobilisere for sammen – og hvor vi er best tjent med å løse oppgavene hver for oss, fra regjeringen uttrykt i forslag om privatisering og store skattekutt. Regjeringen har de siste ukene tegnet et stadig mørkere fremtidsbilde, med et budskap om at dens økonomiske medisin er nødvendig for at det ikke skal gjøre alvorlig vondt senere. Svaret på utfordringene får vi nesten før spørsmålet er ferdig formulert: Det handler om å kutte skatt, den klart største satsingen både i budsjettforliket og i forslaget som ble lagt fram. Regjeringen tegner et bilde av et samfunn der omstillingsevnen svikter i næringsliv, arbeidsliv og velferdsordninger, og der oppskriften på det som kalles fallende produktivitetsvekst, skal løses gjennom en kommisjon der partene i arbeidslivet for første gang holdes utenfor. Det er et uklokt valg. Og regjeringen gjennomfører endringer i arbeidsmiljølov som svekker og ikke styrker tilliten og evnen til å løse oppgaver sammen, som har vært så viktig for vårt samfunns utvikling.

og større stimulans til bedrifter og samfunn ved å investere sammen – i infrastruktur, målrettet støtte til gründere og gode og prøvede ordninger til å støtte omstillinger og nysatsinger i innovative bedrifter. Vi mener politikken bør slå ring rundt at Norge er et land med relativt små økonomiske forskjeller, og ta til oss de veldig klare budskapene fra alt fra OECD til IMF om at voksende ulikheter hemmer omstillingsevnen. Vi mener at Norge har vist seg gode på omstilling – i bedriften, i sykehuset, i arbeidsmarkedet. Vi kan og må hele tiden strekke oss, men vi kan motivere oss til denne innsatsen ved å utnytte de sterke tradisjonene for samarbeid, tillit og samvirke som vi har utviklet over tiår – i trepartssamarbeidet i arbeidslivet like til det godt forankrede samarbeidet mellom ledelse og ansatte Dette er noen av de kvalitetene FAFO-forskerne bak studien av den nordiske modellen trekker fram som forklaring på at nordiske land har hatt høyere sysselsetting, lavere ledighet, større teknologisk omstilling og bedre statsfinanser enn andre land. Norge skal være et land med små forskjeller og store muligheter. Vårt forslag til statsbudsjett for 2015 Arbeiderpartiet vil prioritere å gi kommunene rom til å løse sine oppgaver og sørge for mer penger til å videreutvikle skole, barnehage, helsetjenester og eldreomsorg – velferdstjenestene tett på folk. Antallet eldre øker fra 2020, det er i morgen i et planleggingsperspektiv. Det må også synes i kommunenes budsjetter. Det er viktig for velferden, og det er viktig for I vårt budsjettforslag har vi prioritert satsinger på tvers av politiske fagfelt, vi har sett virkemidler i sammenheng. Vi vil sørge for at vi prioriterer for vekst i hele landet ved å legge til rette for vekst og nye arbeidsplasser gjennom støtte til gründere og en aktiv næringspolitikk, med særlig satsing på marine næringer, reiseliv, landbruk, miljø-/klimateknologi, IKT, bioøkonomi og helseteknologi. Vi vil sørge for at vi møter klimautfordringene og fremskynder overgangen til lavutslippssamfunnet, med en særlig prioritering av nødvendig vedlikehold av jernbanen, en storsatsing på kollektivtrafikk i byene og mer til sykkeltiltak, sammen med en dreining av avgiftene i grønnere retning og en styrking av miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge. Vi vil sørge for at vi støtter opp om menneskene som skal bygge landet, med en særlig satsing på fagarbeideren, flere læreplasser, oppdatering av utstyr og maskinparker på fagutdanningene, satsing på yrkesfaglærere, styrking av fagskolene og bedret adgang til å ta fagbrev – og ikke minst ved å sørge for et anstendig og trygt arbeidsliv. Vi vil sørge for at vi i tillegg til å innfri vårt løfte til sykehusene gir folkehelsen et kraftig løft, gjennom styrket innsats for helse i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen, ved å gjeninnføre frukt og grønt i skolen, øremerke midler til skolehelsetjenesten og starte innføringen av én times daglig fysisk aktivitet i skolen og ikke minst ved å ruste opp idrettsanlegg og legge til rette for at flere mennesker kan delta i friluftsliv. Regjeringen prioriterte med sitt budsjett annerledes. Budsjettforslaget var tydelig i sin retning. Den har med budsjettforliket på noen områder beveget satsingen i retning det brede flertallet i Stortinget. Men tyngdeloven gjelder fortsatt: Det er Høyres hovedretning som ligger fast, skattekuttene til dem som har mest fra før, er fortsatt budsjettets klare hovedsatsing. I valgkampen i fjor mente Høyre og Fremskrittspartiet at sju av ti oljekroner ble brukt feil. Det er uklart hvor mange av oljekronene som nå brukes riktig, om vi skulle følge regjeringens logikk. I budsjettet som skulle gi svar på hva regjeringen står for, ser vi snarere sviktende evne til å omprioritere stort annet enn å gi disse store skattekuttene til egne kjernevelgere. Dette er velkjent Høyre-politikk, men vi har også fått noe nytt. Fra partiet som tidligere har omtalt seg selv som garantisten for en ansvarlig økonomisk politikk, har vi ved hver eneste tilgjengelige korsvei året rundt sett innhenting av oljepenger for å få satsingene til å gå opp – i dette budsjettet settes historisk rekord i innfasingen av oljepenger. Så ser vi også med interesse at Høyre nå bryter sin ved at de offentlige utgiftene øker mer enn antatt vekst i økonomien. Samtidig ser vi andre nye innslag, som at Fremskrittspartiet krever inn bompenger som aldri før, innfører poseavgifter og administrerer et bistandsbudsjett på 1 pst. av bruttonasjonalinntekt. Det siste kan vi for øvrig takke budsjettforliket med Kristelig Folkeparti for. Jeg vil anerkjenne sentrumspartiene for å ha rettet opp åpenbare sosiale skjevheter i det opprinnelige forslaget, de har bremset deler av og det vil vi støtte. Men igjen: Hovedretningen er likevel den samme. Det er også kommet forbedringer innen klima og miljø, også det vil jeg anerkjenne Kristelig Folkeparti og Venstre for, Arbeiderpartiet kan støtte mye av dette. Men vi får kalle skiftet ved dets rette navn. Vi fikk først høre at forliket inneholdt 2 mrd. kr i grønt skatteskift. Men samme kveld som forliket var i havn, lærte vi at ettersom alle synes enige om at den fader- og moderløse plastposeavgiften i realiteten er en ren fiskalavgift. Klimaargumentasjonen har også noen andre klare svakheter. For å finne nok penger i budsjettet til å gi avgiftslette på bensin og diesel leverte forliket kutt i klimakvoter, som klima- og miljøvernministeren kaller urealistisk budsjettering. Dette er kvoter som kjøpes for at Norge skal overholde sine internasjonale forpliktelser. Det er penger som går til fattige land for å få stanset utslippsveksten globalt. Jeg legger til grunn at dette vil bli rettet opp i revidert nasjonalbudsjett om et halvt år. Trontalen bar bud om vilje til å satse på klima, og jeg ga regjeringen honnør for det som ble sagt i den teksten. Forslaget til statsbudsjett trakk derimot i motsatt retning – her var det forslag om å redusere avgiften på bensin og diesel å kutte i avgiften på snøscootere og motorsykler å kutte kraftig i skogvern, som de før valget lovet å styrke å kutte over 50 mill. kr til bygging av nye sykkelveier å flytte Transnova til Enova uten å følge på med ekstra penger en satsing på kollektivtrafikk som var utilstrekkelig På toppen av dette fjernet finansministeren kapittelet om bærekraftig utvikling fra nasjonalbudsjettet, et kapittel som har blitt utarbeidet til hvert eneste nasjonalbudsjett siden 2007. Så ser vi at Kristelig Folkeparti og Venstre, etter tre uker med intense forhandlinger, klarte å heve budsjettet til et mer anstendig nivå på klimaområdet, tettere på det som er flertallssynet her på Stortinget. Det burde borge for at regjeringen vender seg til det samme brede flertallet for å forsterke innsatsen for å nå målene satt i klimaforliket. Og det er her regjeringen også bør forankre Norges klimamål for 2030, som skal meldes inn i forkant av klimamøtet i Paris i 2015. Arbeiderpartiet er rede til å bidra til slike forlik, slik vi også er rede til å til samtaler blant alle partier om morgendagens skattesystem, etter at vi har mottatt og studert innstillingen fra Scheel-utvalget, som kommer i morgen. «Vi må se i øynene at norsk økonomi kommer til å møte andre og nye utfordringer de neste årene» sa finansminister Siv Jensen til Dagbladet nylig, og hun la til at vi må endre før det smerter for hardt. når hun mener at nordmenn ikke tar inn over seg hvilke endringer fremtiden krever. Jeg tror ikke det er slik. Jeg tror folk skjønner veldig godt at vi står foran utfordringer, og at det krever noe av oss alle – ikke bare fordi oljeprisen faller, men fordi vi lever i en verden i forandring. Jeg tror folk skjønner det når bedrifter på Vestlandet må si opp ansatte. Da skjønner både de ansatte og bedriftseieren at det er alvor. Når rådmenn over hele landet

betydelig, ser de hva dette dreier seg om. Og når folk flest ser stadig flere tegn på klimaendringer, både i Norge og i omverdenen, skjønner vi alle at vi står overfor enorme utfordringer. De politiske skillene i vårt land handler ikke om hvilke utfordringer vi ser ligger foran oss, men om hvordan vi tenker å møte dem. Det handler om retningsvalg, om hva vi inviterer folk med på, om hvordan vi fordeler byrder, og hvordan vi satser sammen. Regjeringen har valgt sin strategi, på mange områder i Regjeringen har valgt sin strategi, på mange områder i strid med ekspertenes råd, i strid med folkemeningen og i strid med det vi mener er riktig for å ta landet i en annen retning. I Arbeiderpartiet vil vi bruke de store pengene på de store oppgavene. Det er gjennom sterke fellesskap og små forskjeller vi best møter utfordringene vi står overfor. Derfor sier vi nei til de store skattekuttene til dem som har mest fra før, og ja til satsing på klima, kollektivtrafikk, velferd i kommunene – og en kraftig satsing på å bygge landet for fremtiden, med støtte til landets gründere og bedrifter og ikke minst dem som faktisk skal bygge landet: dette landets fagarbeidere. Det blir replikkordskifte, begrenset til seks replikker. Det er litt vanskelig å få tak på hva representanten

og samtidig sørget for å pumpe mer inn i offentlige budsjetter. Det betyr at den underliggende utgiftsveksten går opp fra 2,3 pst. til 3 pst. neste år, med Arbeiderpartiets opplegg. Mener Jonas Gahr Støre at det er riktig at det offentlige skal øke sine utgifter kraftig mye mer enn det en forventer at økningen i fastlandsøkonomien skal være? Jeg har jo notert at Høyre synes det er greit. Jeg har aldri hatt noe problem med det – hvis det er riktig og strategisk investert, hvis det får ned forskjellene, får opp aktiviteten, stimulerer til forskning, stimulerer bedriftene, da er det en klok anvendelse av penger. Høyre har tviholdt på at dette er en handlingsregel, at det ikke skal vokse mer, og når de for første gang kommer i regjering med det partiet som deler denne ambisjonen, skjer faktisk det. Til det at det er uklart hva jeg egentlig vil: Jeg pleier ikke å oppleve at folk har problemer med å forstå det. Jeg er for et statsbudsjett som bidrar til aktivitet, bidrar til å jevne ut forskjeller, bidrar til å løse de oppgavene vi har foran oss. Det er ikke noe mål for oss at utgiftsveksten skal ligge akkurat litt over eller akkurat litt under grensen for veksten i økonomien. Målet vårt er at vi treffer godt i forhold til de behovene vi har, og de oppgavene vi skal løse. Retorikken er sånn at denne regjeringen gir skattekutt til dem som har mest fra før. Det hadde Gahr Støre flere sitater om i Det var et veldig godt sitat i E24 den 7. oktober 2014, dagen før statsbudsjettet ble lagt fram: «Formuen min består ikke av penger. Jeg er medeier i en familiebedrift, Sinkaberg-Hansen AS, som driver med oppdrett og foredling av laks. Min formue er båter, sløyemaskiner, oppdrettesmærer, flere kilometer tau og laks i mærder og kar. Kort sagt arbeidsplassen til 170 mennesker,» sier hun. «Hun» er da Lisbeth Berg-Hansen, som arbeiderpartimedlem av finanskomiteen. Deler representanten Gahr Støre hennes syn på at formuesskatten er en skatt som ikke først og fremst handler om penger, men om muligheten til å investere i og utvikle norskeide bedrifter? Siden representanten nevner en medrepresentant, vil jeg si at denne medrepresentanten er en av dem som gjør meg stolt av å være medlem av Arbeiderpartiet, nemlig at hun har klart å kombinere meget innovativ satsing på å utvikle dette landets ressurser med å være engasjert i politikk og å være et samfunnsengasjert menneske. Hun har påpekt sider ved formuesskatten som jeg mener vi absolutt bør debattere. Vi har aldri ment at denne skatten er perfekt. Hun har også sittet i et parti og stemt for og vært med på opplegg som har formuesskatten inne fordi vi trenger den til å finansiere utvikling, også i de deler av landet hvor denne bedriften ligger, også i de deler av landet hvor denne bedriften ligger, og til å utdanne de folkene som kan jobbe på det anlegget denne bedriften utvikler. Jeg har møtt en del av de elevene som har fått sin mulighet, nemlig fordi fellesskapet og kommunen har kunnet satse. En av grunnene til at de har kunnet satse, er at vi har offentlige finanser til å finansiere de velferdstjenestene som er nødvendige for at vi har et innovativt næringsliv. Jeg skal stille spørsmålet til representanten

Den har Arbeiderpartiet videreført i sitt alternative budsjett, og godt er det. Det er veldig smart. Men når det gjelder de retoriske poengene som representanten fra Arbeiderpartiet alltid kommer med, vil jeg stille følgende spørsmål, som jeg regner med å få et kort og konsist svar på: Hvem er det som mest nyter godt av endringene i arveavgiften? Når arveavgiften blir fjernet, hvem får mest igjen ved arv – er det de med høy formue,

arvet et hus eller en hytte. Det var ikke det som var meningen med innretningen. Samtidig har vi merket oss at økonomene på Handelshøyskolen sier at hvis vi fjerner arveavgiften og formuesskatten, slik representanten er for, vil det være ett land igjen i Vesten som har gunstigere beskatning av formue enn Norge. Dit bør ikke Norge komme. Derfor mener vi at fremtidens skatteopplegg bør sørge for at de med sterkest skuldre, tar de største byrdene, at arv er et tema som vi på en eller annen måte bør adressere, men at den arveavgiften som sto igjen, slik det var i 2013–2014, ikke var den best egnede måten å gjøre det på. Både representanten

Da trenger vi gjennomganger fra tid til annen, og vi får antakeligvis et godt grunnlag for det gjennom dyktige fagfolk som leverer sin innstilling i morgen. «Et anstendig, trygt arbeidsliv» er en god parole for Senterpartiet og Arbeiderpartiet. den 7. mai 2013 et handlingsprogram som behandlet EØS-spørsmålet. Kongressen vedtok forslaget fra en enstemmig redaksjonskomité, og der heter det bl.a.: «ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU regler. En slik forrang må avklares mellom EØS avtalens parter.» Jeg er enig med

området. Jeg mener at ILO-konvensjonene, som er en annen type rettsregler enn direktiver som vedtas i EU, og som vi vedtar i en EØS-sammenheng, skal inspirere lovgivning i vårt område. Til nå har det også vært tilfellet for hovedtyngden av den lovgivningen som EU har vedtatt. Skulle det komme til alvorlige brudd på de prinsippene, mener jeg Norge må være hvis det er i strid med det som er norske interesser. Det har vi anledning til. Til nå har det ikke vist seg nødvendig. Er

dreining av skatter og avgifter i miljøvennlig retning og styrking av miljøteknologiordningen. Alle er tiltak som gjennomføres i forliket mellom regjeringen, Kristelig Folkeparti og Venstre, i tillegg til at det i forliket er økte avgifter på flyreiser, det er økt elavgift, det er en dobling av det grønne fondet, det er en styrking av Enova – igjen – som det også har vært tidligere. Representanten Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet ønsker et klimaforlik og et nytt forlik for å nå målene i 2020. Hva er Gahr Støres konkrete forslag til tiltak Arbeiderpartiet ønsker å gjennomføre, som regjeringen og flertallet ikke ønsker, og som Arbeiderpartiet ønsker nå, men kanskje ikke har gått inn for Jeg vil gi ros til Venstre og Kristelig Folkeparti for å ha gjort et stort underskuddsbudsjett på klima- og miljøområdet til noe som nå er blitt mer anstendig – om jeg må få si det slik – selv om man på noen områder også kunne strukket seg noe lenger. Det jeg har sagt om klimaforlik, er at vi har et klimaforlik fra 2007–2008 som samlet en gruppe partier her på Stortinget. Vi var flertallsregjering, behøvde ikke et klimaforlik, fikk et klimaforlik. Nå er det mindretallsregjering,

Og det mener jeg vi bør søke i bred krets her i Stortinget, det vil være i tradisjon med de tidligere forlikene vi har hatt. Replikkordskiftet er omme. Norge er et land med samarbeidstradisjoner. Vi er et fredelig land, et land der politikken nyter høy tillit hos folk, og hvor den politiske polariseringen er

som har medført at alle partier har satt sitt stempel på budsjettet, samtidig som det er bred enighet om å videreføre hovedgrepene i budsjettet, historisk satsing på samferdsel, skole, helse og justis. Høyre og de andre borgerlige partiene vant valget i fjor. Vi vant fordi vi pekte på utfordringer som Norge står overfor, og fordi vi ga svar som folk har tillit til. Vi vant fordi vi var enige om å ruste Norge for gjennom å løse viktige oppgaver i dag i fellesskap. Derfor hadde vi et klart alternativ til den rød-grønne regjeringen, basert på vår samarbeidsavtale fra forhandlingene i Nydalen. Dette ligger til grunn for den budsjettavtalen som regjeringspartiene har inngått med Kristelig Folkeparti og Venstre. Noen har også pekt på at forhandlingene tok lang tid før det endelige resultatet ble presentert. Men til forskjell fra de siste åtte årene har vi Regjeringen hadde fremmet sitt statsbudsjett, Kristelig Folkepartis og Venstres posisjoner var kjent, og gjennom media ble folk kjent med framdrift og prioriteringer. Det er viktig for meg å understreke at vi lykkes med å komme fram til en enighet om neste års statsbudsjett fordi vi er fire partier som vil samarbeide. Vi har et felles verdisyn, vi er opptatt av å forenkle og fornye Norge. Vi er opptatt av å ha et sterkt og bærekraftig sosialt sikkerhetsnett. Vi styrke norsk næringsliv og skape trygge arbeidsplasser over hele landet, og vi skal sørge for at vi starter en helt nødvendig omstilling, fra en oljedrevet økonomi til en økonomi som kan møte en framtid der vi er mindre avhengige av inntektene fra petroleumssektoren. Mye av dette skal skje innenfor nye, grønne næringer. Statsbudsjettet og budsjettavtalen legger til rette for dette. I oktober la regjeringen fram et budsjett som ruster Norge for årene framover, og som løser viktige utfordringer i dag. Samarbeidspartienes budsjettavtale ivaretar og forsterker viktige satsinger. Venstre og Kristelig Folkeparti har påvirket budsjettet på viktige områder. Samtidig ligger Høyres og Fremskrittspartiets hovedgrep fast. Vi får en rekordstor satsing på kunnskapssamfunnet. Norge vil aldri bli billigst, men vi skal alltid ta mål av oss til å være best. Det forutsetter at vi har en skole der barna lærer enda mer, og en universitets- og høyskolesektor med flere miljøer i verdensklasse. Det forutsetter også at vi øker innsatsen på forskning. Dette budsjettet er et viktig skritt i å skape et sterkt kunnskapssamfunn. Vi skal ha bedre kvalitet og flere pasientbehandlinger i helsetjenesten. Et trygt og kompetent helsevesen er en målsetting for enhver regjering. Folk skal oppleve at hjelpen er der når behovet er størst. Derfor skal vi skape pasientenes helsetjeneste. Det er viktig også for å møte en framtid der vi kommer til å leve lenger, hvor vi blir flere eldre, og hvor mange av oss – heldigvis – vil leve lenger også med Derfor øker vi kvaliteten og reduserer ventetiden for å få behandling. Vi skal ha en storstilt satsing på samferdselsinvesteringer og vedlikehold. Urbaniseringen vi opplever i dag, vil øke de nærmeste tiårene. Dette er positivt for miljøet, men innebærer også at vi må satse mer på jernbane og kollektivtransport for at folk skal komme raskt fram og trygt hjem. Samtidig skal vi ha bosetting og næringsaktivitet i hele landet. Regjeringens mål er derfor å øke investeringene i samferdsel utover Nasjonal transportplan og sørge for at vi er rustet for framtiden. Vårt budsjett betyr en betydelig satsing på og iverksetting av nye store prosjekter, men tar også bedre vare på det vi allerede har bygd. For første gang reduseres vedlikeholdsetterslepet på de statlige riksveiene. Satsingen gir innbyggerne økt trafikksikkerhet

Vi vil få et budsjett for 2015 som gjør hverdagen bedre, samtidig som vi får et budsjett som ruster Norge for framtiden. Det blir replikkordskifte. Det er behov for et betydelig løft i helsetjenesten i årene som kommer. Vi blir flere, vi blir flere eldre, og det er en rivende Vi la fram en sykehusplan med opptrapping til nye 12 mrd. kr disse fire årene – 3 mrd. kr i året. Før valget hadde velgerne grunn til å tro at også Høyre så behovene for økte ressurser i sykehusene. I Dagens Næringsliv 16. august 2013 fikk vi kritikk fra Høyre for at vår plan var for lite ambisiøs. På direkte spørsmål om veksten sa Bent Høie: «Ja, den vil komme uansett hvilke partier som sitter i regjering, dersom man skal dekke opp for veksten, og det skal vi selvfølgelig.» Han bekreftet at det ville bli større milliardvekst i sykehusene med Høyre enn med Arbeiderpartiet, og i tillegg skulle det frie behandlingsvalget behandles utenfor budsjettet. Nå har vi fasiten. Høyres overbud var et overbud. De lovte 3 mrd. kr, bevilget 2 mrd. kr, og pengene til de private skal tas fra rammen, ikke i tillegg. Kan representanten Helleland forklare hvorfor de ikke følger opp det de så presist lovte velgerne? Det er godt at representanten Gahr Støre refererer økningen i helsebudsjettet, som er betydelig – 2 mrd. kr ekstra til sykehusene. Samtidig vet vi at helseministeren nå jobber på spreng med en nasjonal sykehusplan, som blir et veldig viktig dokument for å komme videre med å gi pasientene en Vi har satt inn en rekke tiltak for å bedre pasientenes mulighet til å velge tjenester. Det blir satset på dette i neste års budsjett. Innenfor rus og psykiatri er det en god opptrapping. Jeg mener at vi er på riktig vei når det gjelder opptrapping i helsevesenet. At Arbeiderpartiet klarer å hive på en milliard kroner ekstra når de tar inn 10–12 mrd. kr i skatteøkninger, er ikke så veldig imponerende. Når vi samtidig vet at dette finansieres gjennom å fjerne absolutt alle skattelettelser som skal bidra til den veksten som trengs for et godt helsevesen, er jeg ikke så veldig imponert over den satsingen. Jeg skjønner at representanten Helleland ikke er imponert. Han lovte mer enn 3 mrd. kr, bevilget mindre enn 2 mrd. kr – det regnestykket står. Så til et annet spørsmål om dette forliket. På klimaområdet gjøres et omfattende kutt – 306 mill. kr til kjøp av klimakvoter i strid med et av de bidragene vi kan og bør gi til det internasjonale klimaarbeidet. Klima- og miljøministeren, som sitter i salen nå – spørsmålet er ikke til henne – har sagt at en slik reduksjon ikke vil være i samsvar med realistisk budsjettering og varsler at man må komme tilbake senere i 2015 for å gjøre noe med dette. Er parlamentarisk leder i Høyre enig? Han var en av sjefforhandlerne ved dette forliket er han enig med sin egen statsråd om at dette var urealistisk budsjettering? Vi foretar ikke urealistisk budsjettering når vi sitter og lager et budsjettforlik. Det som er sikkert, er at Norge skal oppfylle de klimakvotekjøpeavtalene vi har inngått, og vi skal fylle på for å få det i orden dersom det skulle være for lite. Vi mener at det som nå ligger inne, er realistisk sett i forhold til de forpliktelsene Norge har påtatt seg. Vi kan godt gå inn for dette. Vi vet at flere andre partier også ønsker å kutte i klimakvotekjøpet gjennom sine alternative dette. Vi vet at flere andre partier også ønsker å kutte i klimakvotekjøpet gjennom sine alternative budsjetter. Klimakvotekjøpene skal ivaretas på en god måte, og det er jeg sikker på at denne regjeringen vil bidra

og at flere ettåringer får tilbud om barnehageplass. Det gir flere barnefamilier en bedre situasjon og en enklere hverdag. Men hvordan vil Høyre og regjeringen sikre at barnehagekøene med dette reduseres – at disse pengene faktisk går til barnehagesektoren og til utbygging av flere barnehageplasser – slik at foreldre til ettåringer faktisk opplever at de nå i større grad får barnehageplass når de trenger det? Jeg er veldig glad for enigheten vi fant fram til med Kristelig Folkeparti og Venstre også på dette området. Det er en viktig styrking av barnehagesektoren det nå legges opp til. Jeg har – antakeligvis i likhet med representanten Bekkevold, som jeg hadde gleden av å sitte sammen med i kommunalkomiteen i forrige periode – betydelig tro på kommunenes evne til å prioritere de frie midlene. Der det er behov for barnehageplasser, er jeg rimelig trygg på at de midlene vil bli brukt til å bygge barnehageplasser sånn at vi får redusert køene. Et viktig element i dette er at vi også ønsker et mer fleksibelt opptak, at det legges til rette for at barn kan starte i barnehagen av når de er født på året og når de har behov for barnehageplass. Dette forliket, denne enigheten, vil bidra til det. Så vet vi at i noen kommuner er det overkapasitet av barnehager. Derfor ville det være feil å komme med en direkte øremerking av midlene. Det riktige må være at kommunene bruker sitt sunne vett og bygger ut barnehageplasser i takt med

overgangen fra Samholds-Norge i retning av Forskjells-Norge. Jeg har to enkle spørsmål til representanten Helleland: Er representanten enig i at Norge er blitt for oljeavhengig? Og er representanten enig i at norsk arbeidsliv brutaliseres? Dette er to enkle, men vanskelige spørsmål. Når det gjelder det første, om Norge er blitt for oljeavhengig: Oljen har gitt oss en fantastisk velstandsutvikling og lagt grunnlaget for å kunne satse på å styrke utdanningen, styrke helsevesenet osv. Det er viktig. Men regjeringen er veldig tydelig på her i Stortinget også – at vi må gjøre oss mindre oljeavhengig i framtiden, vi må ha flere bein å stå på, og vi må ruste Norge for framtiden. Derfor er jeg naturligvis glad for den velstanden oljen har gitt oss. Men hvis vi ikke makter å omstille oss og ta i bruk fastlandet, skogen og andre viktige næringer, har vi et stort problem. Når det gjelder brutalisering av arbeidslivet, er jeg ikke enig i dette. Men jeg er enig i at det vi må slåss imot,

Her foreslår ein store kutt i permitteringsreglane, som nettopp er laga for å hindre at viktig kompetanse forsvinn ut av landet når ordreboka står tom. Her kuttar ein i regional utvikling i regionar som verkeleg treng felles tiltak for å løfte næringslivet. Her foreslår ein ingen nye såkornfond i regionar som verkeleg har mangel på kapital til å investere i nytt næringsliv. Her foreslår ein at Noreg skal ut av Copernicus- programmet, i ein sektor der Noreg er Her kuttar ein i marint verdiskapingsprogram, som vi veit er den store, nye næringa for Noreg. Her blir det kutta i innovasjon i skognæringa, som er ei viktig næring i representanten sitt heimfylke, i reiseliv osv. Til alle dei som no ikkje forstår kva Høgre sin næringspolitikk er: Korleis vil representanten forklare logikken i dette?

i Høyre konsekvent bygd dem ned for å bygge samferdselssektoren opp. Det kommer vi til å fortsette med, for det har aldri vært demonstrasjonstog utenfor Stortinget som har krevd økning i regionale utviklingsmidler, men det har vært mange demonstrasjonstog her ute – fakkeltog – som har krevd bedre vei, bedre tilgjengelighet, bedre infrastruktur, mer rassikring. Det er hovedprioriteten for å få norsk næringsliv i Distrikts-Norge til å gå enda bedre. Da er det ikke så viktig med de midlene som går via fylkeskommunen til regional utvikling. Presidenten gjør oppmerksom på at det er én replikk igjen. Hvis ikke noen av partiene som er større enn SV, vil ha den, får representanten Knag Fylkesnes den siste replikken. Eg legg merke til at Helleland berre tar utgangspunkt i eit av dei kutta som eg gjorde merksam på

Når SV skal belære Høyre om næringspolitikk, og bruker næringslivet som sannhetsvitne, vil det overraske meg om ikke representanten har møtt næringslivsledere som har snakket om behovet for kutt i formuesskatten og for nedsatte avgifter for å sørge for at vi har en mulighet til å drive konkurransedyktig virksomhet i Norge. Representanten Knag Fylkesnes snakker kun om offentlige tiltak som skal smøre næringslivet. Det er viktig. Men det viktigste er jo at infrastrukturen er på plass, og at skatte- og avgiftsreglene er til å leve med. Det er det som betyr noe for norsk næringsliv. Replikkordskiftet er omme. Først av alt vil jeg også få lov til å takke min regjeringskollega fra Høyre, Trond Helleland, for samarbeidet, men jeg vil ikke minst også få si takk til Kristelig Folkepartis Knut Arild Hareide

takk til Kristelig Folkepartis Knut Arild Hareide og Venstres Trine Skei Grande for veldig gode forhandlinger. Jeg må nok innrømme at i perioder synes jeg de var litt vel gode forhandlere. Men vi fikk på plass et veldig godt resultat. Dette viser igjen at alle fire partier – regjeringspartiene som samlet regjeringskoalisjon, men ikke minst Venstre og Kristelig Folkeparti – har fått sine klare fotavtrykk i budsjettet. Det er jo det dette dreier seg om. Så har vi hørt i en del innlegg her i dag at en del helt åpenbart glemmer at det faktisk ikke er slik hovedregelen i det norske storting, men mindretallsregjeringer. Tenker man noen år tilbake i tid, før de rød-grønne i hvert fall etter min mening satt altfor lenge, hadde vi også mindretallsregjering. Også den gangen gikk det lengre tid med forhandlinger før man kom fram til et endelig resultat. Men det må jeg si: Det resultatet som foreligger, er et godt resultat.

kan komme raskere tilbake etter sykdommen sin, enten tilbake til yrkeslivet eller i det minste tilbake til en bedre hverdag, for det er ikke alle som kommer tilbake i jobb, men også de krever og fortjener en god sykehusbehandling. Det er altså slik at denne regjeringen også har gjeninnført det som man kaller den gylne regel for det er faktisk slik at de som sitter nederst ved bordet, særlig knyttet til rus og psykiatri – de pasientene vi kanskje ser minst til, og som roper og klager minst – kanskje også har de største utfordringene. Så denne regjeringen har gjeninnført regelen om at veksten innenfor rus og psykiatri skal være større enn veksten innenfor somatikken – nettopp for å sørge for å ivareta denne

Det er et budsjett som viser at vi har en regjering som satser på og bygger ut Distrikts-Norge, for å sørge for at vi fortsatt kan bo overalt i landet, og for å sørge for at man kommer seg trygt til arbeid og på skolen gjennom den veksten og den satsingen regjeringen gjør innenfor samferdselssektoren. Jeg reiser mye rundt omkring i landet. landet. I motsetning til de tilbakemeldingene representanten fra SV som nettopp var i replikkordskiftet med Trond Helleland, fikk, så opplever i hvert fall jeg at en av de første tingene jeg blir spurt om og konfrontert med når jeg besøker bedrifter overalt i landet, er: Dere må satse på samferdsel, dere må sørge for at vi får en raskest og kortest mulig vei fra vår bedrift og fram til markedet. Ja, man pleier å si at det er ingen som har det så travelt som en død laks som skal fram til et marked. Og det er faktisk viktig. Det var også et spørsmål knyttet til om vi er for oljeavhengige – det var vel representanten Lundteigen som var inne på det. Ja, vi har gjort oss veldig avhengige av oljen. Oljen har gitt oss veldig mye bra, og vi har vært helt avhengige av oljesektoren vår. Men samtidig vet vi også at hvis ikke vi har samferdselen på plass, vil vi på sikt også slite med å få fram de andre nødvendige næringene som sørger for at velferden vår kan fortsette å utvikle seg. Det er veldig mye bra i dette budsjettet. Dette er et budsjett for framtiden. Dette er et budsjett som også viser at vi har en regjering som også vil effektivisere offentlig sektor. Det er helt nødvendig for at vi skal få mest mulig ut av skattekronene til glede for landets innbyggere. Det blir replikkordskifte.

og en rekke kommuner over hele landet planlegger kutt i sine tjenester på grunn av et magert kommuneopplegg. Kan Fremskrittspartiets parlamentariske leder forklare hvorfor de rikeste skal bidra mindre til samfunnet, og hvordan det å øke forskjellene mellom folk skal gjøre Norge bedre rustet for framtiden? Først av alt hadde jeg kunnet tenke meg at representanten Helga Pedersen snart byttet manus, slik at vi kunne fått andre spørsmål også. Men jeg skal svare på spørsmålet fra representanten Helga Pedersen.

Det vi imidlertid vet med sikkerhet, er at skattekuttene rammer vår evne til å finansiere velferden. Fremskrittspartiet har i alle år avvist at man må velge mellom skattekutt og velferd. Men i Bergen og Stavanger erfarer Fremskrittspartiet og Høyre at det faktisk er sammenheng Og ut fra Fremskrittspartiets retorikk lurer jeg på om det at man gjeninnfører eiendomsskatten i Bergen og øker den i Stavanger, vil hemme eller fremme veksten i våre to vestlandsbyer. Nå tror jeg det er viktig at vi på Stortinget diskuterer den generelle og sentrale politikken, og så får vi diskutere kommunepolitikken ute blant dem som er folkevalgt på kommunalt nivå. Jeg tror det vil være veldig greit. Jeg skal ta et par eksempel når det gjelder vekstfremmende skattelettelser. Både vekstfremmende skattelettelser og avgifter er svært viktig for at vi skal få «drive» i økonomien, men dette må også ses i sammenheng med andre tiltak. Det er helt klart at når man øker samferdselsbudsjettet så mye som denne regjeringen gjør, er det også vekstfremmende i seg selv fordi man bedrer konkurranseevnen til norske bedrifter. Når man gjør ting med avgiftssystemet, sørger man også for at innbyggerne vil sitte igjen med mer av egen inntekt, og det gjør også at presset i økonomien blir mindre. Man kan få vekst også gjennom den sektoren. Når det gjelder kommunesektoren, har til og med KS uttalt at det budsjettet som denne regjeringen har lagt fram, har vært bra.

Jeg skjønner at representanten Nesvik synes at Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide var vel gode forhandlere i perioder, men det gjorde jo at vi fikk et godt resultat. Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er enige om at lønnsomheten i jordbruket skal økes, bl.a. gjennom «reformer», som det står i samarbeidsavtalen. Et godt resultat fikk vi også til ved at vi ikke Det gjør jo – som representanten Nesvik selv var inne på – at dette også blir et godt distriktsbudsjett, ikke bare når det gjelder samferdsel, men også når det gjelder dette med å skape arbeidsplasser – om man er gründer, har en småbedrift eller er bonde. Men vi skal se framover. Jeg har lyst til å utfordre representanten Nesvik på: Hvilke andre reformer ser han for seg for å øke representanten Nesvik på: Hvilke andre reformer ser han for seg for å øke lønnsomheten innenfor landbruket? Det handler bl.a. om en betydelig økning innenfor det som har med forenkling og avbyråkratisering å gjøre. Det handler om å se på antallet støtteordninger som foreligger her, for å gjøre dem enklere og mer oversiktlige, slik at bønder og andre kan forholde seg til dem på en skikkelig måte. Vi må se på regelverket Vi må se på hvordan man kan klare å få økt lønnsomhet ut av det man produserer, dvs. en større frihet for den enkelte bonde til å styre sin egen virksomhet utover det man gjør i dag. Det er en rekke tiltak man ønsker å komme fram til. Men det aller viktigste i så henseende er at vi forholder oss til det at vi har en jordbruksavtale. Vi skal forholde oss til avtaleverket, og vi ser fram til å fortsette det arbeidet.

et tjuemillioners utredningsprosjekt, som skal danne grunnlaget for et forsøk med statlig finansering. Samtidig har regjeringen valgt nedtrekk for kommunene på en slik måte – iallfall når vi ser det i forhold til varslet skattesvikt – at vi vet at det kommer til å bli kutt i eldreomsorgen og i andre omsorgstilbud ute i kommunene Spørsmålet er rett og slett: Hvor er det blitt av den handlekraften som Fremskrittspartiet ville ha på dette området? Jeg hadde jo ønsket at representanten Arnstad hadde lest hele budsjettet. Da hadde hun fått med seg at regjeringen øker kapasiteten og kvaliteten i omsorgstjenesten med 568 mill. kr. Man legger opp til 2 500 heldøgns omsorgsplasser i 2015. Man sørger for at det kommer på plass 1 070 dagaktivitetsplasser for personer med demens. demens. Man sørger for å komme i gang med å utrede den statlige finansieringen av eldreomsorgen. Vi utreder lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg. Vi gjør faktisk svært mye på dette området – ja, langt mer enn det den forrige, rød-grønne, regjeringen var i stand til å få

fire fattigslige hundrelapper i året i skattelette av Fremskrittspartiet. Samtidig øker utgiftene for mange. Barnehagene blir dyrere, frukt må betales for skoleungdommene, eldre får ikke lenger gratis tannhelsekontroll, og en vil bare ha råd til fem plastposer i uken før skatteletten er spist opp. Hvordan føles det å være parlamentarisk leder for et parti som foreslår betydelig mindre skattelette for folk flest enn det SV gjør i vårt alternative budsjett? Problemet med SVs opplegg er at en tar det jo inn igjen gjennom avgiftspolitikken, slik at man ikke får den virkningen som representanten Lysbakken prøver å framstille det som man vil få. Men jeg skal forholde meg til vårt budsjett og snakke om det isteden, så kan Lysbakken få lov til å snakke om sitt. Denne regjeringens opplegg gjør faktisk at det er 100 000 færre som betaler formuesskatt.

kommer nettopp dem som har de laveste inntektene, mest til gode. Så vi gjør noe for alle grupper, og alle grupper kommer bedre ut i dag. Kjernen i mitt spørsmål er det spørsmålet Fremskrittspartiet har fått mange ganger i dag, og som de kommer til å få mange ganger i dag, selv om de ikke ønsker flere spørsmål om skattekutt – det som gjelder prioriteringen. Det er ingen som stiller spørsmål ved at Fremskrittspartiet og Høyre har maktet å få skattenivået ned. Men det spiller jo ingen rolle for vanlige folk, når det ikke er skattenivået for vanlige folk som går ned, men skattenivået for dem på toppen. Da er mine spørsmål: Hvorfor er det rettferdig og fornuftig at vanlige arbeidsfolk får 400 kr i skattelette og høyere utgifter, mens de som har aller mest i det norske samfunnet, skal få veldig mye? Og er det ikke en å kalle en slik politikk for en politikk for folk flest? Nei, den politikken som regjeringen fører, er for folk flest. Den er for folk flest som oppdager at man får mer politi i gatene hver eneste dag, den er for folk flest som oppdager at man får raskere behandling på sykehusene, den er for folk flest når vi hever minstefradraget i skattesystemet, og den er det

Vi mener at det er viktig, som i det eksemplet som jeg tidligere nevnte, at Brunvoll fabrikker i Molde skal ha samme konkurransekraft og samme mulighet til å konkurrere i et marked som det Rolls-Royce har, men på grunn av det systemet med formuesskatten som er der i dag, premierer man de engelske eierne av Rolls-Royce framfor det lokale eierskapet i Brunvoll. Det mener jeg er galt,

Samferdselsministeren, som sit i salen, kan òg stadfeste at for ein gongs skyld opplevde me at me fekk gjort noko med forfallet, og at det skulle gå i riktig retning, og innan kunnskap og justis er det gjort betydelege satsingar. Ord som «historisk» er brukt, og det er riktig. Likevel meinte Kristeleg Folkeparti at det var betydeleg forbetringspotensial ved budsjettet. Derfor er me glade for at me har fått ein betre sosial profil på budsjettet, at det er blitt det mest offensive miljøbudsjettet nokon gong, at me har fått ein betre familieprofil – det har ikkje blitt nemnt av så mange her i dag – og ikkje minst at me har fått forbetra distriktsprofilen. Eg kjem tilbake til dette. Men eg har òg lyst til å seie nokre ord om det som skjer i morgon.

ein av dei lågaste selskapsskattane av dei landa me samanliknar oss med. I dag ligg me i det øvre sjiktet, fordi så mange land har redusert selskapsskatten. Derfor er det behov for ein heilskapleg gjennomgang, og eg håpar at me kan samle det politiske Noreg sånn som me gjorde på byrjinga av 1990-talet, sånn som me gjorde i 2003–2004, og at me òg kan oppleve det når me no får Scheel-utvalet si innstilling og får sett dei anbefalingane som kjem der. For Kristeleg Folkeparti var det særs viktig at me greidde 1 pst. av BNI til verdas fattige. I dag har me fire humanitære kriser på nivå 3. Aldri har me opplevd ein meir krevjande flyktningsituasjon enn den me har i dag. Me må faktisk 70 år tilbake i tid og til krigens dagar for å sjå ein meir krevjande situasjon. Derfor er det òg eit veldig godt signal som blir gitt når me tar imot fleire flyktningar. Òg sårbare grupper i vårt eige land har me vore opptatt av å forbetre situasjonen for. Det gjeld innan rus, psykiatri og direkte Gjennom forliket fekk òg Venstre og Kristeleg Folkeparti gjennomslag for meir til barnehage, ja totalt opp mot 400 millionar nye kroner inn i barnehagesatsing. Det er viktig, om me ønskjer ein reell valfridom for dei minste barna. I dag veit me at det er mange barn som har venta, relativt sett, lenge på barnehageplass. For Kristeleg Folkeparti er det valfridomen som er viktig. Det er ikkje valet mellom barnehage

som viser ein forbetra distriktsprofil. Me sikrar at for første gong vil utsleppa innan transportsektoren gå ned. Det er ei betydelig auka satsing på klima og miljø i budsjettet, på nærmare 1,9 mrd. kr. Belønningsordninga både for kollektivtransport og gang- og sykkelvegar blir auka kraftig.

enn det usosiale og klimafiendtlige utgangspunktet. Men om representanten Hareide heller jamfører sitt eget alternative budsjett og den retningen landet ville få med det, med Arbeiderpartiets budsjett, er han ikke da enig i at Kristelig Folkeparti ville hatt mer å hente på et samarbeid med Arbeiderpartiet når det gjelder sosial rettferdighet, internasjonal solidaritet og klimapolitikk – for å nevne noen politikkområder hvor Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har hatt et felles verdigrunnlag enn de har fått i et samarbeid med høyresidens fløypartier? No er eg veldig opptatt av å få fram at nettopp det budsjettet som Siv Jensen kom med hit til denne salen, hadde veldig mange gode sider, f.eks. på kunnskap, på samferdsel, på justis og innanfor helse. Når det gjeld problemstillingane på det internasjonale området, som òg blir tatt opp her, og som er særdeles viktig for Kristeleg Folkeparti, er me veldig glade for at me har nådd vårt mål om 1 pst. av BNI. Me opplever at me òg har fått gjort noko med dei krevjande utfordringane me har for sårbare grupper i vårt eige samfunn. Så er det eit lite paradoks her: Det er klart at me har ikkje berre vore fornøgde med den skatteprofilen som budsjettet til Solberg-regjeringa hadde, men for første gong opplever me no at vår skattemodell for skattlegging av formuar reelt sett blir Det opplevde me aldri under dei raud-grøne. Sjølv om me foreslo det år etter år, blei aldri vår modell for skattlegging av formuar utgreidd. Det blir han no. Men det som er kjernen i mitt spørsmål og bakgrunnen for det, er at det som mellompartiene her har klart å få til i budsjettforhandlingene, er å dra dette budsjettet nærmere det som er det reelle politiske flertallet i denne salen. Mitt spørsmål til Hareide blir da: Vil man etter valget i 2017 kunne ha håp om at Kristelig Folkeparti har som ambisjon å være med og føre landet i rett retning, sammen med partier som i stor grad vil det samme, heller enn å holde dagens høyrepartier, som ønsker å gå i feil retning, i ørene? Det som er viktigst for Kristeleg Folkeparti, er politikken. Me opplever verkeleg at me har fått sett vårt preg på dette budsjettet, ved at det politikken. Me opplever verkeleg at me har fått sett vårt preg på dette budsjettet, ved at det har fått ein betydeleg betre sosial profil, og ved at me har fått det historisk beste miljøbudsjettet nokon gong. Eg meiner òg at dei raud-grøne må tole at me samanliknar det dei gjorde i åtte år, med det me reelt sett får til no.

Men eg synest òg det er viktig at me har blitt einige om at det ikkje skal gjelde humanitær bistand og frivilligheita, ideell sektor. Det meiner eg ville vore ideologisk galt. Jeg vet at representanten Hareide i likhet med undertegnede er

Spørsmålet mitt til representanten Hareide blir: Er representanten Hareide enig i at framover nå må vi prioritere de personene som står i kø og venter på avvenning, og derigjennom det frie behandlingsvalg? Eg sa nettopp i mitt innlegg at det budsjettet som den blå-blå regjeringa har levert på rusfeltet, er svært godt. Så opplever eg at gjennom forliket har me gjort det endå betre. Men det har vore ei satsing frå dag éin med statsråd Bent Høie som helseminister.

regnskap. Jeg skal snakke om eldre. Kristelig Folkeparti har jo en lang historie med å være opptatt av de eldre og av å ha en verdig eldreomsorg, og partiet har satt det veldig høyt. Det har vært flere tunge mediesaker de siste dagene som viser hvilke utfordringer vi har i eldreomsorgen. Så vet vi at vi har en stor skattesvikt i norske kommuner, sist beregnet til 2,8 mrd. kr, men det blir fort mer. Når man skal inndekke den skattesvikten i norske kommuner, vil det være pleie og omsorg og de yngste som lider av det. Det kommer til å bli lagt ned sykehusavdelinger, det kommer til å bli mindre pleie og omsorg, det kommer til å bli et dårligere tilbud. Vil Kristelig Folkeparti kunne tenke seg å være med på et løp der vi løfter kommunenes inntekter i nysalderingen, slik at vi ikke lar de eldre lide unødvendig? Det er heilt riktig som Slagsvold Vedum her seier, at me har eit sterkt engasjement for dei eldre. Me fekk også ein verdigheitgaranti saman den raud-grøne regjeringa, som me opplevde ikkje blei følgd opp i praksis. Det som er viktig, er at me ikkje berre får orda, men at me òg følgjer dette opp i praksis. Derfor er det eit eige punkt i Nydalen-avtalen om at me skal få fram nettopp det med lovfesting, rettsfesting av sjukeheimsplassar og heildøgns omsorgsplassar, som er svært viktig å få følgt opp i det verkelege Så er det ei bekymringsfull utvikling me ser i kommunane med den skattesvikten som er der. Eg har likevel lyst til å seie at så langt har KS påpeikt at dette budsjettet på mange måtar er relativt greitt for kommunesektoren og fylkesdelen av det. Me må følgje utviklinga. Me har ikkje gjort noko direkte vedtak om kva me gjer, men me har registreret skattenedgangen, og me har også registrert at budsjettet er relativt

Likevel ser vi at mye av det Kristelig Folkeparti har gjort, er å rette opp ting som gikk feil vei. Sånn sett fungerer Kristelig Folkeparti som støttehjul for et regjeringsprosjekt som går i feil retning. Det er f.eks. åpenbart at det borgerlige flertallet ikke har en politikk som kommer til å redusere fattigdommen i Norge, sånn som vi har en felles ambisjon om. Derfor vil jeg gjerne spørre om Knut Arild Hareide erkjenner at den fattigdomspolitikken som nå ligger i forliket og i budsjettet, ikke er tilstrekkelig for å nå målet om å bekjempe fattigdom i Norge, og hva hans strategi egentlig er for at vi som deler mange av de samme synspunktene her, nå kan jobbe sammen for å få til bedre resultater.
men sjølvsagt hadde eg gjerne ønskt eit hurtigare tempo her. Men eg synest f.eks. det me gjer på barnehagar, er eit positivt trekk. Der opplever eg at dei som har dei lågaste inntektene, får ein betydeleg nedgang i betalinga til barnehagar. Me får òg ein del gratis barnehagetilbod, som kjem veldig mange til gode. Det er eit steg i riktig retning. Me gjer òg ein del med omsyn til ferietilbod, men eg hadde gjerne sett at me kunne fått gjort endå mykje meir på dei områda. Me kjem til å vere ambisiøse på dette, og me inviterer gjerne breitt for å få gjort noko med det. Så vil eg seie om barnetillegget at eg opplever og meiner at den løysinga som me har fått til der, er veldig god, og eg trur at hadde berre barnetillegget no reelt sett blitt vidareført, så ville nok ikkje debatten ha stoppa der. Eg tenkjer at me har fått til ei veldig god løysing, der me sikrar legitimiteten til trygdesystemet og at me får eit barnetillegg som er behovsprøvd, og som treffer dei uføre særs godt.

som er svært usosial. De som har de høyeste inntektene og de største formuene, får de største lettelsene, og de som tjener under 500 000 kr i året, får en lettelse som nesten ikke er merkbar. Det en satser på skattelettelser, er ressurser som samfunnet kunne ha brukt bedre på andre måter, enten ved å foreslå målrettede tiltak overfor næringsliv og forskning eller ved å bidra til at kommunene kan gi folk et bedre velferdstilbud enn i dag. Senterpartiet har i sitt alternative budsjett valgt å bruke ressursene på en annen måte. Vi har brukt pengene på å øke handlefriheten til norske kommuner. Det vil gjøre dem bedre i stand til å gi et godt barnehagetilbud, en bedre grunnskole og en bedre eldreomsorg. Det er det som er de store og viktige oppgavene i samfunnet vårt. Senterpartiet har valgt å bidra med mer ressurser til forskning, til innovasjon, til industri, til fiskeri og til landbruk. Det kommer til å bidra til at man får utviklet eksisterende fastlandsindustri, men også til at nye ideer kan omsettes til nye arbeidsplasser. Det er nå engang slik når det gjelder kommunene og velferd, at skal man gi dem muligheten til å bedre velferdstilbudet og eldreomsorgen, hjelper det ikke bare å øke kompetansen i kommunene.

har merket seg særskilt, men det finnes en rekke eksempler gjennom hele budsjettet. I løpet av i fjor høst og i høst har regjeringen foreslått å avvikle ordninger som bidrar til geografisk fordeling. En av dem er en ordning som bidrar til en utjevning av strømprisen. Den er under avvikling. Det kommer til å gi dyrere strøm, særlig til folk i distriktene. I fjor og i år foreslo regjeringen å fjerne til sammen 100 fra det tiltaket. Venstre og Kristelig Folkeparti klarte å bremse farten en smule ved å legge på 20 mill. kr, men dette er en ordning for utjevning mellom regioner og mellom folk som er under avvikling. De ordningene som gir fylkene mulighet til å støtte næringslivet i sin egen region, er også under avvikling. Det kommer til å bety mindre til gründere, og det kommer til å bety mindre til næringsliv i distriktene. I fjor og i år foreslo regjeringen en reduksjon på til sammen 450 mill. kr i de regionale utviklingsmidlene. Dette er ikke midler som sitter fast i fylkeskommunene, dette er midler som brukes til gründere og næringsliv utover i regionene. Bredbåndssatsingen er også en post som er utsatt. Den forsøkte man seg ikke på i fjor høst, men i år forsøkte man å trekke ned muligheten til å støtte bredbåndstiltak rundt omkring i hele landet. Der må man si at Kristelig Folkeparti og Venstre gjorde en innsats for å prøve å reversere kuttet. Et annet område der man også ser at det har blitt en betydelig endring av politikken, er de kuttene vi ser innenfor klima- og miljøpolitikken. Der skal Venstre og Kristelig Folkeparti ha kreditt for at de har bremset en del av det, men også her er det lagt opp til satsinger som gjør at man får en motstrid mellom det som kan være miljøvennlig, og det som i realiteten er miljøfiendtlig. Det er hyggelig at man endrer bilavgiftene i en miljøvennlig retning, men når man samtidig ikke prisjusterer bensin og diesel, gir det to motstridende signaler. Forhandlingene – og for så vidt debatten her i dag – har vist at det reelt er en stor avstand mellom partiene. Kristelig Folkeparti og Venstre har bremset farten, men de endrer ikke retningen som Fremskrittspartiet og Høyre har lagt.

Det blir replikkordskifte, begrenset til seks replikker. Det er litt vanskelig å få tak på hva representanten

Det har jo Senterpartiet også på mange måter anerkjent, og de skriver i sitt program: «For det andre ønsker vi å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital. Samlet sett vil disse formuesskattereformene innebære redusert formuesskatt. Dette kan ha positive følger for både sparing og næringsutvikling Men nå opplever jeg at både Slagsvold Vedum tidligere i dag og Arnstad gjentar den billige retorikken, som jeg kaller mye av det som preger formuesskattdebatten. Når var det Senterpartiet mistet troen på sine egne skattegrep med lokalt eierskap, og at det faktisk betyr noe at de som investerer i arbeidsplasser, bor og jobber i samme miljø som de som jobber i bedriftene? Hvis Høyre virkelig ønsket en reell debatt med hele Stortinget om formuesskatten, burde jo Høyre egentlig ha ventet med endringer av formuesskatten til Scheel-utvalget kom med sin rapport, og så kunne vi få se en rekke ting i sammenheng når det gjelder skatt og skatteinngang til staten. Da kunne en kanskje også ha fått en fornuftig diskusjon om innretningen av formuesskatten. problemet er jo at den måten regjeringen har innrettet dette på, gjør at det er de 20 000–30 000 som tjener absolutt mest i samfunnet, som også får mest av skatteletten. Det er på en måte en innretning som er både uheldig og også unødvendig.

skal Senterpartiet, om man fjerner formuesskatt på arbeidende kapital, unngå å møte akkurat samme argumentasjon som den de nå står på talerstolen i Stortinget og bruker mot de forslag som kommer fra regjeringen? Nei, jeg tror Høyre har tenkt strategisk om dette. Jeg tror Høyre har tenkt som så at hvis de ikke klarer å få igjennom store lettelser til dem som har de største formuene nå, kommer de ikke til å klare å gjøre det senere, for det kan jo hende at Scheel-utvalget gjør at en får en bredere debatt om skatt og skatteinngang som gjør at de ikke klarer å få igjennom det de har lovet sine velgjørere. Jeg tror Høyre har tenkt veldig strategisk på formuesskatten i høst, og jeg synes det er sørgelig å se at vi ikke kan få en bredere debatt om formuesskatten og innretningen på den – både muligheten til å øke bunnfradraget og eventuelt også gå på arbeidende kapital – og ikke denne reduksjonen og satsen, som er det Høyre har lagt sine krefter inn på. Representanten

og har vist til at firefeltsveier er det mest effektive av alle trafikksikkerhetstiltak. Det har i ettertid kommet fram at Statens vegvesen har holdt ulykkesrapporter hemmelig for politi og domstol, inkludert under Arnstads regime. Spørsmålet er: Har Arnstad endret sitt syn og støtter i dag regjeringens satsing på vei, eller mener representanten det samme nå som tidligere? Jeg tror at jeg i min rolle som samferdselsminister i grunnen har sagt det som det også var faglig grunnlag for fra samferdselsmyndighetene, nemlig at ca. en tredjedel av ulykkestilfellene kan relateres til vegen, ca. en tredjedel til førerfeil og ca. en tredjedel til bil.

i juni 2013. Det er hyggelig at Fremskrittspartiet og Høyre følger opp Nasjonal transportplan, som ble framlagt av den rød-grønne regjeringen. Jeg har lyttet både til det representanten det til det representanten Slagsvold Vedum sa, knyttet til formuesskatten. Jeg har oppfattet at Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har hatt et likt utgangspunkt, nemlig å se på skillet mellom arbeidende kapital og kapital som tas ut på private hender. hender. Før valget var Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe ute med et utspill i Nationen, hvor han sa at man ville senke formuesskatten med 5 mrd. kr ved i første omgang å øke bunnfradraget til 2,5 mill. kr. Det er vår ambisjon i første omgang, som Borten Moe sa det. men man øker også satsen, slik at sum formuesskatt heves. Betyr det en endring i Senterpartiets politikk på dette området? Nei, det gjør ikke det, det betyr at vi er opptatt av at man øker bunnfradraget fordi vi tror det fordelingsmessig er den riktigste vegen å gå når det gjelder formuesskatten. Det har Ola Borten Moe ment, det mener også jeg, det står også jeg, det står også programfestet i Senterpartiets program. Når det gjelder de andre delene av formuesskatten, synes jeg det hadde vært interessant om vi kunne avvente Scheel-utvalget og gått en bred runde om hele beskatningen av både formue, eiendom og annet skattegrunnlag. Men jeg registrerer at Kristelig Folkeparti, som sier de ønsker å gjøre det, i dag vil støtte et forslag til en lettelse i formuesskatten som

Et lite, men etter Venstres syn helt feil kutt er imidlertid å finne, og det er å ikke innføre et regelråd. I motsetning til Senterpartiet har Venstre lenge ivret for å få på plass et norsk regelråd etter svensk suksessmodell. Et regelråd skal bidra til forenkling og hindre at offentlige myndigheter innfører unødvendige og/eller kompliserte regler, forskrifter og lover. Jeg har litt vanskelig for å skjønne Senterpartiets motstand mot dette, men det er mulig at partiet etter åtte år i regjering mener at alt som kommer fra offentlige myndigheter og fra EU, er av så god kvalitet at det bare er å iverksette uten videre. Hvorfor mener Senterpartiet at det er så lite viktig med forenkling av norsk næringsliv? Vi mener det er svært viktig med forenkling av norsk næringsliv. Det kan nok hende at vi er uenige om akkurat spørsmålet om regelråd, for det kan være slik at man rett og slett kan bestemme seg for å fjerne lover og regler uten at man trenger noe eget råd som skal hjelpe med den oppgaven. Det kan jo være slik at man, både i departement, direktorat og for så vidt også utover i fylker og kommuner, kan ta de avgjørelsene uten at man trenger noe eget råd som skal bistå i den oppgaven. og for så vidt også utover i fylker og kommuner, kan ta de avgjørelsene uten at man trenger noe eget råd som skal bistå i den oppgaven. Det var dette med hastverk som fikk meg til å ta en ny replikk. Altså: Høyre følger jo bare sin programformulering. Vi har sterk tro på at det lokalt baserte private – og mangfoldige – eierskapet er særdeles viktig for verdiskaping rundt omkring i landet, og at formuesskatten sånn sett er en ren diskriminering og siden jeg ikke får svar på det med arbeidende kapital: Tror Senterpartiet at de såkalt rike sitter med pengene på bok, og at arbeidende kapital som er ute i norske bedrifter, er en helt annen kapital enn det som de såkalt rike sitter med? Jeg har ikke noe vondt å si om at Høyre prøver å gjennomføre sitt program; det er helt i orden. Men jeg sier at jeg tror Høyre strategisk har litt hastverk – det gjelder å få gjennomført dette så raskt som mulig nå, både før en får en bred skattedebatt gjennom Scheel-utvalget, og også før en begynner å nærme seg neste valg. Den strategiske vurderingen som Høyre her har gjort, er «fair enough», men Senterpartiet kan ikke være enig i en endring i formuesskatten som gjør at de 28 000 i Norge som tjener over 2 mill. kr, får flere titusener i skattelette, mens en samtidig foretar andre skattelettelser som gjør at de som f.eks. har under 500 000 kr i inntekt, får et par hundre kroner. Den type skattelettelser kan ikke Senterpartiet være med på. Vi er villige til å diskutere innretningen på formuesskatten, vi har ment at bunnfradraget bør økes, og har foreslått det i vårt alternative budsjett, men innretningen av formuesskatten for øvrig kunne vi ha ventet med til Scheel-utvalget kommer. Da er replikkordskiftet omme. Inntil nå har dette vært en ganske vanlig finansdebatt med litt preg av småkjekling og noen spissformuleringer og morsomheter. Men vi

liten endring i oljeprisen får så store følger for vår børs, for våre arbeidsplasser og for vårt næringsliv. Samtidig ser vi at vi står overfor enorme utfordringer på klimasida, der noen i dag setter seg ned og begynner forhandlinger om å få til en internasjonal avtale, som er viktig, men der vi også må klare å omstille vårt næringsliv i forhold til de utfordringene vi står overfor. Norge skal ikke bare snu om fra å være avhengig av å selge et skal ikke bare snu om fra å være avhengig av å selge et produkt som olje og gass, men vi skal også snu hele næringslivet vårt, arbeidsplassene våre, alt det som handler om framtidas utfordringer knyttet til både klima og økonomi. Dette er det store bakteppet som vi skal diskutere statsbudsjettet mot, og da er det noen saker som blir litt små sammenlignet med de store utfordringene. For For vi skal faktisk snu hele det norske næringslivet. Vi skal skape de arbeidsplassene som vi i dag ikke engang aner hva er snakk om, vi skal skape de næringene som vi i dag kanskje ikke vet hva er, og vi skal begynne å bli avhengige av nye og mer framtidsrettede energiformer som vi skal utvikle i Norge. Derfor er det riktig å ha en stor satsing på forskning, en stor satsing på kunnskap, en stor satsing på lærere skal få den basisen de trenger for å gi ungene våre en best mulig start. Derfor er det viktig å ha et regelråd, å ha lettelser når det gjelder skatt, og mindre byråkrati, nettopp fordi dette er den store endringa samfunnet vårt skal gjennom. Regjeringa la fram et rimelig godt og det har blitt enda litt bedre når vi fikk lagt inn 100 nye stipendiater, når vi fikk plusset på basistilskuddet, og når vi fikk bort små, gamle dumheter om at man skal ha elevbetaling for studenter ved norske universiteter. Det er disse store satsingene det her er snakk om. Det er disse store skiftene innenfor kunnskap det er snakk om. Og da må jeg si at når noen partier mener at det store løftet innenfor kunnskap er en satsing på 40 mill. kr til mer gym i skolen, er jeg uenig i at det er det store skillet og den store endringa. Hvis man nå hadde ment at det å innføre en time gym for alle var det viktigste, koster det 3,2 mrd. kr, pluss lærere. SV har en litt mer «decent» måte å innføre dette på, der de faktisk legger inn det det koster, men å stå her og legge fram at den store kunnskapssatsinga er 40 mill. kr til gym, kjenner jeg blir underlig. Vi trenger også å fornye offentlig sektor. Vi må fornye velferdsstaten vår. Det betyr ikke bare at vi skal plusse på de ordningene vi har, men vi skal på de ordningene vi har, men vi skal utvikle nye ordninger som når de svakeste i samfunnet. Det betyr at vi må tørre å snu på noen av de steinene som er lagt tidligere. Men jeg er trygg på at når Venstre nå har vært med og satt navnet sitt på et budsjett, vil 46 500 av de aller fattigste barna i Norge få billigere barnehage og alle fire- og femåringer i lavinntektsfamilier få gratis kjernetid trenger. Det handler om å satse på de svakeste, og det er den velferdsstaten vi skal være med på å utvikle framover. Så må jeg si at grønt skatteskifte ikke bare er skatteskjerpelser. Det er noen som tror at grønt skatteskifte bare innbefatter skatteskjerpelser. Det er feil. Det innbefatter både skjerpelser og lettelser. Det vi har fått til nå sammen med regjeringa, er et skatteskifte på 2,7 mrd. kr. Det er mer enn Arbeiderpartiet la fram. Nå har vi bevist i to budsjett på rad at vi faktisk får til et større grønt skatteskifte, vi fire sammen på borgerlig side, enn i de to siste budsjettene, ja, nesten de åtte siste budsjettene, med de rød-grønne. I tillegg sa Arbeiderpartiets leder i en veldig modig uttalelse at

Det står fortsatt å lese i en sak på Venstres hjemmeside også. Nær halvparten av denne summen vet vi kommer fra den såkalte plastposeavgiften. Men det gikk ikke mange dagene før jeg hørte representanten Skei Grande si på Dagsrevyen at plastposeavgiften ikke er en miljøavgift, men handler om en ren inndekning. Venstres finanspolitiske talsmann sa her tidligere i dag at det var litt begge deler – inndekning og klima- og miljøeffekt. Noen har en gang sagt at der det samles to Venstre-folk, er det ofte tre meninger. Det er definitivt tilfellet i debatten her i dag, om hva plastposeavgiften egentlig er til for. Kan representanten Skei Grande klargjøre hva som er Venstres syn? Dette er Arbeiderpartiets hovedreplikk til meg. Vi står foran enorme klimautfordringer, vi står foran enorme miljøutfordringer – og Arbeiderpartiet spør meg om plastposepris! Dette er den store saken som skal kjøres i en viktig debatt om klima og miljø. Jeg kan godt forklare dette. Ja, det er nok litt begge deler, som Terje Breivik sier. Det er nok ikke opprinnelig det forslaget vi hadde, men det var det forslaget vi klarte å bli enige om da vi klarte å få et grønt skatteskifte. Det klarte aldri Arbeiderpartiet å få til i noen av sine budsjetter. Så det at vi må gjøre kompromisser på noe som kanskje ikke er øverst på ønskelisten til alle – det var der vi fikk det til. Og 2,7 mrd. kr er resultatet av pluss og minus, for skatteskifte handler om skatteletter også. Det har Arbeiderpartiet aldri tatt med i sine vurderinger. For dem er grønt skatteskifte bare avgiftsøkninger. Over til et annet kompromiss: Jeg vil faktisk få lov til å takke representanten Skei Grande og Venstre og Kristelig Folkeparti for at de i budsjettforliket klarte å forhindre store og stygge kutt til dem som har aller minst, altså enslige forsørgere og uføre med mange barn. Venstre og representanten Skei Grande gikk høyt ut på banen i valget og lovet at med Venstre og deres innflytelse ville fattigdomsbekjempelse, og spesielt de fattige ungene, bli prioritert. Hvordan føles det da å måtte bruke all sin forhandlingskraft på å oppnå at det Er representanten Skei Grande fornøyd med at det er dette som er blitt innholdet i Venstres fattigdomssatsing? Da burde representanten hørt innlegget mitt. En av de store satsingene til Venstre og en av de tingene vi gikk til valg på, er at vi mener at barnehage for de aller fattigste må bli billigere. For første gang har vi klart å få flertall i denne salen for at de aller For første gang har vi fått flertall i denne salen for at alle fire- og femåringer i fattige familier skal få gratis kjernetid. Det var våre hovedsaker, dette har vi foreslått i åtte år, og for første gang får vi faktisk flertall for det. I samarbeidsavtalen i Nydalen fikk klima og miljø stort fokus, og partiene var enige om å overoppfylle klimaforliket. Det er

at dette budsjettet var det beste miljøbudsjettet noensinne, og at for første gang ville utslippet innen f.eks. transportsektoren gå ned. Men vi vet at det er krevende å nå de målene vi har satt oss for 2020. Jeg kunne være interessert i å høre representanten Skei Grande reflektere litt rundt hvilke tiltak hun tenker er viktige nå frem mot 2020 for at vi faktisk skal komme i mål med de målsettingene vi har satt oss gjennom klimaforliket. Jeg tror det er veldig viktig at vi tør å ta følgene av det en grønn skattekommisjon kommer fram til. Da må vi bruke skatte- og avgiftssystemene våre aktivt for å få til de omstillingene, gjøre det lønnsomt for folk å velge de grønne løsningene og gjøre det attraktivt for som har negative følger. Jeg tror at vi må kunne bruke skatte- og avgiftssystemene våre aktivt for å få til den grønne veksten. Så må vi snu næringslivet vårt fra det oljeavhengige næringslivet vi har i ditt valgdistrikt. Vi må kunne snu den kompetansen over til nye energier, mer framtidsrettete energier og få til en vekst i de grønne sektorene framover. Det er den omstillinga Norge skal igjennom. Den kommer til å være smertefull og stor, og vi må kunne bruke vårt skatte- og avgiftssystem aktivt for å nå det. Det er kanskje et av de midlene jeg tror kommer til å funke best. Først av alt vil jeg si takk til representanten representanten Skei Grande for forhandlingene. Jeg kan skrive under på at hun er en dyktig forhandler, som jeg sa på talerstolen i sted – av og til vel dyktig. Men sånn blir det av og til. Mitt spørsmål er knyttet til noe jeg har hørt i salen i dag hvert fall inntil representanten Trettebergstuen gikk på talerstolen, vel å merke – en invitasjon til både Venstre og Kristelig Folkeparti knyttet til at man visstnok lå nærmere dem enn dem man inngikk forlik med. I den forbindelse vil jeg stille et spørsmål til representanten Skei Grande: Arbeiderpartiet legger jo i sitt alternative statsbudsjett opp til skatte- og avgiftsskjerpelser på over 14

Vi ønsker i vårt alternativ å gjøre det i bunnfradraget, mens regjeringa ønsker å gjøre det i prosenter. Vi fant en god løsning som vi kan stå for, i forhandlingene. Det å bli enige om et statsbudsjett handler ikke bare om å bli enige om gode formål, det handler også om hvordan man skal bruke skattesystemet for å få til de endringene som trengs. Jeg tror det er allment i alle miljø at formuesskatten har fungert dårlig for norsk eierskap og for utviklinga av norske arbeidsplasser. arbeidsplasser. Vi vil ha den omstillinga, og vi vil ha den grønne omstillinga som vi trenger. Da skjønner vi at vi må forhandle. Jeg kan gjerne gi tilbake igjen til en av mine medforhandlere at det var nok noen tøffe tak, men det er soleklart at vi må se både på skattesystemet vårt og på utgiftssida hvis vi skal klare å fornye Norge etter de tre indikatorene som jeg nevnte i mitt hovedinnlegg.

Dette innebærer en forpliktelse til å legge til rette for at kanaler og institusjoner bidrar til en åpen og opplyst samtale – kort sagt et overordnet statlig ansvar for oppbygging av et offentlig rom som skaper faktisk ytringsmulighet. I så måte er Kristelig Folkeparti veldig glad for at Venstre støtter oss i kampen for pressestøtte. å bevare mediemangfoldet framover? Jeg tror ingen norske politikere har ene og alene én løsning for å komme i mål med dette. Det skjer store endringer i norsk medieverden, og vi må løfte ytringsfriheten, vi må løfte de prinsippene om bredde og mangfold i uttrykk som denne sal har gjort modige vedtak om tidligere.

sikt. Derfor har det vært litt vanskelig å møte Venstre med den rausheten jeg egentlig ønsker, for jeg synes Venstre har oversolgt dette budsjettet: Det er nå et historisk miljøbudsjett, det er bedre enn det noen noen gang har fått til osv. Jeg tror ikke miljøsaken er tjent med den typen overdrivelser. Det er sånn at budsjettet er vesentlig dårligere på vekst på jernbane sammenlignet med vei, hvis man ser det opp mot det den rød-grønne regjeringen gjorde. Det er reelle kutt til sykkelvei på riksvei osv. Trine Skei Grande har presentert dette som det første budsjettet som får utslippene ned på transportsektoren. Men det er feil, for utslippene gikk ned i 2013. Hvorfor har Venstre behov for å si ting som ikke er sant for å markedsføre miljøresultatene i dette budsjettet? Jeg skal ærlig innrømme at jeg tror det

og jeg tror det er tiltak som direkte fører til nedgang. Vi har tidligere hatt nedgang knyttet til den økonomiske situasjonen i landet, men dette er politiske vedtak som direkte fører til nedgang. For første gang i historien vil faktisk etterslepene på jernbanen gå tilbake. For første gang har vi virkelig kommet på høyden med

Det borgerlige flertallet har vist gjennom både budsjettforslaget fra regjeringen og forliket hva de mener er viktigst. Også etter forliket er det klart at lavere formuesskatt er den fremste prioriteringen for de borgerlige. Kristelig Folkeparti og Venstre har gjort budsjettet mindre usosialt, men ikke sosialt. Det viktigste er ikke skole og helse, det viktigste er lavere skatt for de rikeste. Også etter forliket er det klart at den prosentvise veksten på vei er høyere enn veksten på jernbane – i skarp kontrast til de rød-grønne årene. Kristelig Folkeparti og Venstre har gjort budsjettet grønnere, men ikke grønt. Det viktigste er ikke det grønne skiftet, det viktigste er mer penger til vei. Det alternative budsjettforslaget til SV er et budsjett for en helt annen kurs. Å sette det viktigste først betyr for oss å si nei til mer markedsmakt og avvise de rikestes egoisme. Vi vil sette mennesker foran markeder, og vårt forslag bygger på erkjennelsen av at det beste i dette landet har vi skapt sammen. Det er ikke på tross av en sterk velferdsstat, likestilling og små forskjeller at vi har en av verdens mest produktive økonomier, det er på grunn av fellesskapet. Fellesskap fungerer, og vi må dele for å skape – ikke bare omvendt. Budsjettforslaget til SV er et forslag for kraftig omfordeling. For det første vil vi ha mindre økonomisk ulikhet. Derfor øker vi skattene kraftig for dem med store formuer og høye inntekter. Samtidig vil vi gi større skatteletter til alle som tjener under 600 000 kr, enn det Høyre og Det åpner samtidig for at vi kan øke grønne avgifter av hensyn til miljøet uten at de sosiale forskjellene i samfunnet øker. Det grønne skiftet må være rettferdig hvis det skal kunne lykkes. For det andre vil vi omfordele mellom næringer. Vi øker skattleggingen av finansnæringen og av oljeselskapene. Samtidig foreslår SV – av alle partier på Stortinget – den laveste skattesatsen på øvrige bedrifter.

utjevningsreform. Kombinert med en ressursnorm som ville gitt 2 789 nye lærere i grunnskolen, skal heldagsskolen gi mer tid til møte mellom lærer og elev. Øvingsarbeidet skal gjøres på skolen i stedet for å overlates til familier med helt ulike forutsetninger for å hjelpe barna sine. Alle barn skal få sunn mat og fysisk aktivitet på skolen hver dag, og det skal være en daglig skolehelsetjeneste til stede. Den lille jenta som går på skolen uten mat, er vårt ansvar. Den lille gutten som ikke klarer skolen fordi han aldri får hjelp til leksene, er vårt ansvar. Å bruke tiden de minste skolebarna allerede er på skolen bedre enn dagens SFO, må være den neste store reformen i den norske velferdsstaten. Vi ble lovet nye ideer og bedre løsninger. Vi ble lovet gjennomføringskraft. Det viste seg å være gjennomføringskraft på vegne av de mest privilegerte i det norske samfunnet. De er vinnerne i dette budsjettet, slik de alltid er når Høyre kommer til makten. Det er de samme gamle ideene og den samme gamle klassepolitikken som preger denne regjeringens budsjett. Slagordet «for folk flest» er avslørt som tidenes markedsføringsbløff. Folk flest får så lite skattelette med Fremskrittspartiet ved makten at det bare rekker til noen få plastposer i uken, og landets småbarnsforeldre har nettopp fått julekort fra statsministeren og Siv Jensen med varsel om økte barnehagepriser. På den måten er vi alle invitert til et spleiselag for lavere skatt til overklassen. Denne regjeringen fører en politikk som er urettferdig, kortsiktig og smålig. I dag stemmer vi i stedet for et budsjett som er bygget på rettferdighet, langsiktighet og solidaritet.

SV var en del av, fram en perspektivmelding – en veldig god melding. Den forklarer den utfordringen som ligger i å bevare offentlige velferdsordninger på dagens nivå – jeg gjentar, på dagens nivå – fordi vi i framtiden vil forvente høyere kvalitet. Perspektivmeldingen er klar: Arbeid er nøkkelen til framtidens velferd. Men det stopper ikke SV. De vil faktisk bruke penger på at vi skal jobbe mindre – det foreslår de i sitt alternative budsjett. budsjett. Jeg bare lurer på hvordan det samsvarer med den perspektivmeldingen SV var med på å legge fram i 2013. Jeg har sterk selvtillit på vegne av de verdiene SV står for, ikke minst fordi det er venstresidens verdier som i så stor grad har preget det norske samfunnet, og som gjør at vårt samfunn skiller seg fra mange andre – med mindre forskjeller, med en sterkere velferdsstat. Vårt samfunn er et levende bevis på at fellesskap fungerer. Vi har levert et budsjett som ikke gir mer til alle. Vi har levert et budsjett som står for kraftig omfordeling, der vi ikke er redd for å ta fra dem som har mest, som Høyre vil gi mer til. Når det gjelder perspektivmeldingen, er jeg vant til at høyresiden har lest den selektivt. Hvis en ser nærmere på denne meldingen, ser en at vi har viktige valg for framtiden. Vi kan velge å la det private forbruket mangedobles i tiårene som kommer, eller vi kan velge å bruke den kraftige produktivitetsveksten som kommer, på andre måter. Da kan vi f.eks. dele på arbeidet, velge å ta ut veksten i mer fritid istedenfor i mer forbruk. Det er fullt mulig, men det er et politisk Representanten kan få stille et spørsmål til. Gjerne det – hjertelig takk. Jeg registrerer at representanten Lysbakken svarte – så vidt det var – på spørsmålet. Vi leser ikke perspektivmeldingen selektivt. Det vil jeg heller si at det er Sosialistisk Venstreparti som gjør, som tror det er mulig å jobbe mindre, men samtidig bevare den velferden vi har i dag. Et annet område der Sosialistisk Venstreparti viser svært god selvtillit, er innenfor fattigdomspolitikken dette til tross for at den forrige regjeringens fattigdomspolitikk vel ikke akkurat kan kalles en suksesshistorie. Audun Lysbakkens forrige partileder, Kristin Halvorsen, måtte halvveis ute i de rød-grønnes regjeringsperiode nettopp beklage hvor mislykket fattigdomspolitikken til Sosialistisk Venstreparti var. Det er lett å bli polemisk i disse debattene, så jeg skal prøve å stille et spørsmål som ikke gir det klassiske Gi mer til dem som har minst, istedenfor å ta fra dem som har minst! Hvilke lærdommer trakk Sosialistisk Venstreparti fra Uførepensjonsutvalget og Velferds- og migrasjonsutvalget, og hvordan reflekteres det i deres alternative budsjett? Jeg synes representanten Heggelund skal reflektere over følgende: Gjennom hele det århundret vi har bak oss, gikk arbeidstiden ned, mens produktiviteten gikk opp. Det er en nøtt som representanten kan tenke på til neste gang vi møtes i en replikkrunde. Og så kan han vurdere om det kanskje kan være noe i at det fortsetter slik i det århundret som kommer. Jeg ser fram til å følge opp dette. Det er innovasjon som fører til produktivitet. Det holder ikke å pøse på med arbeidstimer – det er ikke det det handler om. Produktiviteten har økt, til tross for at antallet arbeidstimer har gått ned. Det er en trend som har vært der gjennom hele det moderne samfunns historie, og som kommer til å fortsette. Ingen har beklaget SVs fattigdomspolitikk. Det vi har beklaget, er at vi ikke fikk mer gjennomslag for SVs fattigdomspolitikk, som handler om å øke inntekten til de fattigste familiene – den eneste måten å få ned barnefattigdommen på. Jeg ville vært atskillig mindre høy og mørk om jeg hadde representert et parti som målrettet går til angrep på økonomien til de fattigste familiene og skaper nye fattigdomsfeller.

Skatt på alminnelig inntekt reduseres fra 27 til 20 pst. – det er interessant. Denne skatteletten gir altså mulighet for en enorm skattelette for dem som tar ut utbytte, og dette er nettopp det SV har kritisert siden 8. oktober: At de med mest, får mest. Men de bevilger selv til dem som har mest. Har SV tenkt på det faktum at de her gir store skatteletter til dem som allerede har mye fra før? Er det god fordelingspolitikk i henhold til SVs eget program? Det var mange ting på en gang, men jeg vil anbefale representanten å ta en titt på fordelingstabellene i vårt alternative budsjettopplegg og sammenligne dem med regjeringens opplegg. Da vil man se at de lettelser som gis i vårt opplegg, fører til at vanlige familier får et større økonomisk rom enn det de grønne avgiftene tar fra dem. Dette er nettopp en viktig grunn til at vi ønsker skattelette for folk med vanlige inntekter, for at det skal være mulig å gjennomføre et grønt skifte på en sosialt rettferdig måte. Representanten har helt rett i at i seg selv slår økt elavgift usosialt ut. Derfor må dette kompenseres. På samme måte har vi en rekke skatteøkninger for dem som har de høyeste inntektene – lønnsinntekter, kapitalinntekter, formue – sånn at vi skal få en reell omfordeling i vårt samfunn. De fordelingstabellene er det bare å slå opp. De viser veldig tydelig at SV har en politikk for folk flest, mens Fremskrittspartiet har en politikk for rikfolk

realiteten mottar rundt 40 000 kr, mens andre oppnår 500 000 kr – ein betydeleg forskjell. Kristin Halvorsen har òg peika på dette tidlegare. Dette er den eine utfordringa mi. Den andre er det som Kristeleg Folkeparti no har fått gjennomslag for, som gjeld fleire lærarar frå første til fjerde trinn. Er det nokre ideologiske ueinigheiter rundt dette? Korleis stiller SV seg i den debatten? Det er spørsmålet mitt.
I de årene SV satt i regjering, prioriterte vi en kraftig utvidelse av foreldrepermisjonen, men før forrige valg sa vi ved å øke engangsstønaden veldig tydelig fra at det er på tide å prioritere dem som ikke har den type rettigheter. Helst vil vi ha en stønad på 2 G som en løpende minstestønad, som ville ha vært en enda bedre løsning, men jeg er helt enig med Hareide i denne saken. Jeg er også veldig glad for at vi har tatt et første steg på veien mot flere lærere for de minste barna i skolen. Det er en oppfølging av en politikk som vi begynte med i den andre enden av grunnskolen: 600 flere lærere i ungdomsskolen. Kristelig Folkeparti og SV er vel de to partiene på Stortinget som klarest sier at vi trenger en ressursnorm, vi trenger færre elever per lærer for å skape mer tid til møtet mellom lærer og elev. Så der er vi hjertens

Så er vi nok litt uenig i hva som bør komme først, og vi i Venstre har i vårt budsjett lagt opp til å bruke penger på videre- og etterutdanning av de lærerne som er i skolen i dag, ikke minst de mange tusen såkalt ikke-kvalifiserte lærerne. Det jeg registrerer, er at SV bruker de samme pengene, iallfall store deler av pengene sine, på å sette inn flere lærere i skolen, og det som jeg bekymrer meg for, og som jeg håper at SVs leder har et godt svar på, er hvordan vi skal klare å øke lærertettheten uten at det skjer ved hjelp av flere ufaglærte, og hvordan vi skal klare å løfte de ikke-kvalifiserte vi har i skolen i dag, slik at de også er kvalifisert til å

tror at det er mulig å øke lærertettheten nå, særlig fordi det er så mange lærere som har forlatt yrket. Vi vet at er det én ting lærerne virkelig ønsker seg, er det økt lærertetthet, det er å få flere kolleger, det er å få større rom til å jobbe med hver enkelt elev. De innspillene vi har fått fra lærernes fagforeninger, tyder på at de som selv står i dette hver dag, tror at det er mulig. Så vil selvfølgelig dette også måtte kobles med bedre betingelser for lærerne, som jeg tror det er et bredt flertall i Stortinget som ønsker seg, og en ressursnorm i seg selv vil gi lærerne bedre kort på hånden når de skal fronte krav om bedre betingelser for sine kolleger og medlemmer. Replikkordskiftet er slutt. Norge er et godt land å bo i for de aller fleste. Vi har fortsatt høy sysselsetting, lav arbeidsledighet, og

Vi vil fortsatt ha store inntekter fra oljeaktiviteten i mange år fremover, men oljeaktiviteten kommer ikke lenger til å være motoren i vår økonomiske vekst. Det har vi sett tydelig den siste tiden. Et høyt kostnadsnivå har bremset investeringene. De siste ukene har oljeprisen hatt et sterkt fall, og det gir ringvirkninger for hele fastlandsøkonomien. Regjeringen følger nøye med på utviklingen i internasjonal økonomi generelt og på oljeprisen spesielt. De siste årene har vi sett flere eksempler på at raske omslag ute i verden kan få stor betydning også for Norge. Vi vet at oljeprisen kan snu og stige igjen, men bildet er likevel tydelig: Vi lever i en mer urolig tid, usikkerheten vår er større, og egentlig burde debatten vært litt annerledes enn den vi har nå. For to år siden debatterte vi oljeavhengighet og todelingen av økonomien. I dag har vi ikke en todeling av økonomien på samme måte. Vi har en kostnadsutfordring og en konkurranseutfordring for alle deler og alle bransjer i Norge. Oljeavhengigheten kommer til å bli naturlig mindre – rett og slett fordi aktiviteten og impulsen i veksten er mindre. Utfordringene våre er å sørge for at den mindre impulsen som kommer fra oljeaktiviteten, ikke medfører at norsk økonomi bremser opp, og at veksten og vår mulighet til å finansiere velferden dermed bremser opp. Derfor er det avgjørende nødvendig at nye næringer må ta over som motor i veksten i årene fremover. Og med den usikkerheten vi har rundt oss, trenger vi det enda raskere enn jeg tror de fleste av oss tenkte for få år tilbake. Norge trenger flere bein å stå på i fremtiden. Vi trenger ulike typer næringer som kan overta som vekstimpuls etter olje- og gassvirksomheten. Derfor trenger vi også budsjetter med sterkere virkemidler, for å skape mer investeringsvilje, for å sørge for mer nyskaping, og for å sørge for mer gründerskap i Norge.

dag. Vi skal tette hull i det sikkerhetsnettet vi har, og som vi ser folk ramle gjennom hver eneste dag. Mange av disse utfordringene har vært kjent i mange år. Det burde vært gjort mer for å gjøre landet mer forberedt på de endringene vi nå ser, men desto viktigere er det ikke å lene seg tilbake og tro at 2013 var det magiske året. er ikke de virkemidlene vi kommer til å trenge i 2015, for vi skal forberede landet på endringer som vi nå ser, og det er viktig å ta de riktige valgene i dag. Vi har laget et statsbudsjett som gjør Norge mer robust for fremtiden. Jeg har lyst å takke alle de fire partiene på Stortinget, for at de har tatt med seg hovedprofilen vår gjennom Fire partier skal sette sitt preg på et statsbudsjett. Det er sånn en mindretallsregjering lever i et godt samarbeid med andre partier. Men hovedprofilen, nemlig å sørge for at vi ruster oss for fremtiden, er ivaretatt med de store satsingene vi ser på ulike områder. Statsbudsjettet tar høyde for den usikkerheten som mange familier opplever nå, fordi de ikke helt vet hva disse endringene i oljeprisen og uroen ute kan medføre for deres familieøkonomi. Utdanning, forskning, nyskaping og innovasjon er viktigere enn noen gang. Kunnskap er den nye oljen for Norge, og i 2015 vil dobbelt så mange lærere få etter- og videreutdanning, sammenliknet med 2013. Det gjør at elevene vil kunne møte lærere som er faglig og fagpedagogisk oppdatert. Kunnskap og læring i skolen vil gå opp. Forsknings- og utdanningsbudsjettet var godt fra regjeringen, men det har blitt enda bedre i møtet med Stortinget. Det øker med 4,5 pst. neste år. For første gang bruker vi over 30 mrd. kr på å finne nye svar for fremtiden. Dette er en helt annen takt enn det vi så i årene vi har lagt bak oss. Vi legger til rette for at gründere og bedrifter skal skape de nye arbeidsplassene. Ordningene for fremtidsrettet og næringsrettet forskning og utvikling blir utvidet. BIA-midler, nasjonalt etablerertilskudd, program for kommersialisering av forskningsresultater, FORNY 2020: Alle disse tiltakene har blitt styrket. SkatteFUNN-ordningen har blitt utvidet. Dette budsjettet bidrar til at flere gründere og innovatører får prøve sine ideer i markedet. Det er helt nødvendig hvis de nye, trygge arbeidsplassene skal skapes. For å omstille Norge er vi avhengige av at noen tør å satse. Derfor gjør vi det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser ved å redusere formuesskatten. Samferdselsbudsjettet er over 25 pst. større enn da vi overtok. Til sammen er alt dette viktige bidrag til fremtidens verdiskaping, til å trygge arbeidsplassene og til å trygge et godt velferdssamfunn. For å omstille Norge til et lavutslippssamfunn leverer samarbeidspartiene en ny og bedre retning i klimapolitikken. Mange i vårt samfunn har et stort engasjement for klima, og det er viktig at det skal lønne seg å være klimavennlig. Med dette budsjettet får fornybarnæringen et løft. Avskrivninger på vind, bedre skatteregler for småkraft, i tillegg til regjeringens viktige vedtak om å ha to nye overføringslinjer, henholdsvis til Tyskland og England, gjør at det kan bli mer innenfor fornybarnæringen i årene fremover. Det blir billigere å velge klimavennlig bil. Jernbanesatsingen er rekordstor. Vi utvider belønningsordningen, og vi satser mer på kollektivtransport og sykkelveier i byene. Det skal gjøres enklere å gjøre klimavennlige valg i hverdagen. Grønne satsinger er viktig, men vi trenger også å prøve ut nye grønne ideer.

Vi er nødt til å bryte de mønstrene som gjør at folk faller utenfor. Skolen må sette inn en tidlig innsats. Frafallet i den videregående skolen henger ofte sammen med manglende oppfølging tidlig i grunnskolen. Helsetjenesten må gi raskere hjelp, mens alvorlig sykdom ennå kan bekjempes og før lette psykiske lidelser blir til tunge psykiske lidelser og Neste år åpnes det første tverrfaglige diagnosesenteret for folk med langvarige smerter og utmattelsestilstander. Pasienter som i dag opplever å være kasteballer i systemet, får nå et enklere møte med helsetjenestene. Tilbud innenfor rus og psykisk helsevern gis et spesielt løft. Rusavhengige og psykisk syke har i mange år ikke blitt prioritert høyt nok. Nå står den gruppen øverst på listen i arbeidet med å innføre fritt behandlingsvalg. Det vil gjøre at flere får hjelp raskere. Vi øker takten i byggingen av sykehjemsplasser. Økt investeringstilskudd gir resultater i kommunene nå. Det gjør at flere eldre kan få et verdig tilbud. Totalt sett er det en historisk høy Det gjør at flere kan få behandling, og at kvaliteten kan økes. Jeg kunne fortsatt å ramse opp mange gode eksempler på det vi gjør, f.eks. økt stipendordning for elever som har foreldre med de laveste inntektene. Men det er viktig å understreke at det ikke bare er den økonomiske situasjonen som fremover er mer usikker. Sikkerhetssituasjonen globalt og i Norge har endret seg det siste året. Derfor er det viktig at vi også fortsetter å styrke beredskapen for å sikre vår trygghet. Vi skal være i stand til å møte det nye trusselbildet og ha et raskt og tilgjengelig nærpoliti. For å skape et samfunn med muligheter for alle må vi klare å ha to tanker i hodet samtidig. Vi må skape de nye, grønne arbeidsplassene og samtidig styrke vårt sosiale sikkerhetsnett. Statsbudsjettet er et svar på begge disse et svar på begge disse utfordringene – et svar som det faktisk er et enda større behov for enn det vi så for oss da vi begynte arbeidet i vår med selve statsbudsjettet. Det blir replikkordskifte. Statsministeren sier at debatten burde vært en annen, og hun sa også at løsningene fra 2013 ikke nødvendigvis gjelder i dag,

sa Høyre – med Bent Høie i spissen – at det ville bli en større milliardvekst i sykehusene med Høyre, og i tillegg lovet han at finansieringen av et såkalt fritt behandlingsvalg skulle komme på toppen av aktiviteten. Høyres overbud var overbud: De lovet 3 og bevilget 2, og det frie behandlingsvalget kommer innenfor rammen, det er enda mindre og det skal også effektiviseres. Jeg vil gjerne høre statsministeren si at de har bevilget mindre i kroner enn de lovet.

men jeg håper at jeg ikke ser et tilbakeslag hvis Arbeiderpartiet kommer tilbake til regjeringsmakten, til at det ikke er disse sakene som prioriteres, men andre saker. Når det gjelder spørsmålet om finansieringen av sykehusene, er det slik at dette er et av de absolutt beste sykehusbudsjettene som er lagt frem. Og nei, det er ikke på 3 mrd. kr, som vi sa i valgkampen, men vi skal måles på hvor mye vi har gitt til sykehusene når vi er ferdige med denne fireårsperioden. Vi sa ikke at vi hvert eneste år kom til å bevilge

begrep som statsministeren også tidligere har brukt – som teller, at investeringene er produktive, at vi satser på å løse oppgaver, at vi får til aktivitet og at vi støtter bedriftene våre. Men for Høyre har det vært et mål – og for Fremskrittspartiet har det vært et avgjørende mål – at den offentlige utgiftsveksten ikke skal vokse mer enn veksten i økonomien. Nå gjør den det i dette budsjettet, og da ønsker jeg å høre fra statsministeren: Betyr det at man har forlatt dette Eller betyr det at man i fremtiden vil holde fast ved det målet, at den offentlige pengebruken ikke skal vokse mer enn veksten i økonomien? Det er sjelden jeg pleier å si det, men jeg er særlig glad for dette spørsmålet, for nå har jeg forsøkt å motargumentere fra plassen min opptil flere ganger når jeg har hørt dette sagt. Ja, da den borgerlige regjeringen tiltrådte i 2001, så var dette et mål, men vi har altså hatt en gjennomgang i Høyre av hvordan dette henger sammen med det å innfase mer oljepenger. Derfor er det flere år siden vi forlot dette som et overordnet mål, for det går ikke an å sette sammen innfasing av mer oljepenger med målet om at veksten i offentlige utgifter ikke skal være større enn veksten i statsbudsjettet hvert enkelt år. På lang sikt er det viktig at vi passer på balansen, men på kort sikt kan vi ikke gjøre det samtidig som vi faser inn oljepenger. Det er altså flere år siden Høyre konkluderte med at dette ikke lenger kan være et parameter som vi styrer etter. For det var den gangen da vi alle var enige om– iallfall Høyre og Arbeiderpartiet var enige om – at vi ikke skulle bygge ned oljeformuen, at vi ikke skulle bruke av avkastningen. Når vi gjør det, vil et slikt mål være

seg sitt ansvar bevisst og våger å samle seg bak fremtidsrettede løsninger.» Det er fordi Scheel-utvalet kjem med si innstilling i morgon. Statsministerens gode venn og tidlegare finansminister, Per-Kristian Foss, stod bak det førre skattekompromisset, som var særdeles godt for Noreg. Det same gjorde Sigbjørn Johnsen tidlegare på 1990-talet. Begge som har gitt oss ein betre økonomi, ein meir effektiv økonomi og fleire i arbeid. Vil statsministeren no ta eit initiativ òg til eit nytt skattekompromiss, når me no får eit grunnlag gjennom Scheel-utvalet? Jeg er enig i at vi skal ha både god tid og gå godt igjennom de forslagene som kommer fra Scheel-utvalget. Så har jeg lyst til å understreke at f.eks. den skattereformen som ble laget i 2005, aldri ble helt gjennomført, for der var det et kompromiss om at utbytteskatten skulle erstatte formuesskatten. Med det fikk vi en rød-grønn regjering. Den har da medført at utbyttebeskatningen og formuesskatten har levd side om side, med en ekstra forsterkning av beskatningen av eierskap i norske bedrifter under den rød-grønne regjeringen. Vi er opptatt av at vi må ha et godt grunnlag for en ny skattereform. Jeg har lyst til å si at utgangspunktet for denne skattereformen synes jeg ikke nødvendigvis er så positivt. er så positivt. Det er grunnen til at diskusjonen kommer. Det er jo internasjonal skattekonkurranse, hvor andre land har bydd ned sine skattenivåer, og nå skal Norge på en måte følge etter. Det er jo et dilemma, hvor vi altså deltar i den internasjonale skattekonkurransen. Et lite land som Norge må leve med at de internasjonale rammebetingelsene må tilpasses norsk næringsliv. Men det må også være grunn til at si at det er ikke nødvendigvis ønskelig,

Vi har lagt inn ekstra penger til det som er viktig når det gjelder det oppslaget som er i dag, om kvaliteten i omsorgen. Der har vi altså økt de øremerkede midlene til kvalitetsutvikling i eldreomsorgen. De er nå på i overkant av 400 mill. kr, som nettopp går til kompetanse og kunnskap som skal bidra til dette. Så er det sånn at for neste års statsbudsjett betyr ikke årets skattesvikt noe, for vi beregner det før denne skattesvikten er tatt inn. inn. Og neste års statsbudsjett er interessant, fordi veksten i de frie inntektene der er høyere enn veksten når det gjelder handlingsrommet mellom demografiske utgifter og veksten i de frie inntektene. Denne veksten er nå høyere i kommunesektoren enn den var i 2011, 2012 og 2013. Det betyr at rommet til å prioritere neste år faktisk er større for kommunene enn det var i tre år med rød-grønn regjering.

Nå ser statsministeren fasiten på hva Venstre ikke blir skuffet over når det gjelder klima og miljø. Så mitt spørsmål til statsministeren er: Har statsministeren lært noe av dette? Ja. Jeg mener at det er mange gode tiltak som er kommet inn i forhandlingene. Summen av alle disse tiltakene er ting vi alle kan være enige om, og så må vi også passe på at vi alltid er enige om å få til en saldering av de positive tiltakene vi får inn. For meg er det viktig å si at det er mange ting vi kan diskutere opp og ned i et statsbudsjett, men de virkelig store løftene på klima er de vi klarer å gjøre hvis vi får næringslivet med oss på den nye teknologien. Derfor mener jeg at det største vi gjør, er å sørge for at staten er en god partner, både som etterspørrer etter ny teknologi når man kjøper inn ting, og også gjennom å ha en styrket finansiell ramme i klimateknologifondet og i miljøteknologiordningen. Klimateknologifondet har vi gjennom enigheten i

nemlig det som har bidratt mest til Norges rikdom, at vi har fått flere kvinner inn i arbeidslivet. Den gjelder kun for de fattigste. Regjeringen har økt kontantstøtten istedenfor, økt barnehageprisene for folk flest, innført kortere fedrekvote osv. Det er ikke mulig, bortsett fra den økte barnehageutbyggingen som Kristelig Folkeparti og Venstre presset statsministeren til i budsjettforliket nå, å spore ett eneste tiltak av betydning denne regjeringen har gjennomført, som gjør det lettere å kombinere det med familie og barn. Hvorfor har regjeringen ingen sånne forslag? Hvorfor snakker statsministeren aldri om likestilling? Har denne regjeringen i det hele tatt noen likestillingspolitikk?